den forberedende fullmaktskomiteen, sosialkomiteen og fullmaktskomiteen. Hun møtte også som vararepresentant i perioden 1981–1985. Hun var varamedlem av Den interparlamentariske union, IPU, og var delegat til FNs generalforsamling i 1977. Da Else Marie Myhren Repål sluttet etter drøye tolv år på Stortinget, så hun med glede tilbake på stortingstiden. Gleden var slett ikke like stor den dagen i 1969 da hun fikk beskjed om at hun hadde fått sikker plass på valglista. Det var noe helt annet enn det hun hadde bedt om da hun ble spurt om å stå der. Betingelsen hennes for å si ja var nettopp at hun skulle stå langt nede på lista, og at hun var sikker på ikke å bli valgt. Det skrev også Hamar Arbeiderblad. Og hun innrømmet i avisintervjuer at hun var vettskremt da hun første gang kom inn på Stortinget. Men senere angret hun aldri på at hun hadde sagt ja. Else Marie Myhren Repål fant seg snart godt til rette på Stortinget. Spesielt engasjerte hun seg i saker der hun fikk hjelpe ressurssvake enkeltpersoner. I ettertid så hun tilbake på stortingsarbeidet med stor glede. Else Marie Myhren Repål var godt likt og hadde mange venner her på Stortinget. Hun var bl.a. formann i Stortingets velferdsutvalg, som bl.a. sto for drift av stortingskaffen, trimrom og badstuen. Å være stortingspolitiker er et usikkert yrke. Det fikk også Else Marie Myhren Repål erfare. I 1981 ble hun skjøvet nedover på valglista. Hun endte opp på sjetteplass og ble dermed første vararepresentant. Else Marie Myhren Repål forsikret at hun ikke var bitter, og uttalte en gang: Jeg hadde sittet tre perioder og det kunne være nok. Jeg måtte godta at andre og yngre folk kom inn. Ellers våknet Else Marie Myhren Repål politisk til live som 15-åring. Hun møtte bl.a. Reiulf Steen og ble en av de aller ivrigste i det lokale AUF-laget. Så startet hun kvinnegruppe på Rena, og det åpnet seg plass både i sosialstyret og i barnevernsnemnda. Som en av de første kvinnelige representanter fra Hedmark ble Else Marie Myhren Repål en pioner på Stortinget. Hun ble en ildsjel for sine hjertesaker, noe som angikk velferdsspørsmål for folk flest. Vi takker Else Marie Myhren Repål for en lang arbeidsdag, og lyser fred over hennes minne.

Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Stine Renate Håheim vil fremsette et representantforslag. –Det ser ikke ut til at representanten er til stede. Da vil representanten Helge André Njåstad fremsette et representantforslag.

slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett. Representanten Jan Bøhler vil fremsette et representantforslag. På vegne av representantene Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Truls Wickholm og meg selv vil jeg gjerne framsette et representantforslag om endring i eierseksjonsloven – demokrati i sameier for å hindre spekulasjon i utleie og oppkjøp. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling,

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 30 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 30 minutter, Høyre 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter.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

Vekst i energiforbruk sammen med behov for erstatning for fallende produksjon tilsier at det i overskuelig framtid vil være marked for de olje- og gassressurser Norge rår over. Vi vil derfor i mange tiår være en oljenasjon. Helt siden den spede begynnelsen har det vært en overordnet målsetting at de norske petroleumsressursene skal komme hele folket til gode, og at det skal lede til verdiskaping over hele landet. Den politikken som har blitt ført for å oppnå disse målene, har gitt resultater.

Stabilitet og forutsigbarhet er derfor viktig når selskapene skal gjøre sine investeringsbeslutninger. Jeg er derfor glad for å kunne slå fast at det fortsatt er bred enighet om de overordnede linjene i vår petroleumspolitikk. Det er enstemmig tilslutning til de før nevnte overordnede mål, det er et bredt flertall som viser til at petroleumsvirksomheten i mange tiår framover vil ha en sentral rolle for norsk verdiskaping, sysselsetting, teknologiutvikling og samfunnsutvikling. Politikken som blir trukket opp i Stoltenberg-regjeringens stortingsmelding En næring for framtida, videreføres av den sittende regjeringen. Dette er et uttrykk for politisk stabilitet og forutsigbarhet på tvers av skiftende regjeringer. Det er en samlet komité, med unntak av Miljøpartiet De Grønne, som peker på behovet for å fortsette arbeidet med utslippskutt fra denne næringen og utviklingen av lavutslippsteknologi for at norsk petroleumsvirksomhet skal kunne levere olje og gass i Utbyggingen av Sverdrup-feltet blir på mange måter en arena for operasjonalisering av våre langsiktige målsettinger. Dette feltet krever enorme investeringer, det har svært lang produksjonstid, og det er et faktum at mange av dem som skal være med på å stenge ned feltet, ennå ikke er født. Det er særlig to forhold som har opptatt komiteens flertall. Det er prosjektets betydning for norsk leverandørindustri og klimaperspektivet som ligger i at Sverdrup-feltet skal bli drevet med kraft fra land, men også at denne energiløsningen gir grunnlag for at tre andre felt i området Utsirahøyden vil bli drevet med kraft fra land. Det har så langt blitt tildelt kontrakter for 27 av totalt 117 mrd. kr i forbindelse med prosjektets byggetrinn 1 – Aker Solutions, Aibel, Kværner, ABB og Odfjell Drilling har fått store oppdrag. I den situasjonen vi i dag har i næringen, gir disse oppdragene viktige bidrag til vår evne til å opprettholde kapasitet og kompetanse i leverandørindustrien. I komiteens merknader vedrørende kraft fra land har vi videreført enstemmigheten fra Innst. 237 S for 2013–2014. Komiteen anerkjenner at det er mest hensiktsmessig for operatøren og lisenshaverne å se plassering og dimensjonering av områdeløsning for kraft fra land i sammenheng med utviklingen av byggetrinn 2, men understreker at områdeløsningen skal være på plass i 2022. Komiteen fremmer derfor forslag til endring av vilkårene, hvor vi tar ut det som kan oppfattes som en binding til framdrift i byggetrinn 2, og slår fast at løsningen skal være på plass i 2022. Varmebehovet på Edvard Grieg-feltet har blitt et tema i denne saken. Komiteen forventer at det gjennomføres en kvalifiseringsprosess for elektriske kjeler i forkant av beslutningen om hvordan varmebehovet skal dekkes. For å oppsummere:

DNB Markets har regnet ut at over 20 000 arbeidsplasser har blitt borte siden januar i fjor. I mine samtaler med ansatte i oljeselskaper, representanter for leverandørindustrien, Norsk Industri og fagbevegelsen blir situasjonen betegnet som alvorlig og dramatisk. Vedlikehold utsettes, prosjekter blir satt på vent, leverandører presses til, og forbi, sine ytterste grenser på pris, og rekrutteringen til bransjen stopper opp. Det er åpenbart for alle som vil se, at oljeselskapenes håndtering av lave oljepriser ikke er bærekraftig. Det er bred enighet om at aktiviteten i bransjen vil ta seg opp igjen om noen år. Arbeiderpartiet frykter at en sånn oppgang på ny vil utløse en oppadgående kostnadsspiral, og at man på kort tid skal gjenoppbygge kapasitet og kompetanse som i disse dager bygges ned. Det er ikke første gangen oljenasjonen Norge opplever at oljebransjen er i hardt vær. Ved tidligere nedturer har arbeiderpartiregjeringer handlet, som vi f.eks. gjorde i 1993, da vi opprettet NORSOK, i 1997, da vi tok initiativ til opprettelsen av INTSOK, og i 2001, da KonKraft-samarbeidet ble opprettet. Alle disse tiltakene har virket, og ingen av dem ville blitt til uten politisk initiativ og – la meg føye til – politisk vilje. Dette har vært tidsriktig innsats for å realisere vår målsetting for oljevirksomheten, sånn som det er blitt beskrevet i petroleumsloven. Ressursforvaltningen skal gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas hensyn til de distriktspolitiske interesser og annen virksomhet. Vi ber derfor regjeringen vurdere, og komme tilbake til Stortinget i budsjettet for 2016, åtte tiltak som etter vår mening vil bidra til å dempe fallet i aktivitet og bidra til at kompetanse og kapasitet ivaretas. Vi ønsker en sterkere politisk deltakelse i KonKraft-samarbeidet og mener at departementet bør gjenoppta deltakelse i dette samarbeidet. All erfaring tilsier at denne typen samarbeid mellom industri, fagbevegelse og myndigheter bidrar positivt i møte med utfordringer som dem vi opplever nå. Vi mener at myndighetene i større grad må bruke de virkemidler man har til å sikre at tidskritiske og lønnsomme aktiviteter gjennomføres i tider med ledig kapasitet i leverandørindustrien. Dette gjelder plugging av brønner, det gjelder vedlikehold og modifikasjoner, og det gjelder tiltak for økt utvinning. Vi mener at det må gjøres en vurdering av hvorvidt permitteringsregelverket fungerer for denne næringen, og vi mener at det må ses på hva som kan gjøres for å sikre at relevante linjer ved videregående skoler ikke legges ned som følge av at selskapene i dagens situasjon ikke rekrutterer. Vi vet at vi om få år vil se en bølge av pensjonister ut fra denne næringen, noe som kan være med på å forsterke de negative virkningene av den brutale nedbemanningen vi ser i dag. Vi har også i lengre tid sett en trend med forsinkelser og store overskridelser på utbyggingsprosjekter. I Oljedirektoratets rapport om dette temaet framkommer det at forsinkelser og overskridelser bl.a. kommer som følge av manglende kjennskap til NORSOK-standarder, HMS-regelverk og mangler ved prekvalifisering og oppfølging av leverandører. Vi har gang på gang sett at norske leverandører taper anbudskampen mot asiatiske verft,

kan sikre at kontraktstrategier og gjennomføring bidrar til at våre overordnede mål for petroleumspolitikken nås. Vi har også merket oss bekymring fra både industrien og fagbevegelsen med hensyn til hvorvidt HMS-standard tillegges tilstrekkelig vekt når kontrakter tildeles. Korea, som har fått mange oppdrag for norsk sokkel, har en dødsfallrate per 100 000 årsverk på 12,5, mens tilsvarende rate i norsk industri er på 0,9. Ingen må tro at vårt høye nivå på helse, miljø og sikkerhet kommer av seg selv, eller at det er gratis. Når det på Goliat-plattformen blir registrert tre dødsfall på verftet, bør det påkalle vår oppmerksomhet. Vi kan ikke godta at liv og helse blir en konkurransefaktor, hvor den som nedprioriterer dette, vinner anbudskampen. La meg også føye til:

også følger prosjektene fra start til de er ferdig installerte og i drift på sokkel. Det er ikke første gangen vi opplever nedturer som vi nå ser. Det som er annerledes nå, er at vi har en Høyre–Fremskrittsparti-regjering ved roret som bagatelliserer situasjonen og overlater til markedet å løse problemene. Statsrådens harselas med dem som mener at det må settes inn tiltak, minner meg om Marie Antoinettes reaksjon på det franske folkets krav om brød: Kan de ikke spise kaker, da? Med dette tar jeg opp de forslag som Arbeiderpartiet sammen med andre står bak i innstillingen. Representanten Per Rune Henriksen har tatt opp de forslagene han refererte til.

jeg har olje over hele Nordsjøen, men brønnen er under kontroll. Samtidig hadde Seabourn sendt en melding inn til kontoret i Stavanger: «Jeg erklærer herved at Nordsjøen, herfra til Nordpolen, er et stort oljebasseng». Med disse ordene ble Norges historie som oljenasjon forseglet. Funnet til «Ocean Viking» og Phillips denne natten i september kom på tampen av det som hadde vist seg å være en svært skuffende andre konsesjonsrunde på norsk sokkel. Fra den første optimismen noen år tidligere var det nå flere som Etter flere tørre brønner og mislykkede forsøk på å finne det sorte gullet under den norske havbunnen, var Phillips klare til å takke for seg. Hadde det ikke vært for vissheten om at de måtte betale staten en million dollar for å løse seg ut av boreprogrammet de var forpliktet til å gjennomføre, hadde nok aldri denne siste brønnen blitt boret. Og alt ville kanskje vært veldig annerledes i dag. Funnet som fikk Ed Seabourn til å skrible beskjeden om norsk sokkel som et oljebasseng, skulle bli Ekofisk, og det skulle bli starten på noe større enn selv 1960-tallets største optimister kunne forestille seg. Det er nå 46 år siden man fant Ekofisk og 44 år siden det kom i produksjon. Det var, og er, et av de største funnene på norsk sokkel noensinne. I dag skal vi vedta utbyggingen av en ny norsk gigant, Johan Sverdrup. Jeg synes det er interessant å trekke linjen fra Sverdrup til Ekofisk, fra en gigant til en annen. Historiene til Sverdrup og Ekofisk deler mange likheter, og de minner oss om at selv i tider hvor man har følt seg tvunget til å innse at en drøm er forbi, kan virkeligheten forandres på et øyeblikk. Blokkene som skjulte både Ekofisk og Johan Sverdrup, ble begge tildelt i den første konsesjonsrunden på norsk sokkel, i 1965. I år er det 50 år siden denne første konsesjonsrunden, og i så måte er det fantastisk at vi akkurat i år vedtar utbyggingen av et felt som har ligget skjult i dette området helt siden den gang. I forbindelse med 50-årsjubileet uttalte direktøren i Oljedirektoratet, Bente Nyland: «Hadde operatøren Esso hatt tilgang til de dataene som fantes i 2010, kunne brønnen vært plassert et annet sted – og da kunne Johan Sverdrup vært det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel.»

Ikke siden 1980-tallet har vi funnet noe tilsvarende. Når produksjonen er på topp, vil feltet alene stå for rundt en fjerdedel av norsk oljeproduksjon. Forventet produksjonsperiode er på 50 år – med andre ord er sjansen stor for at mine fremtidige barnebarn en dag kan ha en jobb med tilknytning til aktiviteten på Sverdrup. I en tid hvor noen ivrer etter å feire at oljealderen går mot slutten i Norge, mener jeg det er riktigere å feire at vi fortsatt har mange gode år med norsk olje- og gassproduksjon foran oss.

ofte hørte om hvor utfordrende det var med skyhøye kostnader på leie av rigg. Nå ligger riggene i opplag, uten oppdrag, og prisene har falt dramatisk. For noen er det gode nyheter, for mange andre er det dramatisk. Det finnes mange lignende eksempler på hvordan situasjonen er snudd på hodet siden min første dag som stortingsrepresentant for halvannet år siden. Siden den gang har det forsvunnet 22 000 oljejobber, og mange opplever en personlig krise hvor de nå står uten jobb, men med de samme økonomiske forpliktelser som før. Huslånet skal betales, barn skal på fritidsaktiviteter, og mat må på bordet. Det er en krevende situasjon. Heldigvis finner mange raskt nytt arbeid, men det gjelder ikke alle. Derfor er jeg glad for at regjeringen har endret permitteringsregelverket, slik at flere nå kan unngå oppsigelse. Samtidig har vi økt antall tiltaksplasser og senket terskelen inn i arbeidslivet gjennom å modernisere arbeidsmiljøloven. Alt dette er viktige tiltak på kort sikt. Men kortsiktige løsninger gir ikke trygghet for fremtiden for dem som nå står uten arbeid. Som samfunn må vi derfor omstille oss, vi må skape nye arbeidsplasser og gi landet flere ben å stå på – ikke fordi oljealderen er forbi, men fordi det er fornuftig i et fremtidsbilde. Hvis det er én ting den nåværende situasjonen i olje- og gassnæringen viser oss, er det hvor sårbare vi er når denne næringen gjennomgår tøffe tider.

Jeg er også glad for at flertallet i komiteen slår fast i denne innstillingen at rammene for 23. konsesjonsrunde ligger fast. Samtidig jobber vi målrettet for å styrke Norges konkurransekraft. Vi legger til rette for fremtidens arbeidsplasser gjennom å satse på innovasjon og ny teknologi. Vi bruker 1,5 mrd. kr mer til dette nå enn i 2013, bl.a. gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SkatteFUNN-ordningen. Da jeg deltok på oljemøtet ordføreren i Stavanger, Christine Sagen Helgø, inviterte til for et par uker siden, ble denne satsingen trukket frem som svært viktig fremover av flere som deltok der. Vi skal holde trykket oppe. Samtidig har vi senket skatten for dem som skaper og investerer i norske arbeidsplasser, for å trygge disse for fremtiden. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet, senest i går, mente dette viser at vi «ikke forstår Norge». Men det siste et næringsliv under sterkt kostnadspress trenger, er 12 mrd. kr i skatteøkninger, som Arbeiderpartiet foreslår. Det har aldri vært et dårligere tidspunkt å øke skattene på enn nå.

Det norske oljeeventyret har vært et industrieventyr som har skapt flere hundre tusen arbeidsplasser og lokal verdiskaping siden starten på 1960-tallet. Sverdrup er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår, og investeringene knyttet til feltets første byggetrinn er på 117 mrd. kr. Selv om Norge står i en omstilling og må forberede seg på en fremtid hvor verdiskapingen fra olje og gass vil spille en noe mindre rolle i norsk økonomi enn den har gjort de siste årene, har industrien en lysende fremtid. Norsk olje og gass vil være med på å dekke verdens energibehov i flere tiår fremover. I en verden som kommer til å stille strengere klimakrav, er vi godt forberedt. Vår industri lever allerede godt med verdens høyeste CO2-avgift. Flere tiltak er tatt i bruk for å få ned utslippene fra sektoren, og industrien har satt i gang arbeid på flere fronter for å se på hvordan de ytterligere kan redusere sitt karbonavtrykk. Vi kan være stolte av at vi har en olje- og gassindustri i Norge som tar klimautfordringen på alvor. Det vil også gjøre norsk olje og gass konkurransedyktig i en grønnere fremtid, som stiller strengere krav til utslipp og ny teknologi. Johan Sverdrup vil få kraft fra land fra dag én av sin produksjonsperiode. Med det er store fremtidige utslipp fjernet før de engang oppstår. Sverdrup er et fremtidsfelt, et oljefelt vi har all grunn til å være stolte av, av flere grunner.

og alle forstår at det gir gode moglegheiter til utstyrsindustrien som så langt – og gledeleg nok – har kapra svært store delar av kontraktane til dette feltet. I motsetning til det vi såg for berre få år sidan, er norske leverandørar no konkurransedyktige, og vi har sloppe å sjå at dei store kontraktane går til verft i Asia eller i Austen. Det er vi svært glade for, og det viser at omstilling og konkurransekraft ikkje er noko ein må ta for gitt. Vi registrerer at olje- og gassindustrien i Noreg står i ein omstillingsprosess der både oljeselskap og leverandørindustri jobbar vidare med å styrkje eigen konkurransekraft, redusere kostnad og auke effektiviteten. Det spesielle med denne utbygginga, bortsett frå storleiken på feltet, er at kraftbehovet til Sverdrup-feltet vil bli dekt av kraft frå land frå produksjonsstart. Det vil redusere utsleppa frå dette feltet betydeleg, men med ikkje heilt ubetydelege kostnader. Petroleumssektoren er kvotepliktig og betaler allereie store summar for utsleppa sine, og dette er det brei einigheit om politisk. På grunn av storleiken på Sverdrup-funnet må feltet bli bygt ut i fleire byggjetrinn. Investeringsavgjerd og innlevering av plan for vidare utbygging og drift er venta i 2017, og planlagd produksjonsstart er i 2022. I innstillinga har Framstegspartiet gått ut av eit lite avsnitt som gjeld HMS, og dette er ikkje heilt utan grunn. Ein har over tid registrert at delar av HMS-arbeidet har blitt ein parodi som er effektivitetsavgrensande og fører til store meirkostnader. I debattar om dette har også næringa innrømt at det finst enkeltpunkt som utfordrar legitimiteten til HMS-arbeidet, og at ein no går gjennom dette med tanke på forbetringar. Det trengst. Det er signalet også frå dei tilsette som har dette regimet rundt seg dagleg i arbeidet sitt. Ingen er tent med at HMS-arbeid blir latterleggjort og dermed mistar betydinga si for ein trygg og sikker drift, så eg er glad for dei signala som kjem om at dette arbeidet med ein gjennomgang av HMS-systemet blir prioritert. Elles støttar Framstegspartiet krav til HMS-standard ved tildeling av kontraktar, i tråd med innlegget til saksordføraren i dag. Store delar av innstillinga som komiteen i dag debatterer, inneheld m.a. faktabeskrivingar om norske utslepp innanfor olje- og gassektoren. Det er eit faktum at Noregs utvinning av fossile ressursar er den mest klimaeffektive som finst, og at ein stadig er på jakt etter nye kutt. Det er bra, men når ein då ber til torgs argument om at vi må late store delar av petroleumsressursane liggje igjen i bakken, er det eit feilskjer av dimensjonar. Den dagen det eventuelt skulle skje, vil produksjonen bli erstatta av produksjon i andre land som gir frå seg eit langt høgare fotavtrykk klima- og miljømessig. Er det dette som er målet, løyser det slett ikkje utsleppsutfordringane og klimatrusselen, då den er global. Johan Sverdrup-utbygginga vil også bli viktig for norsk olje- og gassindustri, då utbygginga fell saman med ei tid prega av låg oljepris og lågare aktivitet i næringa, og ein ser at Johan Sverdrup-feltet også blir viktig og ein ser at Johan Sverdrup-feltet også blir viktig for annan etablert infrastruktur ved at olje og gass vil bli transportert høvesvis til Mongstad og Kårstø, der modifikasjonar og drift vil gi mange arbeidsplassar. Johan Sverdrup-feltet er eit av dei største oljefelta i Nordsjøen, og feltet kan ha ei levetid på meir enn 50 år, ja kanskje opptil 70–80 år. Avgjerda om å byggje ut feltet kjem til å auke norsk produksjon i åra framover og vil som sagt forlengje den norske oljealderen med mange tiår. er eg svært glad for. Denne produksjonen trengst i energimiksen i verda, då det er mange tiår før behovet for fossil energi vil bli lågare, og vår produksjon av denne energien er etterspurd, gir arbeidsplassar og økonomi til velferdssamfunnet vårt, og sist, men ikkje minst til den produksjonen som bidreg minst til utslepp av klimagassar. Det er grunn til å gratulere oss alle med dagen i dag, og takk til saksordførar Per Rune Henriksen for eit godt arbeid.
Neste replikant er Kjell Ingolf Ropstad.

Den har bidratt til en stor og viktig næringsutvikling, til en teknologiutvikling, og den har bidratt til å utvikle hele samfunnet. Det er en næring som har hatt store ringvirkninger for hele landet vårt, og som vil være viktig også framover. I Kristelig Folkeparti har vi vært spesielt opptatt av at vi ønsker en større utvinning av olje og gass på eksisterende felt. For det handler om forvaltninga, det er nå vi har sjansen til å ta det opp. Den dagen man stenger ned feltet, vil det være krevende og dyrt å komme i gang igjen. Vi har også vært opptatt av en videre satsing på leting og utvinning av nye felt, men også vært tydelige på at vi ønsker et noe lavere tempo enn det som har vært. Samtidig har vi vært opptatt av å skjerme spesielt har også vist seg gjennom samarbeidsavtalen vi har med regjeringa, der vi har fått viktige gjennomslag for f.eks. å verne områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen osv. Det viste seg også i debatten og vedtakene som ble gjort om åpninga av Barentshavet sør-øst, der Kristelig Folkeparti stemte imot en åpning av der Kristelig Folkeparti stemte imot en åpning av de sårbare områdene nord i det feltet. Den debatten dreier seg om iskanten, som skal tas senere i dag. Vi mener også at helse, miljø og sikkerhet er viktige dimensjoner, også fordi det er et fortrinn for Norge. Store deler av petroleumsressursene vet vi må ligge, og da vil klimagassutslipp av utvinninga, teknologi, kunnskap og kostnader spille inn. For at Norge skal være konkurransedyktig, må vi også være i front når det gjelder dette. Derfor er kraft fra land et viktig stikkord. I en krevende tid for hele næringa

klimagassutslipp. Kraft fra land er viktig der det er riktig, det har vært spesielt viktig for oss å presisere. For det er ikke sånn at hvert eneste felt kan elektrifiseres, men vi mener at Utsira er et av de best egnede områdene for det. Derfor er vi også veldig glade for at Stortinget strammer opp konklusjon, vedtak og vilkår i dag, og presiserer at kraft fra land må være på plass for hele området på Utsira innen 2022. Vi er også innforstått med at dimensjonering må ses i sammenheng, men å koble sammen plattformene, altså Gina Krogh, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup, er noe som kan ses uavhengig av oppstarten av byggetrinn 2. Det samme kan kraftkabel ut gjøre, for det er fullt mulig at den kan komme tidligere enn oppstarten. Derfor mener vi at det er stor fornuft i å se sammenhengen mellom dimensjoneringa og utbygginga av fase 2, men samtidig være tydelig på at kraft fra land for hele området må innføres innen 2022. Jeg mener også at det viktige vedtaket vi gjør i dag, og som vi har hatt et arbeid for over lang tid, er noe som må få konsekvenser for nye utbygginger og nye opprustninger av må prege det arbeidet fra regjeringens side. Stortinget sier klart og tydelig at det er dette vi mener er riktig – når det også er riktig på det aktuelle feltet, når forholdene ligger til rette for å ta kraft fra land i bruk. Vi er glade for at Stortinget gjør dette vedtaket, at vi har samlet en – så å si i hvert fall – enstemmig komité og et enstemmig så å si i hvert fall – enstemmig komité og et enstemmig storting – bak det viktige vedtaket som gjelder å redusere eller hindre at det kommer flere klimagassutslipp, og også prinsippet om at kraft fra land må være hovedregelen. Det må være utgangspunktet. Det fins gode grunner for at det ikke skal gjøres noen steder, men jeg er veldig glad for at vi lykkes med det her, og at vi får til en områdeløsning. Ønsker representanten å ta opp det forslaget Kristelig Folkeparti sammen med andre har fremmet? Det ønsker jeg. Da har representanten Kjell Ingolf Ropstad tatt opp det forslaget han

29 år siden – har Stortinget gjort et vedtak om å bygge ut et så stort olje- og gassfelt som det en i dag gjør. Hvis en bare ser på oljeressursene, har en ikke gjort et så vesentlig vedtak om utbygging siden 1981, da Gullfaks-feltet ble vedtatt utbygd. Så det er i sannhet en stor beslutning som Stortinget i dag bidrar til. Det er en viktig beslutning for norsk petroleumsnæring,

og regjeringspartiene i stor grad inntar en passiv vente-og-se-holdning. Det synes Senterpartiet er for passivt. Vi mener at det er mulig og riktig å støtte en rekke tiltak som nå bør vurderes gjennomført, slik at en beholder både kapasiteten og kompetansen i norsk leverandørindustri i den kneika en er inne i. Den kompetansen og kapasiteten kommer vi til å trenge i årene framover, også dersom tidene blir bedre, og det vil være synd om man i en nedgangsperiode opplever at næringen dreneres for kompetanse som det vil være bruk for seinere. Det er ikke tvil om at situasjonen i leverandørindustrien til dels er et resultat av et høyt kostnadsnivå, og at det er viktig og riktig at både leverandørindustri og olje- og gasselskap tar grep når det gjelder kostnadsnivået. Så har jeg lyst til å si at jeg var litt forundret over statsrådens uttalelse i Dagens Næringsliv i dag: «Om det skapes flere arbeidsplasser av at jeg sitter i møter med Konkraft, er jeg usikker på, harselerer Lien.» Jeg synes det er en litt underlig uttalelse, for samspillet mellom selskap, leverandørindustri og myndigheter har bestandig vært viktig i norsk oljenæring. Det har kanskje ikke vært så synlig i oppgangstider. Derfor har kanskje ikke INTSOK eller NORSOK eller Konkraft vært så veldig synlige fra 2003 og framover til i dag. Men de har vært veldig viktige i de periodene som har vært tøffe, og INTSOK, som ble etablert i 1997, var uhyre viktig i 1998 og 1999 da nedgangstidene slo inn den gang, men også for å bidra til en internasjonalisering av både leverandørindustri og oljeselskap under sentrumsregjeringens arbeid.

Elektrifisering er et av de områdene der vi kan utnytte tilgangen til fornybar energi i landet vårt. Det har vært en omfattende debatt om elektrifisering av feltene på Utsirahøyden. I fjor fattet Stortinget vedtak, og det følges videre opp i proposisjonen som diskuteres i dag, og komiteen har også lagt inn et vedtakspunkt om at rettighetshaverne skal etablere en områdeløsning som skal omfatte hele kraftbehovet til de fire feltene i 2020. Det er viktig, og det er nyorientering som er viktig for
Neste taler er representanten Heikki Eidsvoll Holmås

Men norsk petroleumsnæring og Norge står også overfor en brytningstid. Vi har den diskusjonen vi har hatt lenge, om at petroleumsnæringen skal holdes utenfor sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, som iskanten – som vi vil få en diskusjon om etterpå – Mørebankene og andre.

en løsning med kraft fra land på Johan Sverdrup-feltet, og at vi også får en områdeløsning som vil sikre at dette er på plass i 2022. Jeg vil også nevne at det var viktig at Stortinget i fjor vår tok initiativ til å ta opp spørsmålet om en områdeløsning med kraft fra land på hele Utsirahøyden, og at dette nå er et grunnlag for denne saken. Men så er det det internasjonale perspektivet. Det er ingen tvil om at det er en krise i norsk petroleumsnæring. Så langt er det vel 22 000 arbeidsplasser som er blitt borte. Vi har en situasjon med lav oljepris som det er all mulig grunn til å tro kan vedvare, enten det er på grunn av skiferolje – som får ned prisen eller økt produksjon i Saudi-Arabia, eller det er på grunn av situasjonen på lang sikt, at vi er nødt til å redusere forbruket av olje internasjonalt i årene framover. Det er ingen tvil om at det også for Norge vil være ressurser som kommer til å bli liggende, og som vi ikke kan hente opp i årene framover. Men det er først og fremst oljeprisen som kommer til å bestemme hvilke av ressursene som kommer til å bli liggende igjen i grunnen. Når det gjelder Johan Sverdrup-feltet: Er det ett felt man bør drive, er det nettopp et felt som har den lønnsomheten som Johan Sverdrup-feltet har, hvor man kan ha en produksjon med stabil, lav pris, som kan holde i mange år fram i tid. For Venstre er det ingen motsetning i å sette alle krefter inn på at vi skal redusere våre klimagassutslipp i Norge. Det gjelder på land, det gjelder ved å redusere utslipp i produksjonen på sokkelen – som vi også gjør på Johan Sverdrup-feltet – og å ligge i front internasjonalt med å utvikle en teknologi og et næringsliv som reduserer utslipp.

industrien eller innenfor andre næringer som har et mye mindre klimagassutslipp og fotavtrykk når det gjelder nettopp klimagassutslipp. Jeg er glad for at det er bred enighet i

Forslaget representanten refererer til, er allerede behørig tatt opp, så det vil komme til avstemning. SV stemmer i dag imot utbyggingen av Johan Sverdrup og foreslår at utbyggingen utsettes på ubestemt tid, og vi mener utbyggingen stiller oss som nasjon overfor et reelt dilemma mellom arbeidsplasser og inntekter i dag og klimaomstilling og langsiktig bærekraft. Dette er et dilemma som flere partier burde drøftet i stedet for å stemme for utbyggingen på autopilot. Johan Sverdrup-feltet er et av de aller største oljefeltene i norsk historie, med en levetid på 50 til 70 år. Beslutningen om å bygge ut feltet vil drastisk øke norsk oljeproduksjon og forlenge den norske oljeavhengigheten med flere tiår. Det er et paradoks, i en tid der oljebruken i verden må ned for å bekjempe klimaendringene. Norge må la olje ligge. Tall fra FNs klimapanel viser at den olje, kull og gass som vi allerede har funnet, inneholder fem til ni ganger mer CO2 enn verden kan slippe ut dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Da må vi slutte å legge nye investeringer i fossil energi og vri investeringene over i fornybare løsninger. Vi må særlig unngå investeringer i infrastruktur og produkter og produksjon som låser Norge og verden fast til store utslipp i lang tid, som Johan Sverdrup-utbyggingen gjør. Norge er et rikt land. Vi har tjent mye penger på å utvinne fossil olje og gass over flere tiår. Samtidig vet vi at verden må la fossil energi bli liggende ubrukt om vi skal bekjempe klimaendringene. Da er det rettferdig at Norge tar sin del av dette ansvaret ved å la oljen i Johan Sverdrup-feltet ligge. I Norge er vi under en promille av verdens befolkning, men står for 2 pst. av verdens oljeproduksjon og over 3 pst. av verdens gassproduksjon. Med andre ord henter vi ut en langt større andel enn vår rettferdige andel dersom vi skal stoppe farlige klimaendringer. Hvis ikke vi skal redusere produksjonen, hvem skal da gjøre det? Vi har ventet for lenge med omstilling. I Norge har vi vent oss til et investeringstempo i oljenæringen som vi vet aldri har kunnet vare evig. Fallende oljepriser har bidratt til permitteringer og økende arbeidsløshet. Vi i SV har i mange tiår advart mot for høyt oljeinvesteringstempo, og derfor har vi stemt imot flere oljeutbygginger og mot tildeling av mer areal for oljeleting. De store partiene i norsk politikk har ønsket en annen utvikling. Derfor vil omstillingen som nå kommer, være mer utfordrende, mer krevende, men like nødvendig. Stortingets svar på fallet i en allerede for stor oljenæring kan ikke være nye gigantinvesteringer i olje. Det er ikke framtidsrettet. Skal vi nå omstille oss til et grønnere, bærekraftig samfunn, vil lavere oljeinvesteringer gi større rom i økonomien til andre investeringer. Vi må sørge for å bruke kompetansen Norge har fra oljealderen, til å utvikle løsninger på klimaproblemet og til å bygge et grønnere norsk næringsliv. Derfor vil vi i SV ta initiativ overfor Stortinget til å utarbeide et bredt, grønt omstillingsprogram for norsk økonomi, for å ivareta arbeidstakere og bruke kompetansen fra oljealderen til å utvikle eksisterende og framtidige næringer. Vi har allerede fremmet forslag om satsing på nullutslippsteknologi i sjøfarten, demonstrasjonsanlegg for havvind og en storinnsats for å bygge ut jernbanen i årene som kommer. I vårt alternativ til revidert nasjonalbudsjett foreslår vi også en egen tiltakspakke mot arbeidsløshet og for grønn omstilling. I en tid der det ofte høres ut som alle partier kan være enige om et grønt skifte, en omstilling til et nullutslippssamfunn, kan det ikke være riktig når flertallet i dag vedtar at Norges største industriprosjekt i dette århundret skal være en oljeutbygging. I fjor tok SV initiativ til en allianse på Stortinget som sørget for at det stilles krav om utslippsfri kraft fra land til Johan Sverdrup og andre felter på Uten det hadde ikke alle Statoils planer om videre utbygging basert seg på kraft fra land, og uten det ville ikke utslippene fra feltene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg, som til sammen står for utslipp på 275 000 tonn, måttet stenge ned gassturbiner og benytte kraft fra land fra 2022, senest. Selv om SV nå stemmer imot utbyggingen av Johan Sverdrup, stemmer vi for de kravene som flertallet på Stortinget Olje- og gassnæringen har økt sine utslipp med 91 pst. fra 1990 og fram til i dag. Veksten i utslippene fra oljenæringen har vært drivkraften bak veksten i Norges samlede klimagassutslipp og er en hovedårsak til at Norge sliter med å nå de målene Stortinget har vedtatt i klimapolitikken. Det holder ikke lenger. Oljenæringen kan ikke lenger tillates å få ødelegge norske klimamål. Den erkjennelsen må også andre snart komme til. SV vil også framover være en pådriver for å stille klimakrav til alle olje- og gassprosjekter, slik vi har vært på Utsirahøyden. Steinalderen sluttet ikke på grunn av mangel på stein, og fossilalderen kommer ikke til å slutte på grunn av mangel på fossile ressurser, men fordi vi må slutte å brenne dem om vi skal ta vare på livet på jorden omtrent som vi kjenner det i dag. For oss i Norge betyr det at oljealderen uomtvistelig må gå mot slutten. Tiden for de store oljeutbygginger i Norge er forbi. Et nei til Johan Sverdrup fra Stortinget ville vært et tydelig signal til Norge og det internasjonale samfunn om at det er på tide å øke tempoet på omstillingen, ikke oljeutvinningen. Ønsker representanten å ta opp forslag? Jeg trodde alle forslagene var tatt opp av andre, men hvis det er noen som ikke er det, så gjør jeg det nå. Da har representanten Heikki Eidsvoll Holmås tatt opp forslagene nr. 5, 6 og 7, som Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De

Sånne hyrdebrev har historisk sett hatt stor betydning. Mange mener f.eks. at et hyrdebrev om å forbedre arbeidernes sosiale kår på 1800-tallet satte fart i kampen for bedre vilkår og rettigheter. Og mens 1800- og 1900-tallet åpenbart sto i arbeiderbevegelsens tegn, er det overordnede politiske perspektivet i vårt århundre nødvendigheten av å tilpasse menneskelig virksomhet til tålegrensene for jordas livsmiljø.

og dette gjør vi altså samtidig som at vi snakker stadig mer om at Norge skal være et lavutslippssamfunn og karbonnøytralt i 2050. Miljøpartiet De Grønne har for lengst gjort det klart at vi vil stemme imot planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet. Men et stort flertall på Stortinget nekter fortsatt å lee på en lillefinger for å begrense Norges suverent største klimapåvirkning, nemlig olje- og gassutvinningen. Beslutningsprosessen i oljesaker er kjemisk fri for muligheter til å vurdere klimakonsekvenser. Alle beslutninger er gjort, og alle investeringer er låst når Stortinget til slutt i dag har en liksomdebatt om ja eller nei til åpning. Når det nå en gang vedtas at Sverdrup skal bygges ut, støtter Miljøpartiet De Grønne vedtaket om at feltet skal elektrifiseres. Det er bedre enn ingenting, og det bidrar til en riktig retning i norsk energiutvikling. Men elektrifisering kutter 1–2 pst. av de klimagassutslippene som Sverdrup vil produsere, og det er nærmest provoserende å høre den ene representanten etter den andre framstille dette tiltaket som et stort og avgjørende bidrag for at Johan Sverdrup-feltet ikke skal bli et klimaproblem. Vi vet, som flere har vært inne på, at avhengig av hvem man spør,

Sverdrup-prosjektet sveiser dessuten norsk økonomi og norsk næringsliv fast til fossilalderen i enda flere tiår. Sverdrup vil båndlegge svære ressurser, store teknologimiljøer og titusenvis av høykompetente mennesker som burde vært kastet inn i utviklingen av Norges grønne næringsliv nå. Beslutningen om Sverdrup-feltet er ikke sammenlignbar med beslutningen om Ekofiskfeltet. Det var en beslutning vi vant på. Beslutningen om Sverdrup-feltet er en beslutning vi kommer til å tape på historisk. De Grønne kommer i dag, i tillegg til å stemme imot selve utbyggingen, til å foreslå at klimagassutslipp fra både produksjon og forbrenning av petroleum nå blir en del av de framtidige planene for utbygginger på norsk sokkel. Vi foreslår også at kraft fra havbasert fornybar energi skal kunne kobles til områdeløsningen, og vi er ganske overrasket over at dette forslaget ikke har fått bredere tilslutning, for én av de gode sidene ved elektrifisering av Sverdrup er jo nettopp at det nå omsider etableres en infrastruktur som åpner helt nye muligheter for utvikling av flytende havvind. Stortinget har liggende til behandling et annet forslag fra MDG om en seriøs havvindsatsing. Hvis det er en reell interesse for å overføre kompetanse og teknologi fra petroleumsnæringen til framtidsnæringer, som det snakkes så mye om, er vi nødt til å bruke denne typen muligheter. Sammen med andre partier fremmer vi også forslag om at det ved utbygginger skal gjennomføres en grundig analyse av klimarisiko, og at også elektrifisering av Gudrun-feltet og Sleipner-feltet utredes. Å åpne Johan Sverdrup-feltet er et vedtak på tvers av alle klimamål, i strid med en rettferdig fordeling av verdens gjenværende karbonbudsjett, og det er en utsettelse av det grønne skiftet i norsk næringsliv.

begynne med å si at denne dagen har jeg gledet meg til. Det er, som flere av talspersonene har vært inne på, en historisk dag for Norges største og viktigste næring. Jeg har lyst til å takke saksordføreren og komiteen for godt arbeid med dette og for gode og kloke beslutninger. Historien om norsk olje- og gassproduksjon er på mange måter et fantastisk eventyr, og det startet ikke langt unna den feltutbyggingen vi i dag diskuterer. Faktum er at det er mer enn 40 år siden første gang det og fordi man på grunn av innovasjon og nye måter å se Nordsjøen på boret letebrønn i vårt årtusen 200 meter unna den første letebrønnen, fant man den gang Aldous og Avaldsnes, som i dag er Johan Sverdrup-utbyggingen. Der vi har snart 50 år bak oss, vil Johan Sverdrup gi oss 50 år framover. Det er første gang siden Gullfaks-utbyggingen på 1980-tallet at vi i Stortinget behandler en sak i denne størrelsesorden. Det vil generere i størrelsesorden 1 300 mrd. kr i inntekter. 700 av disse milliardene vil havne i statskassen. Det vil i første utbyggingsfase generere 51 000 årsverk i Norge. Når det settes i drift, vil Johan Sverdrups første utbyggingstrinn sysselsette mellom 3 000 og 4 000 mennesker i Norge. Oljeplattformen er den største som noensinne er bygd på norsk sokkel, med 550 sengeplasser. Det er den suverent største kraft-fra-land-løsningen som noensinne er bygd, og hver eneste dag fra og hver eneste dag fra jeg mottok plan for utbygging og drift, til det første gang skal produseres olje i 2019, vil det hver time investeres mellom 2 og 3 mill. kr i dette fantastiske prosjektet. Utstrekningen på feltet er om lag 200 km2. Det er altså på størrelse med hele den regionen jeg bor i, Trondheims-regionen, eller hele Subsea Valley-klyngen på Østlandet. Det vil ikke bare komme Rogaland til gode. Dette er et prosjekt som vil komme hele landet til gode, gjennom både fordeling av inntekter og fordeling av den direkte sysselsettingseffekten prosjektet vil gi, samt at det vil sikre Norges rolle som stabil energieksportør til våre venner i Europa og andre steder i generasjoner foran oss. Totalinvesteringen er, som Stortinget vil være kjent med, i størrelsesorden 120 og inntektene vil ikke bare finansiere aktiviteter som vår generasjon trenger å finansiere – det vil også skape sysselsetting og verdier våre barnebarn vil ha nytte av. Jeg tror ikke det er noe særlig hemmelig at situasjonen for norsk leverandørindustri ville vært svært annerledes og mye mer krevende hvis ikke Johan Sverdrup-utbyggingen hadde passert gjennom Stortinget i dag. dag. Jeg er glad for å se at norske leverandører igjen viser sin styrke og sin konkurransekraft, og jeg er glad for å se at tette samhandlingen mellom operatører og leverandører på norsk sokkel – som har vært en del av suksessen i arbeidet som har vært gjort på norsk sokkel i generasjoner allerede – nok engang gir resultater ved at store kontrakter havner hos norske verft og hos norske leverandører. Det viser en næring som er godt i gang med en helt nødvendig omstilling og tilpasning til en ny konkurransesituasjon.

men det er også denne utbyggingen som muliggjør kraft-fra-land-løsning på de øvrige feltene på Utsirahøyden, som nevnt i proposisjonen. Det skjer mer på norsk sokkel enn Johan Sverdrup. Vi har produsert olje og gass fra norsk sokkel i snart 50 år, ca. halvparten av de utvinnbare ressursene på norsk sokkel er igjen. Det er produsert en større andel av oljen enn av gassen. Det er mye mer gass igjen. Det er store ressurser igjen på norsk sokkel. Vi har også åpenbart svært kompetente både operatører og leverandører som vil muliggjøre produksjon av disse ressursene i og selv om det nå er en noe krevende situasjon i næringen, er det fortsatt vår suverent største og viktigste næring. Hvis man slår sammen dem som jobber med energiproduksjon i andre deler av verden, altså leverandører til andre sokler i verden, og dem som er leverandører og ansatte i produksjon av olje og gass på norsk sokkel, snakker vi om i størrelsesorden 300 000 mennesker som er direkte fra hydrokarboner, i all hovedsak i sokkelproduksjon rundt omkring i verden. Denne næringen er størst enten man måler det i verdiskaping, i inntekter til statskassen, i investeringer – der er den suverent størst, nesten større enn alle andre næringer til sammen – i eksportverdi eller ikke minst, det aller viktigste for Stortinget, i finansiering av Den er også, som representanten Arnstad vel var inne på, Norges suverent viktigste distriktsnæring. Langs kysten, fra Fredrikstad til Kirkenes, har samtlige kommuner selskaper som leverer til industrien, og i nesten alle norske kommuner finner vi folk som jobber med å produsere energi fra sokkelen. Dette størrelsesforholdet er det viktig å ha med seg når man diskuterer rammene for aktivitet på norsk sokkel. Jeg har også lyst til å si at denne næringen er ikke bare stor, den er også en av de viktigste kildene til kompetanse for å utvikle andre næringer, som vi har sett mange eksempler på i det siste, enten det er havbasert fornybar kraftproduksjon, havbruk, fiskeri eller andre viktige norske næringer. Så er det, viktige norske næringer. Så er det, som mange har pekt på, krevende tider for norsk sokkel, men la meg begynne med å si at da jeg tok sete i Olje- og energidepartementet i 2013, med oljepriser på godt over 100 dollar

vi kommer fra to historiske rekordår. 2013 og 2014 var historiske rekordår. Investeringsnivået på norsk sokkel i 2015 og 2016 kommer til å bli tredje og fjerde høyeste investeringsnivå vi noensinne har sett. Det bakteppet mener jeg det er viktig å ha med seg. Så er det ikke noe problem for meg å erkjenne at for dem som mister jobben, er dette en helt reell krise.

mange kontrakter kommer hjem. I forrige periode mistet norsk leverandørindustri fem av fem store kontrakter. Jeg er glad for å se at leverandørindustrien har styrket sin konkurransekraft og nå vinner store kontrakter til norske verft. Det skal vi alle sammen være glade for. Fra regjeringens side har vi allerede styrket petroleumsforskningen. Vi har tett dialog med alle aktørene både i fagforeningene, i leverandørindustrien og industrien. Med det ser jeg tiden går ut, så jeg får komme tilbake til kakereferansen til representanten Henriksen ved en senere anledning. Det åpnes for replikkordskifte.

Vi så på dette som en stor samfunnsmessig utfordring, og vi satte inn tiltak for å få gjort disse tingene – tiltak som har ledet fram til at norsk leverandørindustri i dag kaprer kontrakter. Det vi ser fra regjeringen nå, er at passivitet blir opphøyet til en dyd i kampen for å få sikret en framtid for Vi ser i avisen statsråden si at dette ikke er noen krise, vi ser Stavanger-ordføreren si at dette er krise, og vi ser Ståle Kyllingstad fra IKM si at dette er krise. Statsråden vil åpenbart ikke gjøre noe mer enn han gjør. Da vil jeg stille spørsmålet om det var feil å ta politiske initiativ i 1993, i 1997 og i 2001, eller holder disse initiativene for all

det som er aller viktigst – det som er svært gledelig, og som virkelig er viktig for varig framtidig verdiskaping fra norsk sokkel, sysselsetting og inntekter til statskassen – er nettopp stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene, og det er de brede, store kompromissene i Stortinget. Jeg mener at representanten Henriksen og jeg i dag kan glede oss over at vi ikke bare i denne saken, men i flere andre saker i løpet av dagen, viser næringen at de store, brede oljepolitiske kompromissene fortsatt ligger fast, med stabile, forutsigbare rammer og tilgang på nye arealer. Det er det som vil sikre sysselsetting og verdiskaping også i tiden som ligger foran oss.

tiltak fra statsråden for å gjøre en innsats på dette området. Min frykt er selvfølgelig at vi får en høyere arbeidsledighet. Dette er en fæl situasjon for dem som kommer ut i arbeidsledighet – jeg har selv gått arbeidsledig i over ett år, så jeg vet hva det er. Det er også en forferdelig situasjon for det norske samfunnet, og det vil være en tøff situasjon for bransjen når vi vet at det vil komme en oppgang om noen år. Skal vi da få en ny kostnadsgalopp fordi selskapene skal kjøpe seg til kompetanse og kapasitet i et stramt marked? Det er det vi er redd for. Derfor vil vi ha tiltak for å dempe fallet og gjøre det mulig å ha en effektiv næring som går inn i bedre tider om noen år. Konkurransekraften til industrien er først og fremst industriens ansvar – leverandører og operatører i fellesskap. Til virkelighetsbeskrivelsen, når representanten Per Rune Henriksen er veldig opptatt av å kalle dette en krise, har jeg lyst til igjen å minne om at investeringsnivået i 2015 og 2016 kommer til å bli større enn det var i 2009, i 2010, i 2011 og i 2012, og så hadde vi rekordårene 2013 og 2014. Vi ser i år og for neste år et lavere aktivitetsnivå enn i 2013 og i 2014, men vi kommer altså fra et historisk høyt nivå. Det er vi kommer altså fra et historisk høyt nivå. Det er helt nødvendig at industrien, leverandører og operatører, tar tak i kostnadsutviklingen vi har sett. Regjeringen har levert når det gjelder nye arealer, vi har levert med hensyn til stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene, og vi har styrket myndighetenes innsats for forskning og teknologiutvikling på norsk sokkel. Neste replikant er Kjell Ingolf Ropstad. Presidenten gjør oppmerksom på at replikklisten nå er fulltegnet. Ropstad. Presidenten gjør oppmerksom på at replikklisten nå er fulltegnet. Først vil jeg si at jeg er enig med statsråden i at det avgjørende nå er å føre en forutsigbar og god politikk for å sikre næringsutvikling og trygge arbeidsplasser – det er vekstfremmende skattelette, og det er satsing på infrastruktur, forskning og teknologiutvikling. Der skjer det mye bra. Vi er i en krevende tid, samtidig som vi i en krevende tid, samtidig som vi vet at det også skal være en omstilling. Da gjelder det å ta vare på kompetansen, sikre hvert enkeltmenneske som mister jobben, og forhåpentligvis se en kostnadsutvikling som gjør norsk industri enda mer konkurransedyktig, slik at vi kan videreutvikle den kompetansen vi har. Mitt spørsmål – siden listen er fulltegnet – handler om den endringen som Stortinget gjør i konklusjon og vilkår, punkt 3, der vi ikke følger statsråden i å koble på andre byggetrinn, som er planlagt å ha oppstart i 2022, men der vi sier at kraft fra land skal komme til hele området innen 2022. Mitt spørsmål er: Hvordan tenker statsråden – i sin dialog med selskapene – å forsikre seg om at det blir oppfylt?

være. Derfor har vi hele tiden vært opptatt av at disse tingene skal ses i sammenheng. Departementet lever utmerket godt med det vedtaket som er gjort, og vil følge det opp, så lenge vi kan være trygge på at vi kjenner til kraftbehovet på Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn før innretningen er på plass Statsråden har i utgangspunktet rett i at konkurranseevnen er

og KonKraft medførte en veldig fornuftig dialog mellom myndigheter og topplederne i industrien. Det virker som om statsråden og regjeringen nå rett og slett sitter stille i båten og håper på at dette skal blåse over, og da er egentlig mitt spørsmål: Når blir situasjonen alvorlig, eller hva skal til for at statsråden synes at situasjonen er alvorlig nok til at han ikke bare sitter og avfeier de merknadene som kommer, men faktisk er villig til å sette inn verktøy? Og hvilke verktøy kunne regjeringen tenke seg å sette inn dersom situasjonen blir alvorlig? Jeg mener at det aller, aller viktigste regjeringen og stortingsflertallet kan og bør bidra med, er stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene – dette med prosjekter som skal produsere olje og gass i alt fra 15 til 50 år. Det handler om å gi industrien tilgang på nye arealer, som regjeringen holder på med, med god støtte fra bl.a. Senterpartiet. Og vi har allerede styrket myndighetenes innsats for styrking av teknologiutvikling på sokkelen gjennom DEMO 2000-programmene og PETROMAKS. Så har jeg lyst til å forsikre om at jeg snakker med både leverandørindustri og operatører regelmessig. jeg snakker med både leverandørindustri og operatører regelmessig. Jeg hører ikke noe rop fra dem om kraftige endringer i rammevilkårene, det må jeg innrømme. Så har jeg lyst til å minne om at vi vil ha et høyere aktivitetsnivå på norsk sokkel i år og neste år enn i seks av de åtte årene som den rød-grønne regjeringen satt, uten at jeg hørte noe rop om noen krise den gangen.

Komiteen forventer at en slik prosess gjennomføres i forkant av beslutningen om hvordan varmebehov for Edvard Grieg dekkes.» Spørsmålet mitt er veldig enkelt: Har statsråden merket seg denne merknaden, og kommer han til å følge den opp?
Jeg har merket meg at Stortinget har vært opptatt av varmebehovet på Grieg. Selvfølgelig er dette et arbeid Olje- og energidepartementet vil følge opp. Det pågår allerede vurderinger av hvordan dette skal løses, og så vidt jeg vet, er dette nettopp en av de tingene Stortinget har vært opptatt av, nemlig at vurdering av elkjeler er en del av det arbeidet. Så dette vil selvfølgelig følge opp fra myndighetenes side. Det grønne sertifikat-regimet er inne i noe som ser ut som en bråbrems. Det er mye bra med det regimet, men det har ikke utviklet ny teknologi, og det har ikke skapt spesielt mange arbeidsplasser. Havvind har derimot potensial for begge deler. Det er en kjempediger potensiell energiressurs, og det er en type teknologi som er nærliggende for offshore-kompetansen som vi allerede har. Og så har Johan Sverdrup-feltet, med alle sine dårlige egenskaper, også den gode egenskapen at det både er et lønnsomt felt og altså rigges infrastrukturmessig på en måte som vil kunne danne en plattform for havvindutvikling. Har statsråden begynt å se litt lysere på muligheten for å bruke Johan Sverdrup-plattformen som en mulig plattform for en norsk havvindsatsing?

riktignok i stor grad hjulpet av tyske virkemidler for å få på plass mer vind, men det har definitivt vært et bidrag også til den norsk-svenske vindutbyggingen som har funnet sted. Så når det gjelder spørsmålet om havvind: Det er helt rett at skal det bli en realitet i fremtiden, så må vi ha en infrastruktur på plass, og kraft fra land kan være eksempler på den typen infrastruktur som vi må ha.

Dette vil medføre betydelige aktiviteter under både utbygging og drift, og det vil også ha gode ringvirkninger ved å skape arbeidsplasser både regionalt og nasjonalt. Men like viktig: Det vil gi store inntekter til fellesskapet. Det norske petroleumsskattesystemet har gjennom tiår tjent Norge godt, og verdiene har kommet hele det norske samfunnet til gode, for når enkelte selskaper har fått lov til å utnytte fellesskapets ressurser, har det også kommet fellesskapet til gode. Dette er heller unntaket enn regelen når man ser til land som har vært like heldige med å finne store petroleumsressurser. Den vanlige historien er at noen har tjent seg veldig rike, mens samfunnet har stått tilbake med lite. I Norge valgte vi en annen vei. Vi krevde at de som tjente på å utvinne fellesskapets ressurser, skulle betale tilbake. Det gjorde de, og det vil også skje med Johan Sverdrup-feltet. Bare i løpet av det første byggetrinnet er inntektene beregnet til om lag 1 000 mrd. 2015-kroner, og størsteparten av dette tilfaller det norske samfunnet i form av skatteinntekter. Likevel har den siste tiden vært fylt med dårlig nytt for Norges største industri. Konsekvensene av kutt og varslede nedskjæringer påvirker og angår mange, også utenfor industrien. Men det som i all hovedsak skiller denne situasjonen fra andre nedturer tidligere, er regjeringens manglende politiske vilje til å gjøre noe for å hindre de skadevirkningene vi nå ser. Selv om det er bred enighet om de overordnede målene og virkemidlene for norsk olje- og gassvirksomhet, er vi likevel avhengig av tiltak for dagens situasjon. Vi ser at antall arbeidsledige har økt kraftig, og at mange av disse er fra oljesektoren. Vi trenger tiltak, men det har regjeringen åpenbart ingen konkrete planer om. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet har hittil gitt norsk leverandørindustri store kontrakter. Men uansett hvor positivt det er, kan vi ikke la jubelen over kontraktstildelingen hittil overskygge det faktum at vi har store utfordringer å ta fatt på. Fra leverandørindustrien fortelles det om bråstopp i vedlikehold og investeringer, som fører til masseoppsigelser. Når ledigheten stiger og det er såpass mange arbeidsledige som direkte eller indirekte er knyttet til industrien, merkes det over hele landet, for ikke bare leverandørnæringer som gir tjenester i tilknytning til utvinning men også mer tradisjonelle fastlandsnæringer. Dette påvirker mange, for etter salg av olje og gass er leverandørindustrien vår største eksportnæring. Dette er en næring som leverer kunnskapstunge varer og tjenester, og ikke bare til norsk sokkel, men også til et tøft internasjonalt marked. Med alle sine arbeidsplasser, sin verdiskapning og sin kompetanse er det en vel så viktig del av vår oljeformue som oljefondet selv. Vi som politikere kan ikke sitte her og overstyre markedet, men vi må like fullt ta på alvor de utfordringene vi ser. Vi må lytte til dem som kjenner næringen, og finne både langsiktige og kortsiktige løsninger for hva som gagner samfunnet i sin helhet – og ikke minst: Vi må ta vare på den kompetansen vi har, for kunnskap er framtiden, og virksomheten kommer til å ha en sentral rolle for framtidig verdiskaping, sysselsetting og samfunnsutvikling. Til og med i et lavutslippssamfunn vil det være etterspørsel etter petroleumsprodukter, men derfor er det også viktig at næringen fortsetter å søke nye muligheter for å redusere sine egne utslipp og for å produsere med lavere karbonavtrykk enn det de gjør i dag. Dette er viktig for å nå de klimamålene som vi har satt, men også for at næringens konkurransekraft internasjonalt skal opprettholdes. Vi trenger langsiktige strategier for å legge opp til lavutslippssamfunnet og økt bruk av lavutslippsteknologi. Vi trenger også langsiktige og kortsiktige strategier for å bevare norsk inntekt og for å bevare lav arbeidsledighet. Men da må også regjeringen og stortingsflertallet vise politisk vilje til å hindre de skadevirkningene vi nå ser.

i tillegg bygger på Sosialistisk Venstrepartis egen St.meld. nr. 28 for 2010–2011, En næring for framtida, takker de i dag allikevel nei. Under debatten om St.meld. nr. 28, En næring for framtida, tok også representanten Snorre Serigstad Valen ordet, og da sa han: «I tillegg til den rikdommen olje- og gassressursene representerer for Norge, er det en gave at oljen i Norge har bidratt til større verdiskaping, bedre fordeling og bedre liv for mange i Norge, at det tas hensyn til miljøet og til andre næringer når beslutninger tas.» Man kan undres på hva som har skjedd i løpet av to år. Også Industri Energi mener at SV har gått altfor langt. Til Klassekampen i helgen sier Leif Sande at nå virker det som om SV har brutt alle bånd til fagbevegelsen en gang for alle. Jeg forstår Leif Sande i Industri Energi meget godt. Johan Sverdrup er et godt prosjekt, som gir velferd og arbeidsplasser i hele landet. Som sagt, Sverdrup er et godt prosjekt. Vi skal igjennom en omstilling, vi skal inn i en ny tid, og da er det viktig at vi har gode fundament som gir staten gode inntekter, slik at vi kan oppnå den endringen på en god måte. De beslutningene vi gjør her i dag, måte. De beslutningene vi gjør her i dag, gjør at vi skaffer landet gode inntekter, gjør at vi skaffer oss gode rom, gjør at vi kan gjennomføre de omstillingene til et grønt skifte som vi må gjøre, på en mye bedre måte enn ved å takke nei til disse inntektene, takke nei til disse arbeidsplassene og takke nei til den utviklingen som industrien også står for, og som vi også trenger bidrag fra for å kunne få til den omstillingen som vi alle lengter etter. Det er spesielt å høre det, og det er spesielt å takke nei til en slik mulighet. At det framleis er

som enno ingen veit heilt kva betyr, peikar IEA på at for å unngå samanbrot i energileveransane fram mot 2030 vil det også framover vera trong for store årlege investeringar for å kompensera for minkande produksjon i eksisterande felt. Og verda treng meir energi, og sjølv i det moderate klimavenlege scenario, togradersmålet, er IEA sitt anslag at verda treng 37 pst. meir energi i 2040. Regjeringa sin iver etter å snakka ned næringa står i motstrid til all optimisme rundt siste tildelingsrunde, med store forventningar til nye funn også i Barentshavet. Saman med ny optimisme etter nye funn og moglegheiter i Nordsjøen og i Norskehavet tilseier dette at leverandørindustrien vår må bevarast og utviklast og ikkje byggjast ned Utbygginga av Johan Sverdrup skulle løfta norsk leverandørindustri gjennom ein vanskeleg periode før aktiviteten på ny ville stiga av grunnar eg nettopp har nemnt. Trass i gleda over norske tildelingar så langt er det diverre eit faktum at utanlandsk innhald i desse kontraktane er høgt og veksande,

Når myndigheitene i starten av vår oljeæra skreiv ned «dei ti oljeboda» og vedtok petroleumslova, var det for å ha eit fundament for å sikra både industrielt og finansielt utbytte av aktiviteten på sokkelen. Når operatørselskapa nedprioriterer norske leverandørar til fordel for utanlandske, som gong etter gong viser at dei ikkje evnar å levera på tid, kvalitet og kost,

har sett seg nøydde til å skjerpa tonen overfor oljeselskapa fordi dei gjennom å skyva på prosjekt set optimal ressursutnytting i fare, som også er i strid med petroleumslova. Regjeringa sin definisjon på aktiv næringspolitikk synest no å vera generell skattelette og reversering av den forfeila innskjerpinga av permitteringsregelverket. Det kan jo vera mangel på fantasi, men det er nok heller uttrykk for tradisjonell høgrepolitikk om at marknaden si usynlege hand skal handtera alle situasjonar. Diverre vert resultatet like usynleg. Medan regjeringa nøler, ropar både bedrifter og tilsette på aktiv handling, og me i Arbeidarpartiet har lagt fram vår tipunkts plan for tiltak. I tillegg bør regjeringa lytta til partane sine krav om fleire arbeidsmarknadstiltak og BIO-midlar til kompetanseutvikling, gjerne kombinert med ytterlegare lempingar i permitteringsregelverket, med 52 vekers lengd på permitteringsperioden som viktig verkemiddel. Vi må også hugsa på at noverande teknologi- og kompetansemiljø i oljenæringa vil garantert utgjera ein viktig del av grunnlaget for den grøne
da står representanten Tina Bru

Det er utvilsomt sånn at utbyggingen av Johan Sverdrup er viktig og kommer i en meget gunstig tid, da hele petroleumsnæringen er inne i en meget krevende tid. «Krise», sier Høyres Christine Sagen Helgø. «Krise», sier oljeleverandør Ståle Kyllingstad. «Krise» må vi anta at de over 20 000 som har mistet jobbene sine i den siste tiden, sier. tiden, sier. Tiden som kommer, blir langt verre, sier Norsk Industri. Det sier også Rederiforbundet og SSB, og NHO gjennom sitt barometer sist uke stadfester nettopp det samme: Tiden som kommer, blir langt verre i arbeidsmarkedet. 2016–2017 blir vanskelig. Ledigheten kommer til å være og den kommer til konstant å være høyere enn i de åtte årene før denne regjeringen tiltrådte – konstant høyere enn i de åtte årene før denne regjeringen tiltrådte. Krise for folk, men ikke for industrien, sier olje- og energiministeren, samtidig som han tillater seg å harselere over de forslag som er framsatt i saken. Vi har ikke sagt at forslagene er fremmet som en fasit på løsningen når det gjelder situasjonen, men det er langt mer enn hva statsråden har gjort, for han har gjort ingenting med tanke på den situasjonen som nå gjelder. I perioden 2005–2013 ble 350 000 flere sysselsatt, 200 000 flere sysselsatt i privat sektor – det til tross for tidenes største tilbakeslag i verdensøkonomien. Høy sysselsetting og god økonomi var noe regjeringen overtok. Skattelette har vært denne regjeringens mantra og er denne regjeringens svar på enhver utfordring som oppleves – skattelette til enkeltpersoner med formue.

behandler. Så sier representantene fra regjeringspartiene at det viktigste vi kan gjøre nå, er å sikre stabilitet og stabile rammebetingelser. Ja, Arbeiderpartiet står 100 pst. bak det. Men da skjønner jeg ikke hvorfor Høyre bruker all sin kraft på å prøve å skape usikkerhet om hva andre partier mener om forutsigbarhet for framtiden. Det er jo det de bruker sitt politiske engasjement til nå – å snakke mer om andre partier enn om hva de selv vil gjøre, i en situasjon hvor altså over 20 000 mennesker i løpet av kort tid har mistet framtidsmulighetene sine gjennom inntekt og arbeid. Noen har kanskje fått nye jobber, men den tiden vi nå går inn i, kommer til å være langt mer krevende, hvis vi skal tro Norsk Industri, Rederiforbundet, SSB og NHO. Det er jo normalt organisasjoner regjeringen lytter til. til. Da er mitt spørsmål: Hva vil olje- og energiministeren gjøre så norsk oljekunnskap ikke forvitrer og forsvinner under hans ledelse av departementet? Det hadde vært interessant å få vite: Hvordan tenker olje- og energiministeren på den tiden vi nå går inn i, i det korte bildet 2016–2017? For så langt, på to år, har han sagt ingenting.

og si at vi bruker mer tid på å snakke om andre partiers politikk. Jeg tror jeg hadde én setning i mitt innlegg om Arbeiderpartiet – én setning om hva de gjør, og det var at deres eneste svar i den situasjonen vi står i nå, er å øke skattene for næringslivet. Det mente jeg var helt riktig å påpeke. Jeg brukte ikke mer tid på å snakke om Arbeiderpartiet. Men flere har i dag tatt til orde for at regjeringen skal bruke politisk makt til å øke aktivitetsnivået på sokkelen, og frykt ikke: Det gjør vi allerede. Vi har rekordutlysninger i TFO-rundene, vi kjempet for Johan Sverdrup-feltet som vi i dag vedtar – sånn at det ikke skulle bli utsatt selv om Arbeiderpartiet og flertallet på Stortinget ønsket noe annet i utgangspunktet – og vi har foreslått en merknad i innstillingen hvor vi slår ring om petroleumslovgivningen. Det er forutsigbare og stabile rammevilkår som er det aller viktigste. Men dette viser den store forskjellen på høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Vi mener vår viktigste oppgave som politikere er å skape trygge og forutsigbare rammer omkring våre næringer. Investeringsbeslutninger, ansettelser og utbytte skal ikke bestemmes av Stortinget, det skal bestemmes på generalforsamlingene og i styrerommene. Venstresiden mener vi fra Stortinget skal legge oss opp i alt. Vi mener det er grenser for politikk. Arbeiderpartiet ser behov for sterkere kontroll over næringen fra myndighetene, og sammen med Senterpartiet foreslår de åtte tiltak i innstillingen om Johan Sverdrup – kanskje i egen frustrasjon over hva som skjedde da de selv satt i regjering og alle kontraktene på de store utbyggingene gikk til utlandet. De ønsker bl.a. å sikre at petroleumsfaglige linjer ved videregående skoler ikke legges ned et litt merkverdig forslag. Vi deler bekymringen for at yrkesfagselevene på petroleumsfag i videregående skole nå har utfordringer med å finne læreplass. Det er et løft vi alle må ta sammen. Derfor har vi lansert et yrkesfagsløft for å styrke kvaliteten på utdanningen. Vi har også økt lærlingtilskuddet, som er den ene tingen alle bedrifter fremhever som det absolutt viktigste for å kunne ta imot lærlinger. Men man er nødt til å dimensjonere utdanningstilbudet etter hva som er næringslivets behov. Det er det en lang tradisjon for i Norge, det er det fylkeskommunene gjør i samarbeid med partene i arbeidslivet hvert eneste år. Å gjøre noe annet er å lure elevene. Vi vet at den største grunnen til «dropout» blant yrkesfagselever er når de ikke får læreplass. Derfor kan man heller ikke legge opp et utdanningstilbud som ikke har en

sa. Så rettet han det opp, men han sier fortsatt at vi ikke kan være uberørt av det. Hva betyr egentlig det? Det er ikke vi som vil diskutere utvinningsgraden på feltene på norsk sokkel, sånn som Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet tok til orde for. Og det er ikke vi som har sådd tvil om utviklingen i Barentshavet, slik Arbeiderpartiet er i ferd med å gjøre og kommer til å gjøre i den neste saken vi skal diskutere her i salen i dag. Dagen i dag er en stor dag. Olje- og gassnæringen i Norge er

reist som rallar og slusk i næringen i over 20 år. Jeg har ca. 20 år på blåmyra – fra Irskesjøen til Tyskebukta, til Ekofisk – før jeg endte opp på Heidrun utenfor Nordland. Jeg forstår meget godt hva denne næringen betyr for de arbeiderne og ansatte som på den ene eller andre måten er knyttet opp mot næringen. Derfor er det en gledens dag – at et bredt flertall på Stortinget er for å bygge ut Johan Sverdrup. Det synes jeg også representanten Terje Aasland kunne ta inn over seg og faktisk kunne si at det er en gledens dag, for vi bør ikke bruke enhver anledning til å prate ned den ene næringen etter den andre. Dessverre er det også slik at vi opplever at Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti ønsker å legge ned store deler av olje- og gassnæringen. Det vil bety at store deler av industrien vil bli nedlagt, med de følgene det vil få for Agderfylkene, Oslo, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og hele Nord-Norge. Det er bare trist og uforståelig. Det kan virke som begge partiene er veldig opptatt av å snakke om fellesskapet og fordeling til fellesskapet. Problemet er at verken Sosialistisk Venstreparti eller Miljøpartiet De Grønne vil være med på å skape noe som helst. Det vil altså ikke være noe å fordele. Det er et problem. Slik har det vært med Sosialistisk Venstrepartis forhold til olje- og gassnæringen siden den kom til Norge. De har alltid gått imot alle forslag til utbygging, men fordelingen, den ønsker de svært gjerne å være med på. Avslutningsvis registrerer jeg at representanten Aasland ønsker å prate om den ene krisen etter den andre vi kan vel snart kalle ham for en krisemaksimeringsekspert. Men jeg vil bare nevne at når vi snakker om den marine næringen, ønsker en altså i dag, under en blå-blå regjering, å flagge tilbake til Norge – for øvrig en næring som flagget ut fra Norge under de rød-grønne og regimet til Terje

Det er nesten uvirkelig etter at vi har jobbet med denne innstillingen, hvor vi har etablert nettopp et ganske klart uttrykk for at politikken ligger stabilt, vi er etter denne saken, om iskanten, er vi klinkende klare på at rammene fra åpningsvedtaket for Barentshavet sørøst ligger fast, og at det også danner rammene for 23. konsesjonsrunde, så jeg forstår rett og slett ikke det intense behovet Høyre har for å så tvil om at det er et bredt flertall bak oljepolitikken som føres i dette landet. Det blir rett og slett underlig, og jeg vil utfordre representanten Bru til å forklare hvorfor det er interessant å trekke fram et utsagn, noen debattinnlegg eller tanker som har kommet fra enkelte arbeiderpartipolitikere for halvannet år siden, og ett år siden, i den debatten som vi har nå, når det vi diskuterer her, er rimelig klart for alle som ønsker å se det – ikke minst for dem som har lest innstillingen. Vi skal stå fast på det som har vært en god politikk for norsk oljeutvinning i alle år – i 40 år. Men det betyr ikke at vi står fast som statuer, upåvirket av hva som ellers måtte skje rundt oss. Det har heller aldri vært norsk petroleumspolitikk. Norsk petroleumspolitikk har vært å tilpasse politikken og politikkens redskaper til den situasjonen som har vært til enhver tid, for målet vårt har nemlig vært å få størst mulig samfunnsmessig gevinst av den økonomiske virksomheten og de inntektene som vi får, og den industrielle aktiviteten som dette gir. Man har alltid satt inn tiltak for å få til en ønsket utvikling. Vi satte ned riggutvalget i den rød-grønne regjeringen for å se på kostnadsbildet på riggsiden og for å se på kapasitetssiden. Vi opprettet forskningssentre for å se på hva mulighetene og begrensningene er når vi nå i mye større grad beveger oss nordover enn det vi har gjort tidligere. Vi har også bevilget og tatt initiativ til forsknings- og utviklingsprogrammer beveger oss nordover enn det vi har gjort tidligere. Vi har også bevilget og tatt initiativ til forsknings- og utviklingsprogrammer for å tilfredsstille bransjens behov for kunnskap og teknologi. Og vi har støttet utviklingen av yrkesfaglinjer for å få sikret industrien den nødvendige kompetansen. Det er det som har vært politikken. Begrunnelsen for å gå inn i disse tiltakene fra samfunnets side, er nettopp at vi har en forståelse av hele denne industrien. Denne industrien skal tjene samfunnet. Når denne industrien er ute i de problemene som den er i nå, blir det for lettvint, det blir feigt og det blir direkte skadelig når høyresiden sier at dette skal bransjen selv ordne opp i. Alle problemer som skapes for samfunnet for framtiden, legges i hendene på deltakerne i styremøter rundt i oljeselskaper. Det kan vi ikke leve med. Vi må sørge for at det også er en politisk styring og en politisk hånd på rattet. Det er ikke sånn at vi sier at vi skal bestemme hva som skal investeres hvor og når osv., men vi skal følge opp den tradisjonen vi alltid har hatt som politikere, at det er en politisk styring av virksomheten i landets største industri, som er den desidert viktigste inntektskilden for landet, den største kilden til sysselsetting og en god kilde til både teknologisk utvikling og samfunnsutvikling i hele landet. Sånn må det fortsatt også være. Da synes jeg vi må være enige om det vi er enige om, og så må vi heller ta tak i det som er problemer, ikke skape problemer, sånn som representanten Bru her prøver å gjøre.
neste valg, eller om de er fornøyde med utviklingen. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Eg vil knyta nokre kommentarar til mindretalsforslag nr. 8, om havvind. Venstre har stor sans for forslaget. Skal ein koma i nærleiken av utsleppsreduksjonane som togradarsmålet føreset i 2050/2060, vil fornybar energi verta ein stor knappheitsressurs i løpet av berre eit par tiår.

betyr at i nærområdet er det behov for 70–80 gonger meir fornybar energi i løpet av nokre generasjonar enn det som i denne samanhengen er den puslete produksjonen av fornybar energi me driv på med, på 130–140 TWh. Havvind er utvilsamt ein av teknologiane som vert avgjerande for at vêret skal løysa klimaproblemet – og dette skal me. Uavhengig av om Noreg skal ta ut potensialet me har som storprodusent av fornybar energi frå havvind, eller ikkje, veit me at det kjem til å verta investert i tusenmilliardarsklassen worldwide i havvind dei neste åra. Leverandørindustrien vår er vel kanskje for lengst inne i denne marknaden, men skal me politisk leggja til rette for at dei verkeleg får full effekt av den eineståande offshore-kompetansen dei har, også innanfor havvind, trengst det utvilsamt ein heimemarknad for uttesting og utvikling av ny teknologi. Eit fullskala pilotanlegg tilknytt Johan Sverdrup-feltet kan vera svaret på eit sånt behov. Men enten eit pilotanlegg skal realiserast her eller ein annan stad på sokkelen,

Olje og gass som har vore, og som no òg vil kunne vere, ei næring med store ringverknader for heile Noreg, betyr mykje for mange lokalsamfunn. For den regionen som eg kjem frå, Nordhordland, vil den lokale utbygginga av oljerøyrleidninga til Mongstad gje 200 årsverk over ein periode på fire år. For ein region med 45 000 innbyggjarar blir dette lokalt beskrive som eventyrleg. Det gjev ein region som har begynt å ane mørke skyar i horisonten, nye moglegheiter og ny gjev. Johan Sverdrup er eit av dei største funna på norsk sokkel sidan midten av 1980-talet og vil utan tvil gje eit stort løft til store delar av norsk næringsliv. Av investeringane på 12 mrd. kr knytt til ilandføring reknar Statoil med at halvparten vil gå til norske leverandørar. Eg er stolt av norsk leverandørindustri, som er svært konkurransedyktig på den internasjonale marknaden. For Stord, eit samfunn heilt avhengig av leverandørindustrien sin, har ein, etter tap av åtte kontraktar, no endeleg vunne den niande. Vedtaket om Johan Sverdrup-feltet gjer at ein lokalt igjen har fått trua på at den norske leverandørindustrien kan konkurrere internasjonalt, og at han faktisk framleis er med i verdseliten. Framtidstru er kanskje det aller viktigaste vi treng akkurat no. Vi veit at omstilling ventar, og vi pliktar å leggje det aller beste grunnlaget. Det vil vere trygge rammer og framsynt planlegging. Jeg kan forsikre alle som er

Jeg har heldigvis også god dialog med de fleste fagforeningene som er representert på norsk sokkel, noe jeg var veldig glad for i fjor vår. Da virket det på et tidspunkt ikke helt som om Arbeiderpartiet var like opptatt av stabilitet og forutsigbarhet, når man 16. mai gikk ut med en uttalelse som, hvis den hadde kommet i Stortinget noen måneder senere, i realiteten ville medført at vi ikke kunne hatt den debatten vi har nå. Jeg er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med norske fagforeninger, klarte å få på plass et kompromiss i Stortinget som gjør at det i dag er mulig å ha denne debatten, og at vi allerede nå har fått tildelt kontrakter på nesten 30 mrd. kr til en leverandørindustri som er inne i en krevende periode, kontrakter på nesten 30 mrd. kr til en leverandørindustri som er inne i en krevende periode, og at det er mer i prosess. Jeg har flere ganger i dag prøvd å si at jeg har ingen problemer med å anerkjenne at dette er en krise for folk som mister jobben. Jeg har ingen problemer med å anerkjenne at store deler av leverandørindustrien i varierende grad står i en svært krevende tid. Men det er også sånn at kostnadene ved å produsere olje og gass på norsk sokkel må ned. Jeg er ikke enig med Ola Elvestuen og flere andre som har sagt at oljeforbruket i verden går ned. Det er rett og slett ikke riktig. Oljeforbruket i verden går opp, men produksjonen øker mer. Det er en av grunnene til at kostnadene må ned, men også det at vi så en utvikling der kostnadsnivået var svært høyt, gjør at vi er nødt til å få ned kostnadene. Én av de aller viktigste nøklene for å få ned kostnadene på norsk sokkel er ny teknologi. Derfor er jeg glad for at det brukes mer penger på forskning og teknologiutvikling for olje og gass nå enn det gjorde under den rød-grønne regjeringen. Min kollega, statsråd Torbjørn Røe Isaksen, har lagt fram en forskingsmelding som satser stort på realfag og teknologi, som denne og andre energiproduserende næringer vil ha nytte av. Min kollega, statsråd Monica Mæland, har lagt fram en maritim strategi som er til stor glede for både sysselsetting og næringene vi snakker om nå. Så til SV: At man ikke bryr seg om at man sier nei til 200 000 årsverk i utbyggingsfasen og produksjonsfasen, får så være, men man sier også nei til 700 mrd. kr i inntekter, som kunne finansiert 14 000 sykepleierårsverk.

Det er lite som tyder på at regjeringen følger opp sin egen trontale. Regjeringspartiene sier nå ja til oljeutvinning og ja til at et folk på mindre enn 1 promille av verdens befolkning hevder retten til enda større oljeutvinning, på tross av at vi allerede har 2 pst. av verdens oljeproduksjon og Med andre ord sier man ja til retten til å tjene oss enda rikere på å hente ut mest mulig av den svært begrensede mengden med olje som miljøet på kloden tåler. Vi er i en situasjon der folk i Norge ser på klimautfordringene som en av de to viktigste utfordringene i Norge i årene som kommer, og da står representanten Tina Bru fra Høyre og mener at det overhodet ikke er et dilemma med oljeutvinning på vei opp, i en verden der utvinningen av fossile ressurser må ned. tillegg latterliggjør hun Arbeiderpartiets leder, som erkjenner at det er et dilemma når minst fire femtedeler av verdens fossile ressurser må bli liggende, og som mener at det er noe vi må ta inn over oss og ikke kan være uberørt av – at Norge overhodet ikke skal være berørt av at vi må la fossile ressurser ligge. Det er altså et flertall av de politiske partiene i Norge som mener at det overhodet ikke berører Norge at store deler av verdens fossile ressurser må bli liggende, og som istedenfor sier: «Drill, baby, drill!» Det er ingen i regjeringen som følger opp i oljepolitikken at vi har begrensninger i klimagassutslippene. Vi må være klar over at Johan Sverdrup-utbyggingen kommer til å føre til at CO2-utslippene øker i Norge på grunn av produksjonsvarmen som de trenger. Og vi må være klar over at

til Odd Henriksen: Historien kommer ikke til å dømme dagens politikere for vår evne til å maksimere de kortsiktige gevinstene som olje rett foran nesen på oss betyr, men den kommer til å dømme oss for hvordan vi håndterer de store utfordringene. Og da er det ingen tvil om at de farlige klimaendringene er en sånn utfordring.

tar IEAs framskrivninger som et eksempel på og en begrunnelse for at de gode tidene med høyere oljepriser kommer tilbake. Det kan godt hende at oljeforbruket ikke går ned akkurat nå, men oljeforbruket kommer til å måtte gå ned når verden skal nå sine klimamålsettinger. En ting IEA ikke tar med seg, er jo trender, hvilke trender vi er inne i – både med prisutvikling innenfor solenergi og fornybar energi, med en utvikling for å få en transportsektor som blir mer og mer fossilfri, og ikke minst med den gryende og voksende politiske viljen til aktivt i verk tiltak for å redusere klimagassutslipp internasjonalt. Det er den virkeligheten vi må forberede oss på i en verden der det er mer enn nok olje, og der forbruket må gå ned. Da vil nødvendigvis også prisene måtte gå ned over tid. Og det er her vårt problem ligger. Det er ikke med Johan Sverdrup, på den kommer vi til å Men vi må forvente at i andre områder av norsk sokkel vil man få flere og flere funn som vil være ulønnsomme å hente opp, og man vil få flere og flere prosjekter som vil være helt marginale i forhold til et som er lønnsomt. I den situasjonen vil også risikoen i prosjektene bli større og større for den norske stat. Om vi nå skal redusere risikoen,

basert på fornybar energi som vi har i Norge, det er nå vi må utvikle det nye næringslivet for å bygge et norsk næringsliv som er mindre – og kommer til å måtte bli mindre – avhengig av petroleumsindustrien enn det er i dag. Representanten Tina Bru har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har

blant arkitektene bak utviklingen av norsk oljepolitikk slik vi kjenner den i dag. I en tid hvor flere partier tar til orde for drastisk å forringe rammevilkårene til industrien – noen partier i denne salen stemmer i dag til og med imot utbyggingen

De har blitt forklart, og de har vært tema for debatt både i og utenfor dette huset i lengre tid. Vi må bare registrere at Tina Bru ikke har fulgt med i den debatten, og heller ikke i de debattene vi har hatt her i denne salen, hvor dette har blitt tilbakevist gang på gang. Det burde være rimelig klart for alle at Arbeiderpartiet står for den politikken og de hovedlinjene som vi har stått veien. Jeg blir også litt forundret når statsråden viser til et angivelig kompromiss som ble gjort i fjor når det gjaldt kraft-fra-land-saken. Så vidt jeg har registrert, var det et enstemmig vedtak på de forslagene som kom, og som var oppe til diskusjon i den saken. Det var veldig bra at regjeringspartiene til slutt kom med på laget og vi fikk det vedtaket som gjorde at vi i dag kan diskutere utbyggingen av Johan Sverdrup – at de problemstillingene allerede er avklart. Det ville ha vært mye tyngre å ta en sånn avklaring nå. Så noen ord til SV og Miljøpartiet De Grønne, som har den oppfatningen at det er et moralsk riktig valg å avvikle norsk oljeproduksjon: Jeg mener at det er et feil utgangspunkt, og det mener jeg fordi – som proposisjonen viser, og som mange rapporter jevnt over viser – det vil være et stort behov for olje og gass i Vi får en fallende produksjon på produserende felt, og det vil være behov for å få satt nye felt i produksjon. Det er snakket om et behov på rundt 57 millioner fat ny produksjon i 2035 for å holde det nivået som er. Norsk oljeproduksjon er på 1,9 millioner fat i døgnet. Det er klart at hvis vi bare ensidig avvikler dette, vil det bli tatt igjen andre steder. Vi må sette inn den politiske innsatsen internasjonalt på å få til gode klimatiltak som tar utslippene, og som gjør at forurenser betaler. Det er det som har vært, og fortsatt bør være, norsk politikk, og det er det som virker på sokkelen. Vår oppgave i olje- og gassproduksjonen er å produsere med lavest mulig utslipp.

pågikk som verst, i mai og juni i fjor, framsto deler av Stortinget like mye som en LO-kongress som noe annet. Jeg tror nok at det i hvert fall er deler av fagbevegelsen som i likhet med meg var bekymret for om vi kunne ha denne debatten nå. Men jeg er som sagt glad for at vi fikk de vedtakene vi fikk i fjor, og også i år, sånn at vi nå får bygd ut dette fantastiske feltet og får skapt sysselsetting og verdiskapning i realiteten langs hele norskekysten. Det er mange som har vært inne på klima. Når det gjelder aktiviteten på norsk sokkel, kommer jeg aldri til å slutte å si at gass er en del av løsningen på å utvikle et lavutslippssamfunn som er innenfor rammen av togradersmålet. Det er jo ikke bare jeg som mener det. Det mener FNs klimapanel, og det mener EU, som blant de store økonomiene i verden må kunne regnes å være et klimapolitisk fyrtårn. Dette mener også IEA – som la fram en rapport i London på mandag, og i Brussel sammen med meg på tirsdag – som klart og tydelig sier at det er mulig å utvikle energisystemer i hele verden som både tar hensyn til behovet for energi til flere enn i dag og også tar hensyn til togradersmålet. Men da er det altså behov for ikke å bruke mindre gass, men å bruke mer gass enn tilfellet er i dag. Verden kommer også til å trenge mer olje. Jeg har lyst til å si at jo fortere vi når høydepunktet for utslipp av CO2, jo billigere blir det å nå togradersmålet. Men selv i et togradersscenario vil verden trenge mer energi – ikke mer olje, men fortsatt betydelig volum av olje. Da er det ingen land i verden som har noe i nærheten av så strenge krav til klimapolitiske virkemidler for sin energiproduksjon som vi har på norsk sokkel. så strenge krav til klimapolitiske virkemidler for sin energiproduksjon som vi har på norsk sokkel. Siden mange har vært innom både fornybar energi generelt og havvind spesielt, har jeg lyst til å minne om at den klart største enkeltleveransen til havvind noensinne levert fra Norge fortsatt er levert av Aibels offshore-verft i Haugesund – en kontrakt på 8 mrd. kr til tysk havvind. Det viser at kompetansen fra olje- og gassindustrien allerede brukes til å realisere fornybare energiressurser.

hvis den erstatter kull, men det gjør altså ikke norsk gass i særlig grad i dag. Den dagen olje- og energiministeren begynner å stille som betingelse for norsk oljeindustri at norsk gass skal erstatte kull i Europa for å bli produsert, da kan vi begynne å snakke. Det andre jeg skulle si, var til Per Rune Henriksen. Vi sier ikke at vi vil avvikle norsk oljeproduksjon, men vi går imot å øke norsk oljeproduksjon i dag. Det er to vidt forskjellige ting – når vi vet hvor stort Johan Sverdrup-feltet er, og at det kommer til å øke oljeproduksjonen fram mot 2024. Så er vi for havvind, men vi kommer til å stemme imot forslaget fra Miljøpartiet De Grønne i dag. Vi mener at det er bedre å satse på

og det må være en opplagt misforståelse i olje- og energiministerens hode når det gjelder akkurat det temaet. Det ble slått fast fra dag én, da alle partiene, unntatt regjeringspartiene, var enige om å kreve elektrifisering av Utsirahøyden, at en ikke skulle utsette byggestart av Johan Sverdrup fase 1. Det er realiteten, og hvis olje- og energiministeren gjentar dette, betrakter jeg det som løgn. Så til det som ligger i saken nå. Jeg oppfatter det som viktig at vi klarer å opprettholde kunnskapen i den næringen og den næringsklyngen som kanskje utgjør noe av det viktigste kunnskapsgrunnlaget vi har for framtiden. Det er opplagt at den aktiviteten som er knyttet til norsk sokkel, er viktig, men det er også viktig at en klarer å analysere bildet av det som faktisk skjer nå, på en riktig måte. Og det er helt opplagt, etter min mening, at vår største utfordring nå er at vi ser at veldig mye kunnskap glipper, og at det glipper i en periode hvor vi er på vei ned, men hvor analysene tilsier at vi skal på vei opp i 2016, 2017 eller 2018, i relativt nær framtid. Da er det bekymringsfullt at regjeringen på ingen måte lanserer noen tiltak eller er villig til å diskutere noen form for tiltak som kan avbøte situasjonen litt. Er det noe næringen opplever, både nå og historisk, som krevende, så er det at lavkonjunkturen kommer raskere enn det en forutsetter, og oppgangen kommer raskere enn det en forutsetter. Det betyr at det blir ganske krevende å håndtere konkurranseforholdet sett med norske leverandørøyne. Det bildet burde vi ha prøvd å stabilisere noe. Jeg registrerer at regjeringen og statsråden overhodet ikke er interessert i å diskutere akkurat det forholdet. Så helt til slutt til Tina Bru. Jeg skal være forsiktig med å kommentere så mye siden hun ikke har så mye taletid igjen, men når hun er opptatt av hva Gahr Støre og Marthinsen har sagt, to glimrende talspersoner for Arbeiderpartiet, så er jeg mer bekymret for hva statsministeren faktisk sa i sin nyttårstale, og som skapte furore og sterke negative virkninger for olje- og gassnæringen og for petroleumsframtidsutsiktene. Det burde også bekymre representanten Tina Bru. Det er besynderlig når representanten

korttidshukommelse. Det er ingen tvil om at den store bekymringen med det kompromisset som seks partier i denne sal feiret med kake sammen med miljøbevegelsen i vandrehallen, var nettopp at det kunne føre til forsinkelser i viktige kontrakter, opp mot ett år i forsinkelser. Dette var beskjeden vi fikk fra næringen selv, fra selskapene som er involvert i Johan Sverdrup-utbyggingen, og det var beskjeden vi også fikk fra viktige interesser i fagbevegelsen. Hvis representanten Aasland mener at olje- og energiministeren farer med løgn, må han også mene at LO farer med løgn, at Industri Energi farer med løgn, at Statoil farer med løgn, og jeg antyder med dette at det kanskje ikke er riktig det Aasland her sa, men at det er i seg selv han bør gå. Så har representanten Aasland også vært opptatt av å stille spørsmål ved hvilken effekt det å redusere skatter og avgifter har for aktivitetsnivået i næringslivet i Norge. Spørsmålet burde vel kanskje heller være hvilken effekt han tror det vil ha å møte økonomiske nedgangstider med kraftig økning i skatter og avgifter, slik Arbeiderpartiet foreslår. Arbeiderpartiet er veldig opptatt av tiltaksplasser, og tiltaksplasser er viktig, men det er også viktig å være opptatt av arbeidsplasser. av arbeidsplasser. Arbeidsplasser må skapes og investeres i, og noen må gjøre den jobben. Da har rammevilkår masse å si. Ingen skal komme og fortelle meg at ikke skatter og avgifter er et viktig rammevilkår i Norge. Det er faktisk enkelte i Arbeiderpartiet som har forstått dette. Trond Giske, da han var næringsminister, tok til orde for å fjerne eller redusere formuesskatten. Lisbeth Berg-Hansen gjorde det samme. Karita Bekkemellem gjorde det samme. LOs Roar Flåthen, da han var LO-leder, tok til orde for det samme. Hva er det disse ikke har forstått som Aasland så utmerket godt forstår, når han mener at skatter og avgifter ikke har noen betydning for hvordan aktivitetsnivået i næringslivet i Norge er?

en pressemelding til NRK at det på ingen måte er gitt at det Stortinget nå har blitt enige om, ikke vil medføre en utsettelse av prosjektet. I løpet av helgen ble det klart at mange var bekymret for det: Det var utbyggeren, Statoil, og deres partnere, det var NHO, og det var betydelige deler av norsk fagbevegelse, med Fellesforbundet og Industri Energi i spissen. Så det var nok ikke bare jeg som oppfattet at det som stortingsflertallet – med Arbeiderpartiet i spissen – feiret ute i vandrehallen her, skapte en betydelig usikkerhet rundt det om dagens debatt kunne finne sted på det tidspunktet som den nå gjør, og om de store kontraktene som nå går ut, faktisk kunne ha kommet.

men det er også slik at samhandlingen mellom norske leverandører og norske selskaper betyr veldig mye. Derfor er jeg glad for at vi nå ser at norske leverandører igjen har klart å være konkurransekraftige i denne krevende tiden. Men jeg blir litt opprørt når jeg hører representanten Rommetveit komme hit i denne salen og si at han er bekymret for at det er mye utenlandsk innhold i kontraktene. Det er vel jaggu bedre – unnskyld uttrykket, president! – å ha norske kontrakter med internasjonalt innhold enn hva tilfellet var med de fem kontraktene som gikk ut på slutten av forrige periode, som var internasjonale kontrakter, men med norsk innhold, riktignok. Så jeg noterer meg at Arbeiderpartiet i likhet med meg er opptatt av norsk leverandørindustri, men lite grann ryddighet i debatten synes jeg at man må kunne forvente. Jeg blir litt forundret over slutten av debatten. Vi diskuterer altså i dag utbyggingen av det

så havner Arbeiderpartiet og Høyre og Fremskrittspartiet i en krangel om hva Gahr Støre sa, hva Marianne Marthinsen sa, hva statsministeren sa, hva som skjedde mellom 16. og 17. mai i fjor – når det tross alt ble et enstemmig vedtak og vi i dag står med utbyggingen, som planlagt. Så vår mulighet til å ha en litt bredere diskusjon om framtida for norsk oljenæring, om hva slags samspill en kan ha mellom de ulike deler av om hvordan myndighetene kan bidra i den sammenhengen, muligheten til også å ha en gjennomgang av og en diskusjon om den usikkerheten vi står foran, hvor stor nedgangen kan bli, eller om det kommer en oppgang, og når den eventuelt kommer – ble altså skuslet vekk i en litt smålig krangel, om jeg kan få lov til å si det, mellom de største partiene i Stortinget, om hvem som sa hva av ulike partier rundt omkring i fjor, og hva som skjedde mellom 16. og 17. mai. Det synes jeg er sørgelig. Jeg synes dessverre det er en sørgelig avslutning på debatten. Jeg skulle ønsket meg en debatt som kanskje hadde litt mer vyer og også litt mer åpenhet om hva vi vil med norsk oljenæring framover. Representanten Terje Aasland Aasland har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg kan være enig i det representanten Marit Arnstad nå sa. Men det er ganske komplisert å få en langsiktig debatt om petroleumsnæringens framtid basert på en regjering som ikke vil inn og diskutere dagens virkelighet og en av utfordringene i dag: at en kanskje bygger ned kunnskap og forholdet til kapasitet at en ikke klarer å mestre en eventuell oppgang som måtte komme om to eller tre år. Det betyr igjen at en vil få en situasjon hvor kostnadene vil øke, og situasjonen vil være krevende. All erfaring tilsier i hvert fall at det er situasjonen. Så er det klart at vi er nødt til å påpeke en del ting som er faktisk feil. Endringen fra 16. mai og fram til vi diskuterte saken i fjor, var at regjeringspartiene ble med, og at olje- og energiministeren gikk fra en vet-ikke-holdning om elektrifisering til en ja-holdning. Til det siste om skattelette, som Astrup tok opp: Jeg kan ikke se at skattelettepolitikken til regjeringen har medført noe positivt for arbeidsmarkedet. Da er taletiden ute. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Det er alvor, og det alvoret mener jeg at klima- og miljøministeren må ta inn over seg. Venstre og Kristelig Folkeparti kritiserer innholdet i oppdateringen, og det er deres begrunnelse for å sende saken i retur. SV og Miljøpartiet De Grønne er enige i denne kritikken, men vi støtter dessuten det som er Arbeiderpartiets og Senterpartiets hovedkritikk mot stortingsmeldingen, nemlig en hasteprosess med adhocoppdatering av forvaltningsplanen. Arbeidet med forvaltningsplaner har møysommelig blitt bygd opp for å sette rammer for forvaltningen av våre havområder. Det er etablert faglige forum, systematisk arbeid med å dekke kunnskapshull og høringsrunder med innspill. Slik har ikke arbeidet med denne stortingsmeldingen vært. Gjennom komitéarbeidet har vi fått innsyn i arbeidet med denne stortingsmeldingen. Den 14. januar i år sender Klima- og miljødepartementet en e-post til Norsk Polarinstitutt med en hastebestilling om en beregning av iskanten. Klima- og miljøministerens byråkrater ber ikke om et faglig råd for hvordan iskanten best kan beregnes. Det har nemlig departementet allerede bestemt seg for. De ber bare Polarinstituttet gjøre regnejobben. Oppdraget ble sendt 14. januar, og oppdraget ble levert 15. januar. Kartet og 23. konsesjonsrunde ble lansert 20. januar. Den «faglige» prosessen for denne stortingsmeldingen tok altså to dager, eller seks dager om vi skal være greie. Etter SVs mening er det ikke vanskelig å forstå hvorfor regjeringen hadde hastverk. I regjeringens samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre sies det at det ikke skal drives oljevirksomhet i iskanten. Gjeldende forvaltningsplan for 2011 har kartfestet hvor de særlig verdifulle og sårbare områdene iskanten og polarfronten er, og dessuten kartfestet rammene for hvor det ikke skal drives petroleumsvirksomhet. Kartene viser at flere blokker i 23. konsesjonsrunde er i strid med 6. mai i år ble klima- og miljøminister Tine Sundtoft spurt i spørretimen om hvorfor hun mente det var behov for at Stortinget flyttet den kartfestede grensen for iskanten i forvaltningsplanen. Da svarte hun: «Siden da kartet viser at iskanten og de nordøstlige delene av åpningsområdene overlapper, kunne det være en mulig strid mellom det Stortinget hadde sluttet seg til når det gjaldt iskanten. Det er den tilsynelatende motsetningen som har skapt et behov for å se nærmere på iskanten, og som også ble aktualisert ved utlysingen av de nordligste blokkene i 23. konsesjonsrunde. Det er det vi nå har ryddet opp i ved å bruke de siste tilgjengelige dataene for iskanten.» Hun sa også: «Det som var viktig for oss, var å se på den tilsynelatende motsetningen, som det kan tolkes som, ved at Stortinget har vedtatt at en ikke skal igangsette oljeboring ved iskanten samtidig som en har vedtatt hvor Barentshavet sørøst skal være.» Også de miljøfaglige etatene har pekt på konflikten ved at regjeringen har valgt å lyse ut blokker i strid med gjeldende forvaltningsplan. Den 4. april 2014 skriver Polarinstituttet: «En av de foreslåtte blokkene nordøst i Barentshavet sørøst er direkte overlappende med SVO Variabel iskant og blokkene 7335/3, 7435/10-12 og 7436/1,10 ligger enten innenfor eller er i berøring med SVO Polarfront. I disse områdene skal det i følge Forvaltningsplanen ikke igangsettes petroleumsvirksomhet.» Norsk Polarinstitutt fraråder også tildeling av blokker på grunn av påvirkning av områder med forhøyet økologisk sårbarhet i iskantsonen og SV i komiteen stilte følgende spørsmål til klima- og miljøministeren om 23. konsesjonsrunde om Polarinstituttets bemerkning om at blokker i 23. konsesjonsrunde var i strid med gjeldende forvaltningsplan. Da svarte klima- og miljøministeren at de blokkene som Norsk Polarinstitutt påpeker, ligger direkte overlappende med SVO Variabel iskant og innenfor eller overlappende med SVO Polarfronten, slik kartfestingen av beregningen av SVO Variabel iskant og SVO Polarfronten er gjort i regjeringen selv mener at man har et problem ved at utlyste blokker i 23. konsesjonsrunde og gjeldende forvaltningsplan er i strid med hverandre. Regjeringen har en samarbeidsavtale der man har gitt lovnader til Kristelig Folkeparti og Venstre på dette området. Regjeringen prøver derfor å flytte på grensene ved å oppdatere beregningene for iskanten i en prosess som tar to–seks dager. Resultatet er at man undergraver de grundige faglige prosessene forvaltningsplanene er ment å skulle være. Da innstillingen fra komiteen ble kjent, endret tonen seg fra regjeringen. Jeg siterer fra et intervju med klima- og miljøministeren i NRK 11. juni: «Må du nå gå til olje- og energiminister Tord Lien og si at en del av blokkene som ble utlyst i 23. konsesjonsrunde ikke kan tildeles likevel?» Sundtoft svarer: «Nei, jeg mener at de begrensningene som er knyttet til 23. konsesjonsrunde, det vi har i vår samarbeidsavtale og de nye beregningene av forvaltningsplanens iskant viser at dette ikke skal medføre problemer.» Slik snakker altså en klima- og miljøminister som nettopp har fått sendt sitt forsøk på ny beregning av iskanten i retur fra Stortinget. Skal representanten ta opp noen forslag? :Jeg tar opp de forslagene der SV er medforslagsstiller. Da har representanten Heikki Eidsvoll Holmås tatt opp de forslagene han refererte til. Vi har forvaltningsplaner for det marine miljøet for havområdene våre. At vi skulle ha sånne planer som

Vi har rett og slett et system hvor vi legger rammene for hvordan en bærekraftig bruk av ressursene i havet skal skje, og hvor føre-var-prinsippet legges til grunn. I forvaltningsplanene settes det grundige miljøkrav, og totaliteten av miljørisiko vurderes. Norge har en lang tradisjon for å skape verdier fra våre havbaserte ressurser. Forvaltningsplanene sikrer at dette skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Arbeiderpartiet mener at det kunnskapsbaserte forvaltningsplanregimet vi har i dag, skal videreføres. Det vil være behov for både oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene våre. Forvaltningsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og områdene rundt Lofoten ble behandlet i Stortinget våren 2006, og vi fikk en oppdatering i 2011. Ved forrige oppdatering ble et solid faglig grunnlag lagt til grunn. Da la man bl.a. til grunn en rapport som var utarbeidet av 26 direktorater og forskningsinstitusjoner fordelt på tre grupper, bl.a. Faglig forum. Kunnskapsgrunnlaget ble i tillegg lagt ut for det som på fint kalles allmennheten for gjennomsyn og merknader, og man fikk god respons. Den oppdateringen regjeringen nå har lagt fram, er ikke i nærheten av å være basert på et faglig grunnlag. Det er ikke gjennomført kunnskapsinnhenting fra et bredt faglig grunnlag. Her er hovedrapporten, ganske solide greier – og den er ganske stor, sånn at referenten får med seg det. Og her er listen over kunnskapsgrunnlaget, hvor denne hovedrapporten også er nevnt som del av faggrunnlaget, som sto på siste side i stortingsmeldingen den gangen forvaltningsplanen ble oppdatert, en lang liste.

en slags formel, egentlig, hvor det bare er å fylle inn. Det var åpenbart ikke store jobben, for den 15. januar fikk departementet svaret og kartet sitt. Jeg har merket meg at statsråden i brev sendt 27. mai til komiteen skriver at dette var et foreløpig svar, og at de jobbet litt med det i etterkant. Men det er ikke poenget her. Her har ting skjedd uhorvelig raskt. Hun skriver også i samme brev at de ikke så behov for en høring eller annen involvering enn bestillingen til Norsk Polarinstitutt, og at Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet så på det de kom fram til, i etterkant. Altså: Her har Stortinget blitt presentert en sak hvor vi blir bedt om å vurdere et kart og en beregning, sånn jeg ser det. Det mener jeg er en helt uholdbar måte å behandle forvaltningsplanregimet på. Å ta ut ett element er å gå bort fra en helhetlig, kunnskapsbasert forvaltning. Det er også grunnen til at Arbeiderpartiet mener det er riktig å sende denne saken i retur til regjeringen. Vi går derfor heller ikke inn og vurderer kartet eller beregningen. Vi mener at spørsmålet om iskanten og polarfronten hører hjemme i en helhetlig revidering av planen, som ved flere anledninger er blitt varslet skal skje i 2020. Revidering i 2020 ble bl.a. varslet ved forrige oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, i planen for Nordsjøen og Skagerrak og gjentatt også i den meldingen vi har på bordet i dag. Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet i merknadene prøver å gjøre et poeng ut av at det er en forskjell mellom oppdatering og revidering.

hvor det står at det skal komme en oppdatering i denne stortingsperioden. Høyre og Fremskrittspartiet henviser til det samme i sine merknader i innstillingen. Til dette har jeg følgende å si: Ja, denne meldingen ble vedlagt protokollen, men Stortinget vedtar ikke en stortingsmelding, det er regjeringens melding til Stortinget. Om vi så hadde vedtatt å be konkret om det som statsråden nevnte, og som blir gjentatt i innstillingen, er den meldingen komiteen har hatt til behandling, ikke det vi kan kalle for en oppdatering av en forvaltningsplan. Stortingsmeldingen er ikke det den sier at den er, rett og slett. I en pressemelding fra 20. januar i år, altså samme dag som utlysningen av 23. konsesjonsrunde ble lagt fram, blir meldingen varslet. Det står i «I forståelse med samarbeidspartiene vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i løpet av våren 2015.» Det er nærliggende å tro – eller ganske åpenbart – at denne meldingen ble lagt fram på grunn av uenighet mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Så opplever vi i Arbeiderpartiet at det blir hentydet at vi driver med et slags spill i denne saken fordi vi vil sende meldingen tilbake. Da må jeg bare si: Beklager, men vi kan ikke sørge for et flertall i en sak vi mener ikke er nok faglig begrunnet – selv om jeg mistenker noen for å tro at vi skulle sørge for et flertall. Jeg skjønner at noen blir litt sure for det – det er kjipt å få saker i retur – men da bør de vende surheten sin mot noen andre enn Arbeiderpartiet. Vi er helt prinsipielle på at denne saken ikke er i tråd med forvaltningsplanregimet, et regime som vi er veldig for, og som vi mener regjeringen utfordrer. den samme dagen som komiteen avga saken, sier at det er helt «uproblematisk» at det skjer. Det er helt fint for oss, og det bekrefter vel også at dette har handlet om en dragkamp mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Jeg håper at Stortinget i framtiden slipper å bli en arena for å rydde opp i uenighetene mellom dem.

I stortingsmeldingen de rød-grønne fremmet, het det at regjeringen skal: «Oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i løpet av neste stortingsperiode. Ut fra et samlet behov, vil det i god tid startes en prosess med sikte på å revidere den planen i 2020 for perioden fram mot 2040.» Derfor er det merkverdig at de samme partier som foreslo at forvaltningsplanen skulle oppdateres i denne stortingsperioden, og at en helhetlig revidering først skulle skje i 2020, kritiserer den nåværende regjeringen for at den følger en oppskrift de selv laget. Det var ingen partier som under behandlingen av Meld. St. 37 tok til orde for at denne oppdateringen ikke skulle finne sted. Forslaget fra de rød-grønne partiene fikk således full tilslutning fra Stortinget. Men det stopper ikke der. Under behandlingen av Innst. 502 S for 2012–2013 var det en samlet komité som i merknads form støttet og så verdien av at regjeringen fremstilte og sammenstilte kartbaserte data for oppdatering og formidling av forvaltningsplanene, slik den rød-grønne regjeringen hadde foreslått. Det er med andre ord ingen tvil om at Stortinget både har sluttet seg til at det skal fremmes en oppdatering av forvaltningsplanen, og eksplisitt uttrykt støtte til at oppdateringer skulle baseres på kartbaserte data, herunder nye isobservasjoner. Hva som har endret seg siden den gang, vites ikke. Man kan mistenke noen partier for å mene at politisk spill er viktigere enn fysiske realiteter. Det er i så fall oppsiktsvekkende og useriøst. Det som imidlertid er krystallklart, er at et flertall i Stortinget avviser ny kunnskap og foretrekker å basere seg på utdaterte havisobservasjoner av variabel kvalitet fra fremfor oppdaterte havisobservasjoner av langt bedre kvalitet fra perioden 1985–2014. Flertallet kan gjerne hevde at regjeringen har flyttet iskanten. Det er imidlertid ikke korrekt. Det er ikke regjeringen som har flyttet iskanten. Isen har trukket nordover. Det er et uomtvistelig faktum, noe Polarinstituttets havobservasjoner de siste 30 årene viser med all tydelighet. At flertallet ikke vil forholde seg til oppdaterte isdata, forandrer ikke det fysiske faktum at iskanten har endret seg. De siste ti årene har det ikke vært is overhodet i Barentshavet sørøst, verken sommer eller vinter. Motivasjonen for å avvise ny kunnskap om havisens utbredelse synes å være at flertallet på Stortinget mener det burde ha vært en annen faglig definisjon av den såkalte iskanten enn den definisjonen som ble utarbeidet av Faglig forum og lagt til grunn for forvaltningsplanen under den rød-grønne regjeringen. Det er for øvrig nøyaktig den samme definisjonen som denne regjeringen legger til grunn, og som det var forutsatt av Stortinget at vi skulle legge til grunn for denne oppdateringen. En ny definisjon må vurderes i forbindelse med en helhetlig revisjon, noe Stortinget mente først skulle skje i 2020. Dette velger flertallet åpenbart å se bort fra. Stortinget ga sin tilslutning til Meld. St. 37 for 2012–2013, der det helt klart fremgår at det kun var en oppdatering av forvaltningsplanen som skulle legges frem i denne stortingsperioden, ikke en helhetlig revidering der også Faglig forum skulle bidra. Den helhetlige revideringen med en full ny prosess i Faglig forum skulle vente til 2020. At de rød-grønne partiene, som selv la frem denne stortingsmeldingen, nå skriver i innstillingen at de avviser sitt eget forslag. Det gis ingen begrunnelse for hvorfor det de mente var rett da de satt i regjering, er feil når de kommer i opposisjon. Flere partier synes også å mene at oppdateringen av forvaltningsplanen skulle baseres på én enkelt høringsuttalelse fra Polarinstituttet fremfor en helhetlig runde i Faglig forum. Også dette er i strid med det den rød-grønne regjeringen foreslo for Stortinget i forrige periode, og også i strid med etablert praksis for revisjoner av forvaltningsplaner. Det er lite tillitvekkende med en såvidt tendensiøs tilnærming til faglige prosesser. En slik tilnærming vil utvilsomt politisere forvaltningsplanene og dermed svekke planenes legitimitet og troverdighet som rammeverk for aktivitet i våre havområder. Det bør være tankevekkende for flere enn meg at så mange partier har en så lemfeldig holdning til forvaltningsplanene for våre havområder. Vi i regjeringspartiene er på vår side tydelige på at vi ønsker å slå ring om forvaltningsplanregimet. Det ønsker helt åpenbart ikke et flertall i denne salen. En annen årsak som trekkes frem av flere partier i deres begrunnelse for å sende den oppdaterte forvaltningsplanen tilbake til regjeringen – en oppdatering de, som sagt, selv har bedt om i regjering og sluttet seg til i Stortinget – er at «i tråd med etablerte forvaltningsprinsipper må det faglige grunnlaget på plass før det åpnes for petroleumsvirksomhet i de omstridte områdene». Det er verdt å minne flertallet i salen om at Stortinget i forrige stortingsperiode vedtok en forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og at Stortinget i kjølvannet av dette vedtok med stort flertall å åpne hele Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Så den merknaden er altså allerede fulgt opp. Også i behandlingen av åpningsmeldingen her i Stortinget var havis et viktig tema. Jeg merker meg at enkelte partier nå er uenig i åpningsmeldingen de selv la frem og fikk Stortingets tilslutning til. Havis er også et viktig tema for regjeringen og samarbeidspartiene. Det skal ikke drives petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden. Det ligger fast. I perioden 15. desember til 15. juni kan det ikke bores nærmere den faktiske observerbare iskant enn 50 km. Imidlertid er det få aktører som overhodet vil vurdere å bore i denne perioden, da forholdene for leteboring er bedre om sommeren. I de mest aktuelle månedene – juli/august/september – har det ikke vært noen form for is i det åpne området siden sikre observasjoner startet i 1967, selv om man legger såkalt maksimal isutbredelse til grunn. Med de rammene som Stortinget har sluttet seg til for 23. konsesjonsrunde, ivaretas miljøverdiene ved iskanten, og det blir ingen petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden. De som hevder noe annet, har åpenbart en annen agenda enn å ivareta miljøverdiene ved iskanten. Det er en ærlig sak at enkelte partier ikke ønsker at det skal letes etter olje i Barentshavet. Et av partiene i salen ønsker sågar å forsterke nedgangen i aktivitet på norsk sokkel gjennom en styrt avvikling av petroleumssektoren i sin helhet i løpet av en Med de tiltakene det partiet foreslår, vil det gå langt raskere enn dette – med de enorme konsekvensene det vil ha for norsk økonomi og arbeidsplassene i Norge. Mitt poeng er imidlertid dette: Det finnes argumenter for ikke å drive med petroleumsvirksomhet i Barentshavet, noe vi for øvrig har gjort i 35 år. De fleste av dem er ikke spesielt gode, men argumentet om frykten for at vi skal drive letevirksomhet ved en iskant som har trukket seg nord for området som er åpnet for petroleumsvirksomhet, er blant de dårligste.

et forslag som jeg må få legge til bidrar til å styrke forvaltningsplanens legitimitet som ramme for aktivitet i dette havområdet. Her slås det ettertrykkelig fast basert på objektive observasjoner at det området Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslo å åpne for petroleumsvirksomhet, ikke er i konflikt med havis. Man skulle tro at i hvert fall Arbeiderpartiet burde se seg tjent med at forvaltningsplanen ble oppdatert på dette området. dette området. Dette er imidlertid bare en av flere saker der Arbeiderpartiet dessverre bidrar til å skape usikkerhet om petroleumspolitikken for tiden, noe vi var inne på i forrige debatt. Det hjelper jo heller ikke at to av tre av deres naturlige samarbeidspartier sier nei til et kjempeprosjekt som Sverdrup. At Arbeiderpartiet i denne saken ser ut til å være mest opptatt av å lage politisk spill, er synd. Det har vært bred enighet om de lange linjene i petroleumspolitikken i Norge. Det bør vedvare også, og kanskje ikke minst særlig i en tid der Norge går fra særstilling til omstilling, og der norsk petroleumsindustri skal rustes til å konkurrere på grønne vilkår. Jeg vil imidlertid gi Arbeiderpartiet honnør for at partiet slår fast at rammene for 23. runde ligger fast, og at de derfor stemmer ned et forslag fra de øvrige partiene om å ta ut en rekke blokker fra et område Stortinget har vedtatt at skal være åpent for petroleumsvirksomhet. Jeg ser frem til debatten. Det blir en oppvisning i snuoperasjoner og vikarierende argumentasjon. Det er for meg helt uforståelig at et flertall på Stortinget ønsker å basere seg på utdaterte havisobservasjoner, når de har anledning til å basere seg på oppdatert kunnskap som de selv har bedt om. Åpningsmeldingen for Barentshavet sørøst er uansett vedtatt og ligger til grunn for 23. konsesjonsrunde. Det toget har forlatt stasjonen, og vi var alle om bord da det gikk. Ønsker representanten Astrup å ta opp forslag? Ja, Da har representanten Nikolai Astrup tatt opp det forslaget som han refererte til. Ein samla komité viser til at olje- og gassnæringa er Noregs største og viktigaste næring. Næringa gir arbeidsplassar over heile landet og har sidan starten bidrege til næringsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsutvikling som har kome heile landet til gode. Hovudmålet med petroleumspolitikken om nasjonal styring og kontroll

Og som vi skriv i våre merknader, understrekar vi at Stortinget ønskte ei oppdatering av forvaltingsplanen i denne stortingsperioden, ikkje ein heilskapleg revisjon av forvaltingsplanen. Vi viser også til at oppdateringa av forvaltingsplanen er basert på nye isobservasjonar frå Polarinstituttet frå perioden 1985–2014. Så det er levert i samsvar med bestillinga frå Stortinget.

utdaterte isobservasjonar frå perioden 1967–1985. Den begeistringa vi opplevde den gongen på grunn av opningsmeldinga frå talarar som Senterpartiets Irene Lange Nordahl og Arbeidarpartiets Per Rune Henriksen, ser vi lite av i dag trass ei oppdatert og godt fagleg forankra Meld. St. 20. Gløymd er også den raud-grøne statsråd Ola Borten Moes påpeiking den gongen av at det pågår heilårig petroleumsverksemd og produksjon i islagde farvatn i land som USA, Canada og Russland og i Det kaspiske hav. Under Borten Moes replikkordskifte med representanten Ropstad kom det faktisk fram at is ikkje var noko problem: «Det kan jo også tenkes at man får undervannsinstallasjoner. Får man det siste, kan det – så vidt jeg kan forstå – være så mye is det bare vil. Det spiller i grunnen ingen rolle.»

Ein så vidt lang tidsperiode er vald for å avgrense følsemda ved oppdatering av iskanten for kortsiktige svingingar i isforholda mellom år. Å velje ein tidsserie på 30 år er også i samsvar med lengda på ein standard normalperiode brukt innanfor klimatologi og meteorologi. Dette inneber at ein ikkje vil drive petroleumsverksemd ved iskanten i denne stortingsperioden basert på oppdaterte isobservasjonar. Høgre–Framstegsparti-regjeringa presiserer også at det ikkje skal drivast leiteverksemd nærare enn 50 km frå den til kvar tid observerte iskant i perioden 15. desember til 15. juni. Denne regjeringa er også tydeleg på at neste oppdatering av iskanten, som er eit særleg verdifullt og sårbart område, vert tilrådd i forbindelse med revideringa av forvaltingsplanen for Barentshavet–Lofoten i 2020, og at Faglig forum med det bidreg til det faglege grunnlaget for revideringa, slik ein såg føre seg ved opninga av Barentshavet søraust i Avslutningsvis vil eg minne om forventingane ein opplever frå dei nordlegaste fylka våre med dei moglegheitene som ligg i å få delta i det eventyret petroleumsaktiviteten på norsk sokkel har vore i meir enn 40 år. Det ligg store moglegheiter i Barentshavet, og mitt ønske er at den verdiskapinga som vil skje framover rundt funna der, vil føre til positive verknader og økonomisk oppsving, slik vi m.a. har sett i Hammerfest dei siste åra. Det fortener både innbyggjarar og næringsliv der oppe.

seg nordover. Samtidig er dette et unikt område og motoren for alt liv i disse havområdene. Jeg skal innrømme at jeg ikke hadde satt meg nevneverdig inn i hoppekrepsens liv før jeg begynte å arbeide med denne saken. saken. Det kan egentlig fungere som en illustrasjon på at vi i hverdagen ofte overser store konsekvenser for små, men viktige skapninger. Dyreplanktonet hoppekreps er det viktigste dyret i Arktis, grunnlaget i næringskjeden og samtidig det dyret som er mest følsomt for oljesøl. Et større utslipp i iskantsonen vil ikke bare være en lokal katastrofe, men en global katastrofe. Renseteknologien vi i dag kjenner, er ikke god nok til å håndtere utslipp i og nær is. Derfor må vi være sikre på hva vi gjør, før vi gjør noe i disse områdene. Samtidig skal det sies at denne saken ikke har vært lett. I forhandlingene mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre kom man ikke til noen avklaring. Det gjorde man heller ikke i desember i fjor, og man ble enige om å få en sak til Stortinget. Stortinget. Det sitter langt inne å sende en stortingsmelding tilbake, det skal det gjøre, men det ble likevel nødvendig fordi vi faktisk er uenige i innholdet og mener dette er en forsvarlig behandling av et av våre viktigste og mest sårbare havområder. Debatten om iskanten startet ved behandlinga av Meld. St. 36 åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Dette området ble en del av norsk sokkel etter overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Området var på dette tidspunktet ikke omfattet av forvaltningsplanen for Barentshavet, som ble vedtatt før avtalen om grenselinja. Forvaltningsplanen omfatter derfor bare Barentshavet sør. Åpningsmeldinga la til grunn at det ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten. Spørsmålet skulle vurderes på nytt i forbindelse med neste oppdatering av forvaltningsplanen. Stortingsflertallet fastslo likevel at det ikke var til hinder for at det skal drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst. Åpningsmeldinga, som ble fremmet av den rød-grønne regjeringa med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, var uklar med tanke på hvilken definisjon som ble lagt til grunn for iskanten og polarfronten. Komiteen stilte derfor en rekke spørsmål til departementet for å prøve å få klarhet i dette, og i et svarbrev fra Ola Borten Moe til komiteen den 5. juni 2013 ble iskanten definert på følgende måte: «I begrepet den faktiske/observerte iskanten legges den til enhver tid observerte iskant. I åpningsprosessen er iskanten definert som 40 pst. isdekning.» Faktum er at det var behov for å få ryddet opp i en del av det rotet og den uklarheten som ble skapt av Borten Moe. I den stortingsmeldinga vi nå har på bordet, oppdateres forvaltningsplanen og tilpasses utvidelsen med det tidligere omstridte området i Barentshavet sørøst. Den oppdaterte beregninga av iskanten med nye tall for perioden 1985–2014 gjør at man nå får samme definisjon av iskanten i Barentshavet sør og Barentshavet sørøst – «so far, so good». Men den nye definisjonen setter den nye iskantgrensen et annet sted enn en rekke Når vi likevel er med i det flertallet som sender meldinga tilbake, er det begrunnet i at vi mener at den helhetlige forvaltningsplanen er fundamentert for den langsiktige forvaltninga av våre havområder og sikrer at havbasert næringsliv og ivaretakelse av miljøet i havet ses i sammenheng. I meldinga er nå iskanten definert så langt nord at vi finner grunn til å tvile på om dette er forsvarlig. Det er bred enighet i Stortinget

Som følge av beslutningen om åpning av Barentshavet sørøst la den rød-grønne regjeringen fram en åpningsmelding i 2013 for områdene vest for delelinja. Så ble rammene for petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst konkretisert og supplert på bakgrunn av kunnskap som hadde framkommet. Senterpartiet står sjølsagt ved både forvaltningsplanen som gjelder, åpningsmeldingen som ble og dermed også rammene for 23. konsesjonsrunde som nå er fastlagt. At iskanten delvis kan overlappe områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, innebærer ikke at Stortinget skal detaljbehandle det. Det innebærer at regjeringen har et stort ansvar for å vurdere nærmere om disse blokkene bør tildeles eller ikke. Nominasjon og tildeling av blokker på norsk sokkel er ikke et ansvar for Stortinget, men en oppgave som tillegges regjeringen på bakgrunn av vedtak Stortinget gjør i forvaltningsplanen og åpningsmeldingen. En adhocoppdatering av hvordan, og ikke minst hvor, iskanten skal defineres, bryter med forvaltningsregimet, etter Senterpartiets mening. Dette er også bakgrunnen for at Senterpartiet vil sende saken tilbake til regjeringen og be om at en oppdatering skjer i forbindelse med at forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten blir gjenstand for en grundig revisjon. Vi mener at åpningsmeldingen ligger til grunn for de vurderingene regjeringen må gjøre, og har vanskelig for å se hvorfor en skal komme tilbake med enkeltvise beregninger som en gjør her. Vi synes det er litt merkverdig. Det er også merkverdig hvis en mener at dette var noe som var bedt om fra den og de rød-grønne partiene. I stortingsmeldingen fra regjeringen, Meld. St. 20, refereres det ikke til noen bestilling fra noe flertall i Stortinget omkring en oppdatering av iskanten. Oppdatert isdata baserer seg på en oppdatering som ikke er så grundig som tidligere oppdateringer har vært. I oppdateringen i 2010 ble det, som representanten Eva Kristin Hansen nevnte, gjennomført en grundig prosess knyttet til referansegruppa og de institusjoner som deltok i utarbeidelsen av den ganske omfattende fellesrapporten. Det var en helt annen og bredere prosess enn det vi i dag står overfor. Når jeg hører representanten Astrup beskylde Arbeiderpartiet for politisk spill, må jeg si at jeg undres litt over hans egen måte å uttrykke seg på. Det virker som om regjeringen rett og slett

en etter hvert må begynne å finne andre typer begrunnelser for det som legges fram. For Senterpartiets del forholder vi oss til forvaltningsplanen som ligger, den åpningsmeldingen som er behandlet. Vi går ut ifra at regjeringen behandler saker som gjelder 23. konsesjonsrunde, på en samvittighetsfull måte ut ifra det, og dette er vårt utgangspunkt når det gjelder spørsmålet om iskanten. Vi har vært med på å åpne for 23. konsesjonsrunde. Det står vi sjølsagt Og vi mener det er regjeringens ansvar å vurdere om og hvilke blokker som skal utlyses og tildeles. Dette må etter vår mening gjøres på bakgrunn av gjeldende forvaltningsplan fram til en får en revisjon som er så omfattende som forvaltningsplanen faktisk fortjener. Derfor støtter Senterpartiet forslaget om å sende meldingen tilbake til regjeringen. Vi registrerer at regjeringen sier det er helt greit. Det synes vi også er helt greit. er helt greit. Da får en gå videre med arbeidet på det grunnlaget. Fordi vi mener dette er regjeringens og ikke Stortingets ansvar, kan heller ikke Senterpartiet støtte mindretallsforslagene som er lagt fram i innstillingen, om at Stortinget skal begynne å tildele konkrete blokker, eller ikke åpne blokker, i Barentshavet. Når vi går inn i den saken, er det viktig å starte med at iskantsonen er av de viktigste og mest sårbare naturområdene vi har, med et enormt biologisk mangfold. Fra

at vi i samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet har presisert at det ikke skal drives petroleumsvirksomhet i og ved iskanten. Så er det riktig som også representanten fra Kristelig Folkeparti var inne på, at denne avtalen er en av grunnene til at denne saken er lagt fram. fram. Fra Venstres side har vi ikke vært kritiske til at saken legges fram, men vi vil likevel nå gå inn for at den sendes tilbake, da vi er uenig i innholdet i meldingen. Ganske enkelt mener vi at meldingen ikke tar utgangspunkt i det som er sist tilgjengelige kunnskap, men kun foretar en enkel framskrivning basert på det beregningsgrunnlaget man gjorde i forvaltningsplanen i 2011. Når vi går inn i sist tilgjengelige kunnskap, kan vi ikke bruke noe annet enn det vi nå har, nemlig høringsuttalelsene fra Polarinstituttet, inn mot 23. konsesjonsrunde, hvor de er tydelige på at beregningsgrunnlaget som ble gjort i 2011, ikke lenger er det som på mest korrekt vis beregner hvor iskantsonen ligger. Derfor har vi også gått inn på mindretallsforslagene i denne saken, fordi det er det vi har som utgangspunkt. Når saken nå sendes tilbake, er vi selvfølgelig opptatt av at det er den sist tilgjengelige kunnskapen som må brukes, også sammen med Faglig forum, for å få en så korrekt vurdering som mulig av iskantsonen og polarfronten – som vi ikke må glemme i denne sammenheng når vi snakker om rike og sårbare områder – hvordan det best kan beregnes fram mot 2020. Det ligger en diskusjon omkring 23. konsesjonsrunde bak. Vi har gått inn i en samarbeidsavtale for å påvirke og for å sørge for at det ikke settes i gang petroleumsvirksomhet innenfor det som er å definere som iskantsonen. Når denne saken nå sendes tilbake, må det videre arbeidet basere seg på det kartgrunnlaget som vi nå har, det kartgrunnlaget som ligger i forvaltningsplanen fra 2011. 2011. Jeg er enig i at dette ikke er en diskusjon som skal tas i Stortinget, men det er definitivt en diskusjon som må tas de fire partiene imellom. 23. konsesjonsrunde ble tildelt med et forbehold, og nå er det de fire partiene som må ta stilling til hvordan de skal følge opp enigheten i samarbeidsavtalen. Om det blir en vurdering av om dette omhandler én, tre eller sju blokker, må være en sak som de fire partiene nå går inn i, sånn at vi får en endelig avklaring på situasjonen også omkring 23. konsesjonsrunde. Dette er, for dem som har fulgt med i debatten om iskanten, en komplisert sak. Det er mange Det er mange ulike prosesser som har pågått samtidig, men det er viktig at vi ikke mister perspektivet. Dette handler først om fremst om hvordan vi forvaltningsmessig skal sikre at det ikke er petroleumsvirksomhet i våre mest sårbare og viktige naturområder. For Venstre er det det vi holder som vårt hovedanliggende i denne saken. Vi vil nå gå inn for at saken sendes tilbake. Det er viktig at vi får en bred vurdering av hvor vi korrekt får plassert iskanten og polarfronten i forvaltningsplanen fram mot 2020. I mellomtiden må vi i de fire partiene bli enige om hvordan vi håndterer 23. konsesjonsrunde, og Venstre er klar for å starte den prosessen med de andre partiene

forvaltningsplanen. Spesielt handler det om at vi skal ha de faglig beste kriteriene og definisjonene til grunn for å sørge for at det er minst mulig risiko for oljesøl i områder med is. Denne debatten har vist mer enn tydelig nok at både Arbeiderpartiet – og de rød-grønne – og den nåværende blå regjeringen er høyst villig til å hale og dra i forskjellige sider av dette problemkomplekset for å tilpasse det ønsker om å drive oljevirksomhet lengst mulig nord. For Miljøpartiet De Grønne er utgangspunktet helt klart. Vi mener at det ikke bør drives oljevirksomhet i disse områdene fordi det allerede er funnet for mye olje her i verden, og vi må la være å bruke ressurser på å finne enda mer som kommer til å skape enda større klimaendringer og enda større kostnader for folk som kommer etter oss. Men vi mener også at hvis det likevel skal drives oljevirksomhet i disse områdene, må det være i alles interesse at det skjer på grunnlag av respekt for det forvaltningssystemet vi har vedtatt, og på grunnlag av de best mulige, tilgjengelige faglige definisjonene. Det som har skjedd nå, er at regjeringen har prestert å lage en røre av en annen verden ved å levere en selektiv, harelabbpreget akuttoppdatering av iskantdefinisjonen, i en situasjon hvor det helt åpenbart ble gjort for å tilpasse iskantdefinisjonen en tildeling i 23. konsesjonsrunde som allerede var gjort, og som utfordret en opprinnelig iskantdefinisjon. Og så har altså regjeringen kommet i skade for å bli avslørt fullstendig ved at det foreligger en faglig grundigere og bedre iskantdefinisjon, som forslag fra Norsk Polarinstitutt, på akkurat samme tidspunkt som denne harelabbdefinisjonen ble lagt fram. Dermed vet vi nå – uansett hva vi synes om når forvaltningsplanen bør oppdateres, når den bør revideres fullstendig, og hvordan det skal gjøres – at det foreligger en iskantdefinisjon som er faglig bedre, etter alle solemerker, og som legger iskantdefinisjonen så langt sør at den kommer i strid med flere av de blokkene som er tildelt i 23. konsesjonsrunde. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og muligens Kristelig Folkeparti må forholde seg til det problemet at vi nå er i en situasjon hvor vi er i ferd med å tildele blokker som antakelig om noen år når iskantdefinisjonen faktisk skal revideres, som en del av revidering av forvaltningsplanen – vil vise seg å ligge for langt nord. Sånn går det når man prøver å være smart for å dytte oljevirksomheten lenger nord. Dessverre føyer dette seg inn i et mønster. Vi har denne latterlige saken fra Sørdalen naturreservat, hvor regjeringen i ettertid oppgraderer forvaltningsreglene sånn at det går an å fiske ørret, plukke bær og legge 420 kV kraftlinje gjennom naturreservatet – og det finnes flere sånne eksempler – som viser at regjeringens vilje til å drive naturvern er fullstendig underlagt og tilpasset regjeringens vilje til å utfordre eller skade natur. Det er ikke tillitvekkende. På grunnlag av dette støtter selvfølgelig Miljøpartiet De Grønne forslaget om å sende dette framlegget tilbake til regjeringen, og vi utfordrer også hele Stortinget til å ta stilling til blokkene lengst nord i 23. konsesjonsrunde, som etter alle solemerker er i strid med

økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanene er således et verktøy for både å fremme næringsutvikling og matsikkerhet innenfor bærekraftige rammer og å sikre en god miljøtilstand. Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i overordnede rammer, samordning og prioriteringer i forvaltningen av havområdene. De er et konkret uttrykk for at Norge som kyststat har evne og vilje til å forvalte våre havområder på en ansvarlig måte. Stortinget forutsatte ved behandlingen av forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak våren 2013

og beskrivelsen av iskantsonen fra Norsk Polarinstitutt har stått sentralt. Overvåkingsgruppens rapport fra 2014, som beskriver tilstand og endringer i økosystemet i Barentshavet–Lofoten, har vært et viktig faglig grunnlag. I tillegg er det brukt fagrapporter om bl.a. oljevern og skipstrafikk i nordområdene.

fiskerier og petroleumsvirksomhet. Dette stiller nye krav til forvaltningen. I meldingen er det lagt vekt på å gi en utførlig faglig beskrivelse og en oppdatert beregning av forvaltningsplanens iskant. Bakgrunnen for dette er de raske endringene som skjer med høyere havtemperatur og redusert utbredelse av Iskanten er et særlig verdifullt og sårbart område som har stor betydning for økosystemet og den biologiske produksjonen i Barentshavet. Ny kunnskap om miljøtilstanden og nye målinger av isutbredelsen gir oss en bedre forståelse av hvor de særlig verdifulle og sårbare områdene nå befinner seg. Regjeringen har opprettholdt definisjonen av iskanten slik den er fastsatt i tidligere forvaltningsplaner. Utlysningen av 23. konsesjonsrunde har aktualisert spørsmålet om utbredelsen av havisen i Barentshavet. Regjeringens intensjon har vært å legge mest mulig ny kunnskap til grunn for forvaltningen av havområdene. Dette gjelder selvfølgelig også i forholdet til petroleumsvirksomheten. Forvaltningsplanene for havområdene gir grunnlag for å treffe politiske vedtak basert på en bred og helhetlig beskrivelse av hele havområdet, både av tilstand og utviklingstrekk i økosystemet og tilknyttet næringsvirksomhet. Det har vært lagt opp til at en helhetlig og dyptgående revidering av forvaltningsplanen for det enkelte havområde skal skje om lag hvert 15. år. Etter regjeringens oppfatning er en oppdatering av en forvaltningsplan mer begrenset enn en revidering og knyttet til mer avgrensede problemstillinger, oppdatert kunnskap eller mer avgrensede geografiske områder. Oppdateringer av planene bidrar til å sikre hensiktsmessige rammer for forvaltningen i tiden mellom de helhetlige revideringene. Meld. St. 20 er en slik oppdatering. Jeg tar til etterretning at Stortingets flertall ønsker en mer omfattende prosess ved oppdatering av forvaltningsplanene og derfor sender Meld. St. 20 tilbake til regjeringen. Jeg registrerer samtidig at stortingsflertallet er enig med regjeringen i at det skal være en grundig prosess ved revidering av forvaltningsplanene. Regjeringen vil nå, slik som forutsatt, konsentrere det videre arbeidet med forvaltningsplanene om prosessen fram mot revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten i 2020. Det faglige grunnlaget for denne revideringen vil bli utarbeidet gjennom en helhetlig prosess med bred forankring i Faglig forum og Overvåkingsgruppen. Arbeidet vil starte opp i inneværende stortingsperiode. Som en del av det faglige grunnlaget vil det også bli foretatt en gjennomgang av definisjonen som ligger til grunn for beregningen av iskanten, slik som varslet i meldingen. Det blir replikkordskifte. I innlegget litt tidligere refererte jeg til pressemeldingen som statsråden sendte ut hvor hun skrev: «I forståelse med samarbeidspartiene vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten». Noen av oss har vært litt undrende til både hva som kom fra regjeringen, og det som for så vidt sendes tilbake, men jeg lurer på om statsråden kan utdype litt hva denne forståelsen har gått ut på? Erkjenner statsråden at hun egentlig kunne forutse det hendelsesforløpet som har utspilt seg i komiteen og i Stortinget? Jeg ønsker en utdyping av det. Det er riktig som det refereres til, at det i vår samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre står at det ikke skal være oljeaktivitet i iskanten. Stortinget har også bedt om en oppdatering av forvaltningsplanen i denne stortingsperioden, så jeg mener at det som regjeringen nå har bedt om en oppdatering av forvaltningsplanen i denne stortingsperioden, så jeg mener at det som regjeringen nå har levert gjennom Meld. St. 20, er både en avklaring når det gjelder samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti, og et svar på bestillingen fra Stortinget. Så vi mener at vi har levert i tråd med begge de to

tallene. Så det har vi avklart, og vi mener også at vi har svart på det som Stortinget har bedt om, men jeg tar til etterretning at Stortinget sender en oppdatering av forvaltningsplanen tilbake til regjeringen, og vi vil fortsette arbeidet med en revidering av forvaltningsplanen. Men om det var mulig å forutsette at det var dit Stortinget ville da vi la den fram, er ikke sikkert.

et system og en plan som det var faglig grunnlag for. Mener statsråden at forarbeidet gjort i Meld. St. 20 er tillitvekkende og ivaretar en god og kunnskapsbasert naturforvaltning for områdene i Barentshavet? Som jeg sa i mitt innlegg, er Meld. St. 20 basert på faglige innspill. Oppfølgingssystemet under forvaltningsplaner holder kunnskapen oppdatert gjennom Overvåkingsgruppen og Faglig forum. Vi har fått Overvåkingsgruppens rapport fra 2014, som beskriver tilstand og endringer i økosystemet i Det har vi fått, og det er lagt inn som et viktig faglig grunnlag i stortingsmeldingen. Jeg refererte også til at vi har brukt fagrapporter om oljevern og skipstrafikk i nordområdene. Den type kunnskap som vi får kontinuerlig gjennom oppfølgingssystemet under forvaltningsplaner, har vi brukt som et faglig grunnlag

men når stortingsmeldingen blir framlagt for Stortinget, svikter de regjeringen. Så sier representanten Elvestuen nå at han håper det blir nye samtaler mellom de fire partiene om blokkene og tildelingen i 23. konsesjonsrunde. Hvorledes ser statsråden på det? Blir det aktuelt å innlede samtaler med Kristelig Folkeparti og Venstre om gjennomføring av 23. konsesjonsrunde?
Som jeg tidligere har referert til, står det i vår samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti at det ikke skal være oljeaktivitet ved iskanten. Det er vi helt enig i, og derfor mente vi det var viktig å få fram oppdatert kunnskap om hvor iskanten er. Vi mener nå at iskanten, med isdata fra 1985 til 2014, ligger nord for de områdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Det – i kombinasjon med rammene som settes for nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde – bidrar til å ivareta miljøverdiene ved iskanten, og det er nå avklart. Nå er

det. Det andre spørsmålet er: Stortinget velger i dag å sende denne stortingsmeldingen tilbake. Vi vedlegger den ikke protokollen. Stortinget anerkjenner dermed ikke den oppdateringen av iskanten som statsråden legger til grunn – av ulike grunner, som jeg redegjorde for i mitt saksordførerinnlegg. Betyr det at statsråden likevel velger å trosse Stortingets tilbakesending av denne saken, og velger å legge til grunn sin egen fullstendig ufaglige begrunnelse? Statsråden legger samme definisjon til grunn som Stortinget to ganger tidligere har lagt til grunn, men vi har gjennom Meld. St. 20 oppdatert samme definisjon med de siste tallene. Og når det gjelder iskanten, foreligger det nå isdata fra perioden 1985 til 2014 for de områdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Så jeg vil ta avstand fra beskyldningen om at statsråden har laget sin egen definisjon og oppdatering på dette. Vi har brukt akkurat samme definisjon som Stortinget har brukt, men vi har oppdatert stortingsmeldingen med de siste tilgjengelige dataene. Statsrådens svar på representanten Eidsvoll Holmås’ spørsmål var ganske illevarslende. Er det slik å forstå at når det nå er helt klart at Stortinget kommer til

nå er helt klart at Stortinget kommer til å vedta å sende regjeringens melding tilbake til regjeringen med det innholdet denne meldingen har, så har statsråden og regjeringen tenkt å fortsette å bruke den iskantdefinisjonen som er i den meldingen som Stortinget sender tilbake – med andre ord: se fullstendig bort fra det faktum at Stortinget har avvist denne definisjonen? Regjeringen bruker jo samme definisjon som Stortinget to ganger tidligere har vedtatt, så når Stortinget nå ikke har vedtatt noen ny definisjon, er det jo den definisjonen som er gjeldende. Nå starter vi arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen. Jeg har sagt at det er naturlig å se på om en skal komme med en ny definisjon av iskanten, men før det er gjort, må en jo forholde seg til det som er vedtatt i Stortinget tidligere, tidligere, og den definisjonen er der det er 30 pst. sannsynlighet for at det finnes is i april. Replikkordskiftet er

iskanten har flyttet seg. «Iskanten har flyttet seg selv», sa statsministeren. Nei, iskanten flytter seg ikke selv sånn som den vil, den har eventuelt flyttet seg etter klimaendringer vi mennesker står bak. Istedenfor at klimaministeren nærmest framstiller dette som en gladsak for oljeministeren, burde klimaministeren gjort jobben sin: dratt i alarmklokkene og brukt dette som et eksempel på hvor synlige klimaendringene er i vårt eget nærområde. I en tid hvor havområdene forandrer seg, hvor klimaet blir varmere artene forandrer seg, blir det enda viktigere å legge vekt på et best mulig faktagrunnlag. Det har vi historisk sett klart i Norge, fordi vi har fått til et troverdig system med forvaltningsplaner. Forvaltningsplaner er vårt viktigste virkemiddel for å forvalte havområdene våre på en sikker og bærekraftig måte. All menneskelig aktivitet skal forvaltes i en større sammenheng. Vi skal være sikre på at det vi gjør, ikke ødelegger naturen og havets unike økosystemer. Vi er stolte av dette arbeidet. Vi kan si at dette er en av våre viktigste og fremste eksportvarer. Det er det vår utenriksminister med god grunn skryter av når han møter sine utenlandske kolleger. Det gjør at vi til enhver tid har best tilgjengelig kunnskap om havet og hva vi mennesker kan gjøre av aktivitet. Her har man altså lagt dette regimet til side. Det er det Stortinget i dag sier nei til. Aktiviteter i havområdene stiller oss overfor vanskelige dilemmaer, og det er politiske valg vi skal ta. Jeg mener historien har vist at vi har klart å gjøre relativt gode valg, og at vi har klart å forene viktige hensyn. Jeg tror dette mye skyldes at vi i Norge har noen av de fremste fagfolkene, som kan gi oss det beste grunnlaget. Jeg synes det er synd at regjeringen nå har lagt opp et løp som gjør at diskusjonen i dag og i ukene som har gått, har vært en diskusjon som i stor grad har handlet om hva som egentlig er fakta, ikke om hva som er de politiske prioriteringene. Det er forskjell i vurderinger vurderinger mellom de forskjellige politiske partiene. Jeg tror også det internt i de fleste partier er diskusjoner om hvilke vurderinger vi skal gjøre. La oss ha de viktige debattene, men nå er det altså skapt en debatt om hva det er som er fakta. I den og internt i Arbeiderpartiet har det vært diskusjoner om hva som skal være aktiviteten i havområdene, men det har alltid vært med et felles, omforent faktagrunnlag – det faglige, omforente grunnlaget. Jeg tror ingen tjener på en diskusjon om hva som egentlig er faktagrunnlaget å forholde seg til. Vi må alltid ha best tilgjengelig grunnlag. Det har klima- og miljøministeren det øverste ansvaret for. Det hun har levert i dag, er egentlig et regnestykke som hun ber Stortinget ta stilling til.

Nå får vi altså høre at det skal være nye forhandlinger. Jeg synes man må kunne avkreve av ministeren at hun bekrefter, eventuelt avkrefter, at det nå skal være nye forhandlinger om områdene. Forvaltningsplaner er ikke skapt for å øke aktivitet. De er skapt for å sikre at vi tar hensyn til naturen og bærekraften og legger føre var til grunn. På grunn av klimaendringene er områdene i forandring. Is smelter, arter dør ut, og områder forandrer seg. Det gjør at vi hele tiden er nødt til å forbedre kunnskapen vår, sette kunnskapen inn i en større sammenheng. Det er sterke interesser for stor aktivitet av forskjellig art i havet. Dessverre er det ikke så sterke krefter som drar i retning av føre-var-prinsippet, som alle partier i utgangspunktet sier skal legges til grunn. Arbeidet med forvaltningsplaner skal være nettopp dette viktige redskapet, som skal legge føre var til grunn. Det er klimaministerens verktøy. I denne saken har hun ikke tatt det verktøyet i bruk.

sammenheng. Det er heller ingen som har antydet tidligere at en ønsker å forlate et spor om grundige, faglige, helhetlige oppdateringer av forvaltningsplanen. Men så kommer vi inn i debatten nå – og det er det som gjør denne saken spennende – og hører det faktum at dette er en konsultasjon, en prøvelse av 23. konsesjonsrunde. Vi hører om forhandlingene i desember, og vi hører om forventningene blant støttepartiene i tilknytning til hva som skal skje etter at Stortinget eventuelt sender saken tilbake igjen til regjeringen. Det er ukjent for oss andre, og det er det som er viktig kanskje å få avklart. Vi har sagt veldig tydelig at det vi vedtok i juni for Barentshavet sørøst og rammene for utlysningen av 23. konsesjonsrunde, står fast. Vi har aldri tvilt på at vi har gjort det, og vi mener helt klart og helt entydig at det er regjeringen som har ansvaret for å forvalte den fullmakten de har fått av Stortinget. Vi har heller ikke ment at det var grunnlag for gjennom denne saken å ta en reforhandling på akkurat det vedtaket som skjedde i Stortinget

hele opplegget er sendt ut på høring, sånn at man får inn de ulike impulsene. Alt dette brytes jo nå. Derfor er det stor grunn til å si gjennom denne saken og gjennom det som også står i stortingsmeldingen, nemlig at regjeringen har til hensikt å gjøre dette jevnlig, at nei, dette vil vi ikke være med på, vi vil fortsatt gjennomføre forvaltningen av havområdene våre på en tilsvarende måte som vi har gjort tidligere, og mener at det er en god ramme for å slå ring om forvaltningen av havområdene. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg startet forrige innlegg med å understreke føre-var-prinsippet. Med dette som ledestjerne skal det også påpekes at iskanten, uansett på tross av global oppvarming, under gitte værmessige forhold, for kortere eller lengre tid kan bli liggende lenger sør enn forventet. Det omtales i en merknad som Kristelig Folkeparti står sammen med Miljøpartiet De Grønne om. I tildeling av konsesjoner må det derfor tas høyde for dette, og det må ligge en klausul i alle konsesjoner i Barentshavet om at dersom iskanten på noe tidspunkt reelt sett er nærmere installasjoner for petroleumsutvinning eller leting enn 50 km, skal produksjon og leting umiddelbart stanses og ikke igangsettes igjen før iskanten er lenger unna enn nevnte sikkerhetssone. Det er ikke sikkert dette skjer, men det kan skje, og da må man ha tenkt på forhånd hva som er konsekvensen. Til slutt: Vi er glad for at et flertall mener at oljevernberedskapen i nord må styrkes, og teknologiutviklinga innen oljevernteknologi må intensiveres parallelt med arbeidet med rullering av forvaltningsplanen. Det er også vesentlig på bakgrunn av forventet økt petroleumsvirksomhet i de russiske havområdene og skipsfart som følger av dette.

for den oppdateringen av iskanten som man legger opp til i meldingen. Da kan vi ikke konkludere med noe annet enn at det som nå gjelder, er kartgrunnlaget fra 2011 og forvaltningsplanen fra 2011. Siden det foreligger en samarbeidsavtale, er det de fire partiene som må finne ut hvordan man følger opp den samarbeidsavtalen.

at det skulle være samme definisjon for Barentshavet sør og Barentshavet sørøst, og at dette skulle behandles som ett område i neste oppdatering av forvaltningsplanen. Det skulle allikevel ikke være til hinder for at det kunne drives petroleumsvirksomhet i området. Da reagerte vi og begynte å stille spørsmål, og i løpet av komitéarbeidet i forrige periode, da åpningsmeldinga ble behandlet, kom det fram at definisjonen for den rød-grønne regjeringa av hvor iskanten lå, var endret, den var plutselig «den til enhver tid observerte iskant». Der begynte konflikten, der begynte engasjementet og denne diskusjonen, som for så vidt ender opp i denne meldinga. For Kristelig Folkeparti var det uaktuelt at det skulle være petroleumsvirksomhet ved iskanten. Men det sa jo et samlet storting, alle var enige om det, og da var jo spørsmålet hvor iskanten lå. Da flertallet i Stortinget valgte å åpne hele Barentshavet sørøst og si at det ikke var til hinder for å drive petroleumsvirksomhet, anså Kristelig Folkeparti det langt på vei slik at vi dessverre tapte kampen der og da. I forhandlingene med den blå-blå regjeringa

men grunnen til at Kristelig Folkeparti avviser, er, som vår talskvinne Rigmor Andersen Eide sa, at vi vil heller ha en helhetlig oppdatering i neste forvaltningsplan. Men da er egentlig spørsmålet og poenget mitt: Når Arbeiderpartiet sier det de gjør, hva er det de egentlig mener? For enten støtter man ikke den definisjonen som den rød-grønne regjeringa brukte, nemlig «den til enhver tid observerte iskant», som jeg forstår betyr at en kan fortsette 23. konsesjonsrunde som planlagt,

i forvaltningsplanen fra 2011 – den definisjonen som brukes der. Det er en nyttig avklaring av hvor regjeringen står, og da vil jeg bare vise kartet fra den gangen, som tross alt er det vi tok utgangspunkt i. Dette er det kartet som forvaltningsplanen legger til grunn.

når de snakker om iskanten. Så mener statsråden at hun når hun har bedt Polarinstituttet på to dager regne ut hvordan man putter oppdatert informasjon inn i en utdatert modell, gjerne vil bruke dette svaret. Det avviser Stortinget. Høyres representanter, bl.a. Nikolai Astrup, og de andre representantene fra regjeringspartiene foreslår at dette vedlegges protokollen. Det blir avvist her i dag. Hvis dette hadde vært vedlagt protokollen, hadde hun kunnet bruke den oppdateringen som her er skjedd. Men Stortinget sier at denne stortingsmeldingen sender vi tilbake til statsråden. Vi vedlegger den ikke protokollen. Da kan ikke statsråden si: Vel, jeg gir blaffen i Stortinget, jeg gir blaffen i at Stortinget ikke vedlegger denne saken protokollen. Stortinget avviser av ulike grunner – sånn som jeg presenterte det i mitt åpningsinnlegg noen avviser fordi de mener at prosessen er for dårlig, noen avviser både på grunn av at prosessen er for dårlig og på grunn av at resultatet ikke er det best faglig tilgjengelige, og noen avviser fordi de mener at konklusjonen på denne oppdateringen er gal. Statsråden legger altså til grunn den iskantdefinisjonen som iskantdefinisjonen som lå til grunn for dette kartet, og når Stortinget velger å sende denne stortingsmeldingen tilbake, da er det denne som gjelder.

SVs Lars Egeland. Faktum er at regjeringa Stoltenberg opna for aktivitet i tilknyting til polarfront og iskanten, med dei premissane som låg føre den gongen. Og det politiske spelet vi i dag ser, er rett og slett underleg, spesielt i ei tid når denne næringa slit med utfordringar, slit med oppseiingar og slit med å sysselsetje dei folka som dei har hatt over lang tid. I tillegg ser ein at det blir lagt til grunn ein moral her som

Det er ikke Stortinget som skal sitte og diskutere iskanter utenom revideringene av forvaltningsplanene heller. Det er det regjeringens ansvar samvittighetsfullt å vurdere. Derfor er jeg litt overrasket over at Kristelig Folkeparti også kommer inn her og går til et så voldsomt angrep på de rød-grønne. Hvis Kristelig Folkeparti mener at det var usikkerhet knyttet til åpningen av Barentshavet sørøst, må de jo avklare spørsmålet med de partiene de har satt inn i regjering. Vi baserer oss på dagens forvaltningsplan og og hvis Kristelig Folkeparti ønsker en avklaring, synes jeg det hadde vært redeligere om Kristelig Folkeparti da hadde sagt som representanten Elvestuen sier, at dette er et spørsmål man er nødt til å ta opp videre med våre samarbeidspartnere i regjering, og konsentrert seg om det, istedenfor å skyte løs på de

om at dette nok handler mer om politisk spill og mindre om faglige oppdateringer enn det de hevder. Ellers er det fremmet en rekke påstander i løpet av debatten som ikke kan stå uimotsagt. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås sier at denne oppdaterte forvaltningsplanen er fullstendig ufaglig. Bestrider han det fysiske faktum som de oppdaterte havisobservasjonene fra Polarinstituttet viser, nemlig at isen har trukket seg nordover? På hvilken måte er det fullstendig ufaglig at vi legger Polarinstituttet, som jeg oppfatter at han er opptatt av, sine oppdaterte observasjoner av havisen de siste 30 årene til grunn fremfor de utdaterte observasjonene av havisen fra perioden 1967–1989? Det er mye snakk om at vi ikke skal diskutere blokker. Jeg er helt enig med Senterpartiet – det er heller ikke det vi gjør. Vi diskuterer hvorvidt isen har trukket seg nordover eller ikke. Forvaltningsplanen viser at den har trukket seg nordover, og det er det vi diskuterer. Nå er det riktignok andre partier som har brakt blokkene inn i denne salen gjennom å fremme et forslag, og det er altså ikke regjeringspartiene. Det er fremmet et forslag om å trekke ut blokker av 23. konsesjonsrunde. Det forslaget vil bli nedstemt. Jeg har vanskelig for å se for meg, uavhengig av hvilke vurderinger regjeringen skal gjøre, slik Arnstad tar til orde for, at regjeringen skal ta ut blokker som Stortinget eksplisitt har stemt mot at skal tas ut av 23. konsesjonsrunde, slik vi vil gjøre det senere her i dag. Det vil være underlig å gå på tvers av Stortingets vilje. Så er det sånn, som jeg også sa i mitt innlegg, at rammene for 23. konsesjonsrunde er fastsatt i åpningsmeldingen basert på den forvaltningsplanen som Stortinget vedtok i 2011. Så er det sånn, som jeg også sa i mitt innlegg, at rammene for 23. konsesjonsrunde er fastsatt i åpningsmeldingen basert på den forvaltningsplanen som Stortinget vedtok i 2011. Det toget er gått – vi var alle sammen om bord. Og når man avviser denne oppdateringen ved å sende den tilbake, er det den forrige forvaltningsplanen som gjelder – og åpningsmeldingen var basert på den forvaltningsplanen. Ergo er det slik at rammene for 23. konsesjonsrunde ligger fast basert på det forslaget som den rød-grønne regjeringen fremmet, og som jeg oppfatter at flere representanter her,
behov for å presisere litt på bakgrunn av denne debatten vi har hatt. Vi har lagt fram en stortingsmelding med et godt faglig fundament. Regjeringen har ikke foreslått noen ny definisjon av iskanten. Vi har basert oss på akkurat samme beregningsmåte som tidligere. Men det vi har gjort, er å putte de nyeste tilgjengelige dataene inn i den samme formelen. Den oppdateringen er gjort av Norsk Polarinstitutt på grunnlag av de nyeste tilgjengelige og kvalitetssikrede dataene. Det er en oppgave det er naturlig å be Polarinstituttet om å gjennomføre. Så har en sagt at en vurdering av beregningsmåten vil være et aktuelt tema for det faglige arbeidet fram mot revidering av forvaltningsplanen i 2020. Det er kanskje mer naturlig at en går inn og ser på beregningsmåten i en revidering enn i en oppdatering. Jeg skjønner selvfølgelig hva Stortinget nå gjør når de sender Meld. St. 20 for 2014–2015 tilbake til regjeringen. Da er det den forrige forvaltningsplanen som er gjeldende. Den har den samme definisjonen – vi endret ikke definisjonen fra den forvaltningsplanen i den oppdateringen vi nå la fram for Stortinget.

så hvis de har problemer med det Tord Lien holder på med, får de ta det med Tord Lien og ikke med Arbeiderpartiet. Så blir det sagt av bl.a. representanten Astrup, som er rørende indignert over Arbeiderpartiet, at vi ikke er opptatt av oppdatert informasjon. Det er feil. Jeg kjenner mange i Arbeiderpartiet som titt og ofte er innom Polarinstituttets hjemmesider, npolar.no, og trykker på «kart», trykker på «iskant» – mye interessant informasjon. Så det er ikke sånn at vi i Arbeiderpartiet ikke er opptatt av det. Når vi snakker om iskanten, Så det er ikke sånn at vi i Arbeiderpartiet ikke er opptatt av det. Når vi snakker om iskanten, vil jeg si at statsråden har sagt mye interessant om definisjonen og hvilken man skal bruke etter at vi har sendt meldingen tilbake. Jeg ble litt urolig i stad med hensyn til hva hun egentlig mener. Arbeiderpartiet blir av representanten Astrup veldig tydelig beskyldt for å drive med spill. Det må jeg si at jeg synes er ugreit. Landsmøtet til Arbeiderpartiet var tydelig på hva som var vårt syn når det gjaldt Vi sa tre ting: Vi sa at petroleumsvirksomhet i og ved iskanten ikke er forenlig med en forsvarlig forvaltning av havområdene våre, vi sa at når iskanten defineres på nytt, skal det skje ved en helhetlig revidering av forvaltningsplanen, og vi sa at rammene for 23. konsesjonsrunde ligger fast. Dette var et landsmøtevedtak som vi fattet før stortingsmeldingen kom, så å si at vi driver med spill, er feil. Vi følger opp vår egen partiorganisasjon og de vedtakene vi har Jeg synes representanten Elvestuen har vært den mest redelige mannen i denne salen i dag, for han sier at det er de fire partiene – regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene – som har en utfordring fordi de er uenige, og at det er de som er nødt til å håndtere den saken. Det er jeg helt enig i. De får sette seg ned og prate om hvordan de skal håndtere de spørsmålene de er uenige om. Slik kan de spare Stortinget for mange timers arbeid med en sak som vi er nødt til å sende tilbake bl.a. fordi regjeringen ikke snakker med sine samarbeidspartier. Helt til slutt: Arbeiderpartiet blir i Dagens Næringsliv beskyldt av representanten Tina Bru for å stå i spagat. Da vil jeg anbefale å ta en liten titt i speilet
Jeg prøvde i mitt innlegg å fortelle min versjon av historien og minne noen av representantene om hva som faktisk ble gjort i forrige periode. For den dobbeltlinja som var i forrige periode, er jo like synlig nå fordi, som jeg sa i stad, når regjeringa i åpningsmeldinga kom med kriteriene som også lå til grunn for 23. konsesjonsrunde,

gjelder da? Jo, den Stortinget har vedtatt. Representanten Marit Arnstad fra Senterpartiet og representanten Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet bekrefter jo at kriteriene, eller rammene, for 23. konsesjonsrunde står fast. Og hva er det som står der? der? Det ene kriteriet er: «I områder nærmere enn 50 km fra den faktiske/observerte iskanten vil det ikke være tillatt med leteboring » Da er det jo definisjonen «faktisk observert iskant» Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger til grunn. Jeg skjønner det når Høyre og Fremskrittspartiet sier at de har et flertall i Stortinget og ikke er redde for at meldinga sendes tilbake, osv., for rammene ligger jo fast, det er den faktisk observerte iskanten som gjelder. Det er egentlig en mer radikal definisjon enn det som

Høyre og Fremskrittspartiet gikk i regjering, og som jeg er klar over nå. Derfor mener jeg at Arbeiderpartiet ikke bare kan si at de vil sende meldinga tilbake, og at vi må løse problemet. De har jo selv vedtatt definisjonen og sier selv at rammene skal ligge fast, og det er det som er hovedproblemet. Hadde Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Men når man lytter til representanten Aukrusts innlegg, høres det ut som om det burde vært helt umulig for Arbeiderpartiet. Så hva som egentlig er motivasjonen bak det Arbeiderpartiet gjør i dag, er vanskelig å forstå. Som forklaring på hva som skjedde i forrige periode, da Arbeiderpartiets egen regjering slo fast i St.meld. nr. 37 for 2008–2009 at man ønsket en oppdatering av forvaltningsplanen i denne stortingsperioden, sier representanten Hansen at Stortinget ikke vedtar stortingsmeldinger, at det er regjeringens melding til Stortinget. Det er vanskelig å forstå hva den forklaringen egentlig betyr. Det eneste som er tydelig for meg i denne saken, er at Arbeiderpartiet, hvis det ikke er for kun å lage politisk spill, synes det bedre å forholde seg til et dårligere faggrunnlag om havisobservasjoner enn det regjeringen legger opp til med denne stortingsmeldingen. I så fall stiller det representanten Aukrusts innlegg i et veldig underlig lys. Jeg undrer meg over at representanten faktisk her er mer på linje med SV og MDG, som tross alt har en mye mer forståelig motstand mot dette enn hans egne partifeller. Jeg mener derfor at det jeg sier i DN i dag, er blitt bevist gjennom denne debatten, der det er mer uenighet mellom representantene fra Arbeiderpartiet enn det synes å være andre steder. Så er det ikke så kjempeoverraskende at det er uenighet mellom ulike partier, at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i noen saker vil være uenige. Det er helt naturlig. Men det er litt underlig å sitte og høre på en debatt i Stortinget der Arbeiderpartiet er så uenig med seg selv, uenig om hva som er grunnlaget for hvorfor de sier nei til den stortingsmeldingen som kommer fra Tine Sundtoft. Representanten Marit Arnstad har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

best tilgjengelig kunnskap, som er innspillene fra Polarinstituttet og Miljødirektoratet, som altså er fagetatene til statsråden – og som statsråden gjennom sitt virke i regjeringen må forholde seg til og ta stilling til og «bære inn» til regjeringens arbeid med 23. konsesjonsrunde i den grad hun ønsker. Vi foreslår det derfor tatt opp her, fordi vi ellers ikke kan komme i inngripen med disse prosessene i det hele tatt, og fordi det faktisk er slik at disse områdene er de som er sårbare, og som Polarinstituttet og Miljødirektoratet mener er særlig verdifulle områder. Det som er blitt klart i behandlingen av denne saken, og som ingen har sagt imot fra regjeringspartiene, er at det som i realiteten er gjort, er å flytte iskanten i løpet av to dager for å løse problemet til Kristelig Folkeparti og Venstre. For gjennom å flytte iskanten lenger mot nord på et kart – slik som dette kartet i stortingsmeldingen viser, der iskanten er tegnet inn – så skulle man løse problemet med at enkelte blokker i 23. konsesjonsrunde var i strid med forvaltningsplanens beskrivelse av iskanten og

it! Denne stortingsmeldingen er vedlagt protokollen. Den er gyldig, med de merknader og forslag som ble behandlet med forvaltningsplanen. Her ligger iskanten, slik Stortinget ser det, etter forvaltningsplanen. Dette kartet sier statsråden at hun har tenkt å forholde seg til. Det kan ikke statsråden gjøre. Statsråden har foretatt en oppdatering, hun har framlagt det for Stortinget for å få det sanksjonert – «sandpåstrødd», vil enkelte si. Det får hun ikke, og da kan ikke statsråden bruke dette kartet.

og da er det helt riktig at den oppdateringen av iskantdefinisjonen ikke kan brukes. Men så har altså regjeringen i denne prosessen kommet i en situasjon hvor vi vet at det foreligger fra Norsk Polarinstitutt et nytt forslag til en iskantdefinisjon som de anbefaler som vitenskapelig bedre. Det er ikke behandlet i noen prosess, det kan godt hende at det trenger videre vitenskapelig oppdatering, og det er ikke en gyldig prosess, men det etterlater oss og det etterlater framfor alt en statsråd – som har ansvaret for å ta vare på miljøet, og være miljøets forsvarer i regjeringen – i en situasjon hvor hun vet at det foreligger en anbefalt definisjon som legger iskanten lenger sør, ut fra en ny måte å tenke sikkerhet i nord på, som vil føre til at dersom flere av de nordligste blokkene som er utlyst i 23. konsesjonsrunde, faktisk blir åpnet, så vil man raskt risikere å komme i en situasjon hvor nye anbefalinger vil vise at de ligger for langt nord og for langt inn i iskanten. Så spørsmålet er: Hva gjør en miljøvernminister da? Hva gjør en statsråd som framfor alt har ansvar for å arbeide etter føre-var-prinsippet, når hun sitter på den typen informasjon? Det vil jeg veldig gjerne vite fra denne statsråden. Hva har statsråden tenkt å gjøre når hun vet at det er høyst sannsynlig at hun etter hvert vil få en anbefaling på bordet om en iskantdefinisjon som ligger lenger sør enn det vi opererer med nå, enten vi bruker den som ble vedtatt i

å drive letevirksomhet nå. Så er representanten Hansen opprørt over at jeg beskylder Arbeiderpartiet for å drive politisk spill. Vel, dette handler egentlig om at Arbeiderpartiet sier nei til en oppdatering av forvaltningsplanen, som de selv har bedt om. De sier også nei til noe som bør være helt ukontroversielt, og som alle er enige om, nemlig at isen har trukket seg nordover, og velger å basere seg på beste tilgjengelige utdaterte kunnskap, for å bruke sjargongen som Eidsvoll Holmås benytter. Det mener jeg ikke vitner om annet enn at dette er politisk spill fra Arbeiderpartiets side. :Jeg skjønner at det er

da de behandlet forvaltningsplanen i 2011. Det vi derimot har gjort, er å legge inn nye data i den definisjonen. Så påstår representanten Hansson at Polarinstituttet har kommet med en ny definisjon. Det er heller ikke riktig. Det som er riktig, er at Polarinstituttet kom med en høringsuttalelse til hvor de anbefalte at en la en maksimalgrense der det var 1 pst. sannsynlighet for utbredelse av is. Det var ingen ny definisjon fra Polarinstituttet. Så har regjeringen sagt i den stortingsmeldingen som Stortinget nå velger å sende tilbake, at det er naturlig at vi kommer tilbake i revidering av forvaltningsplanen og ser på en ny beregningsmåte av iskanten. Nå fortsetter vi det arbeidet og går i gang med en revidering av forvaltningsplanen, hvor det er naturlig å se på en eventuell ny beregningsmåte. Så er det viktig, som normalt, at vi bruker Faglig forum til det og ikke nå sier at Polarinstituttet har kommet med en ny definisjon. De kom med en høringsuttalelse til 23. konsesjonsrunde. Nå bruker vi Faglig forum og kommer gjennom arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen fram til en eventuelt ny beregningsmåte. Før det kommer på plass, må en forholde seg til det Stortinget selv har vedtatt gjennom forvaltningsplanen i 2011. Det er det regjeringen har gjort. Vi har ikke laget noen ny definisjon, men vi mente at det var av interesse for Stortinget og andre å få den siste tilgjengelige kunnskap om hvor iskanten nå er beregnet til å være. Derfor oppdaterte vi definisjonen med tallene fra 1985 til 2014. Det er det regjeringen har gjort. Statsrådens uriktige framstilling av historien blir ikke mer riktig av at hun gjentar den for tredje gang. Det er

er at vi har tatt dette kartet – som er framlagt – og vedlagt det protokollen sammen med de merknader og forslag som ligger der. At statsråden insisterer på at Stortinget vedtok denne definisjonen, og at hun har oppdatert den, får stå for hennes egen regning, men det er altså ikke riktig. Det er en uriktig framstilling av sånn sakens forhold faktisk er. Det som er sannheten i denne saken, er at statsråden har valgt å se bort det som er anbefalingen fra Polarinstituttet om iskanten, som til og med har en liten beskrivelse av hvordan iskantbeskrivelsen kan brukes som en veileder for politikere som skal benytte seg av denne. Det har statsråden valgt å se bort fra. Hun og regjeringen har bevisst valgt å se bort fra oppdaterte modeller for hvordan man skal vurdere iskanten, og hvordan man skal benytte iskantoppdateringene fra Polarinstituttets side, og har i stedet valgt å oppdaterte modeller for hvordan man skal vurdere iskanten, og hvordan man skal benytte iskantoppdateringene fra Polarinstituttets side, og har i stedet valgt å putte oppdaterte data inn i en utdatert modell. Å putte oppdaterte data inn i en utdatert modell gir like fullt utdaterte resultater. Det er det statsråden presenterer for Stortinget. Stortinget. Det er derfor vi avviser å legge denne saken ved protokollen, men i stedet sender den tilbake – noen, som sagt, fordi de er uenige i konklusjonen og bruken av faglig kunnskap, andre på grunn av at de mener at dette ikke er en helhetlig behandling. Da mener jeg følgende: Statsråden må ha respekt for at Stortinget ikke kommer til å vedlegge dette kartet – denne oppdateringen av forvaltningsplanen – protokollen. Hvis ikke statsråden har respekt for det inn i den endelige behandlingen av 23. konsesjonsrunde – der regjeringspartiene forholder seg til sine samarbeidspartnere, – der regjeringspartiene forholder seg til sine samarbeidspartnere, og der man godt kan være uenig om ulike blokker som skal tildeles, men der man må forholde seg til de fakta som Stortinget har lagt til grunn – kan heller ikke Stortinget ha respekt for statsråden. Representanten Eva Kristin Hansen

Det er han som sitter med det ansvaret. Hvis vi fortsatt hadde hatt rød-grønn regjering, er det ikke sikkert at den konsesjonsrunden hadde sett likeens ut, vi står ved åpningsmeldingen. Men det er ikke godt å si, for vi vi sitter ikke i regjering. Så Ropstad må snakke med Tord Lien, ikke med Eva Kristin Hansen. Det er Det er riktig, som statsråden sa i eit tidlegare innlegg her, at det kan vere utruleg vanskeleg – det er mi erfaring også – å følgje debatten om iskanten, og til og med forstå han fullt ut. Kva er iskanten? Det er vanskeleg å forklare og vanskeleg å forstå for mange. Kvifor er han så utruleg viktig, den eksplosjonen av biologisk liv og alt han betyr for livet i Arktis – men òg sjølvsagt spørsmålet om korleis vi har definert det, korleis vi har behandla det i politikken? Når det gjeld noko av kjerneproblemet der, har etter mi oppfatning representanten Eidsvoll Holmås sakleg rett: I dei to forvaltningsplanane vi tidlegare har vedteke – den siste i 2011 – har det ikkje i tekst stått ein uttrykt definisjon: Sånn forstår vi iskanten. Det var eit kart som var lagt ved som ein kunne tolke som ein definisjon eller som ein illustrasjon, men det har ikkje stått ein uttrykt definisjon. Det er derfor også riktig at i samband med behandlinga av 23. runde kom det tekst frå ulike stader som ein kunne forstå på ulik måte – for å seie det sånn – som representanten Ropstad var inne på. Men nettopp derfor er det så utruleg viktig

med eit økologisk, miljøfagleg, utgangspunkt, som ei ramme for annan aktivitet. Sidan eg veit at ein miljøvernminister i jobben sin i ei regjering ofte er litt aleine om å ta omsyn til det, mot ei rekkje ulike andre enkeltinteresser, som slåst for andre ting, er det jo når alt kjem til alt, ein styrke at eit fleirtal i Stortinget seier: Kom tilbake med ein heilskapleg forvaltningsplan. er ein styrke til å seie at no må vi gjere det arbeidet innan ramma for at vi skal forvalte våre havressursar på ein økologisk og berekraftig måte. Så det beste som kan kome ut av dette, er at det instituttet vert styrkt. Eg har sjølv opplevd korleis det har vorte lagt merke til i andre land, land som har teke kontakt med oss for å samarbeide om det, lære av den måten å forvalte havområda på. Det eg iallfall håpar kjem ut av dette, er at statsråden går litt ut av forsvarsposisjon og over i ein posisjon for korleis vi om ei stund skal få ein heilskapleg forvaltningsplan til Stortinget som tek utgangspunkt i å forvalte ressursane våre på ein miljømessig forsvarleg måte – inkludert ein definisjon av

Så har jeg behov for å presisere overfor representanten Eidsvoll Holmås: Det kartet han har vist til et par ganger nå, er basert på den definisjonen som kommer fra Faglig forum, hvor de definerte hvor det var 30 pst. sannsynlighet for is i april. Da mener jeg at når det kartet er basert på den definisjonen fra Faglig forum, er det nå det Stortinget har sagt er gjeldende. Når Stortinget nå ikke har sagt noe annet i denne saken, er det det en forholder seg til, og det er i den modellen vi putter inn de siste tilgjengelige dataene – ikke noe annet; det er ikke laget noen ny definisjon.

er å legge fram denne stortingsmeldingen med dette kartet for Stortinget og lagt til grunn en definisjon og løftet denne fram til Stortinget. Stortinget avviser ikke å behandle det, vi avviser å vedlegge det protokollen. Det betyr at statsråden må forholde seg til de tingene Stortinget har vedtatt fram til nå, i sitt videre arbeid.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

verden. I dag la Flyktninghjelpen fram flyktningregnskapet for 2015, og tallene de presenterer, viser at vi har gått fra vondt til verre. Nå er det 59 millioner mennesker som er drevet på flukt fra sine hjem. Mange av disse menneskene har Europa som mål og vil prøve å skape seg et nytt liv her, og for mange av disse igjen er porten til Europa Middelhavet. I 2014 kom 221 000 mennesker på flukt sjøveien over Middelhavet. Den italienske redningstjenesten plukket opp hele 150 000 av dem. Den internasjonale Organisasjonen for Migrasjon, som overvåker situasjonen, registrerte 3 400 personer som druknet i Middelhavet i 2014. Organisasjonen mener imidlertid at for hvert lik de finner, og som blir registrert, er det ytterligere to som aldri blir funnet. funnet. Gitt at den forutsetningen stemmer, druknet 10 000 mennesker i Middelhavet i 2014. Denne situasjonen utvikler seg på en sånn måte at vi kan snakke om en ny massegrav i Europa. Italienernes respektable innsats ble langt mer omfattende enn de hadde forestilt seg da de satte i gang operasjonen Mare Nostrum. Redningstjenesten krevde mange skip og mannskap, det var også store søkeområder, og kostnadene ble tilsvarende Italia har derfor bedt EU og resten av Europa om bistand i form av redningskapasitet eller penger. Jeg er glad for at statsministeren i sin redegjørelse 30. april i år langt på vei imøtekom det som er hovedintensjonen i representantforslaget vi har til behandling, nemlig en styrket norsk humanitær innsats i Middelhavet. Jeg har også lyst å understreke at det er veldig bra at regjeringen valgte å forsere tidspunktet for når bidraget skulle være på plass, fra opprinnelig i august i år til at det allerede er på plass. Skipet «Siem Pilot» ankom Sicilia 7. juni i år, og så vidt jeg vet, er de allerede i gang med å delta i operasjoner i området. Jeg er også veldig glad for at avtalen mellom regjeringen og redningsselskapet om å sende redningsskipet «Peter Henry von Koss» til Middelhavet er kommet på plass. Det skal ikke operere sør for Italia, men lenger øst i Middelhavet, i en operasjon som heter Poseidon. Det er bred enighet i komiteen om at dette er en kompleks problemstilling, som ikke kan løses med enkle virkemidler. Men det er også en erkjennelse av at vi som nasjon har et ansvar for å bidra.

innsats mot menneskesmugling, beskyttelse av mennesker på flukt og opphold til flyktninger er alle områder som henger sammen, og som henger sammen med hvordan vi skal klare å håndtere en veldig krevende situasjon, ikke minst en veldig vanskelig situasjon for mange tusen mennesker. Dette er også et område som er i stadig utvikling. Prognosene for Middelhavet og drukningene i Middelhavet i år er ille. Allerede har 1 800 mennesker blitt registrert omkommet. Det tyder på at tallene blir verre enn i fjor. Det er derfor et stort engasjement i Stortinget for saken, og derfor er det også et bredt flertall som står bak et forslag som ber regjeringen komme tilbake og holde Stortinget oppdatert på hvorvidt det er nødvendig å gjøre ytterligere endringer i den humanitære innsatsen. Vi forventer selvfølgelig at regjeringen følger opp det på en egnet måte. Regjeringen bidrar aktivt for å avhjelpe flyktningkatastrofen i Middelhavet. Det er

Verdens flyktningstrømmer er økende. Det skyldes ulike forhold. FNs høykommissær for flyktninger rapporterte i dag at det er over 50 millioner mennesker på flukt i verden. Ikke siden annen verdenskrig har så mange mennesker i verden vært på flukt. Årsakene til at mennesker flykter, er mange: krig, befolkningsvekst, korrupsjon, etniske konflikter og muslimsk ekstremisme eller en kombinasjon av disse. Mange blir fordrevet fra sine bosteder til andre områder i samme land. Andre flykter ut av sine hjemland. Grunnleggende sett er det mangel på stabilitet, samfunnsbygging, samfunnsorganisering og styringsevne som gjør at fattige land forblir fattige. Fremskrittspartiet brukte tidligere et slagord hvor det het: «Fremtiden skapes – den vedtas ikke». Vekst, velstand og velferd kan ikke vedtas. Det krever egeninnsats, vilje til samarbeid og maktdeling. Skal fattige land lykkes, må de evne å skape sin egen fremtid. Ulike grupper må finne sammen i et felles prosjekt som gagner alle. Den rike delen av verden bør bistå humanitært for å avlaste kriser og flyktningstrømmer, men den bør i fremste rekke bidra som tilrettelegger for forhandlinger og diplomatiske løsninger. Hovedansvaret for utvikling må alltid være forankret i landene selv. Representantforslaget vi behandler i dag, retter oppmerksomheten mot en av konsekvensene av statskollaps i flere land. Folk flest flykter, enten fordi de frykter for sine egne liv, eller fordi de ønsker å få et bedre liv. Det er forståelig, men ikke bærekraftig, verken for landene de flykter fra, eller for landene de flykter til. Schengen-samarbeidet er under enormt press. Særlig hardt går det ut over Italia og Hellas. Løsningen er imidlertid ikke en jevnere fordeling av flyktningene i Europa. Det er en kortsiktig løsning og vil føre til at enda flere vil forsøke å komme hit. Vi må gjerne, nasjonalt og internasjonalt, diskutere hver enkelt krise for seg, men på sikt er en slik tilnærming ikke bærekraftig. Fremskrittspartiets merknad i innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen retter oppmerksomheten mot systemendringer som må komme. Dagens nasjonale systemer for behandling av asylsøknader bringer med seg alt vi ikke ønsker. Vi opplever menneskesmugling, mindreårige asylsøkere som blir sendt i forveien på farefull reise, mennesker som søker asyl uten behov for beskyttelse, og mennesker som får avslag, men som allikevel blir værende i landet. Det samme gjelder i hele Europa. Det skaper stor mistro til systemet blant europeere flest, samtidig som skepsisen til flyktninger i landene øker. Verden trenger ett system, med ett sett med regler for behandling av asylsøknader. Kriteriene bør være like.

Et slikt system vil kunne gjenreise bærekraften i asylinstituttet og samtidig øke forståelsen og aksepten for flyktninger i verdens

for arbeidet og for at dette er satt på dagsordenen, og vi støtter forslaget som er framsatt. Tallet er ikke 50 millioner flyktninger, som vi hørte i forrige innlegg. I dag kommer Flyktninghjelpen med sitt flyktningregnskap, som forteller at det er ca. 60 millioner, 59,5 millioner, på flukt i 2014 – altså en økning på over 8 millioner bare siste år.

Sjøredningsprogrammet ble imidlertid trappet ned i 2014. Italia fikk ikke nok støtte fra EU-land til å dekke den månedlige kostnaden – nærmere 80 mill. kr. Da redningsprogrammet Mare Nostrum ble trappet ned, sto vi igjen med EUs kontroll- og overvåkningsorgan Frontex, som samarbeider med Italias kystvakt om deler av rednings- og søketjenesten. Aksjonen kalles Triton, og er primært en grensekontroll. Programmet har et budsjett på omtrent halvparten av det Mare Nostrum hadde. Triton har likevel reddet tusenvis av flyktninger, men det er ennå usikkert hva Triton får å si for håndteringen av flyktningsituasjonen i Middelhavet. Norge har bidratt med polititjenestefolk til å foreta intervjuer og screening av flyktninger. Norge bidrar ved å sende ned kystvaktskip, og statsråd Brende forsikret nylig Stortinget om at sjøredning selvfølgelig er i mandatet. Nå leies det også tjenester fra Redningsselskapet. Kristelig Folkeparti mener at dette er veldig bra, og at vi i fortsettelsen må vurdere om vi kan bidra med mer. I tillegg er hvert 20. fartøy som befinner seg i det internasjonale farvannet i Middelhavet nær Libyas kyst, norsk. I 2014 tok norske skip alene opp over 2 500 flyktninger. Ifølge Rederiforbundet er situasjonen uholdbar, og det rapporteres endog om skip som legger kursen om for å unngå å støte på nødlidende og hjelpeløse. Det er klart at omfanget av denne humanitære katastrofen ikke kan løses verken av Italia, Frontex eller handelsflåten, men kun av internasjonalt samarbeid. Norge bør delta ut fra det behovet som finnes for redningsutstyr både til vanns, i luft og på land. Norges yttergrense er ikke lenger bare Storskog, danskebåt eller Svinesund. Norge skal være en nasjon som løfter respekten for liv og velferd høyt, som er i stand til å bistå når det gjelder, både materielt og med personale, og som ikke minst deltar i politiske prosesser som kan ta tak i de bakenforliggende årsakene. Nå kreves en langt større og mer omfattende innsats og tiltak for nettopp de bakenforliggende årsakene. Folkeparti ønsker et sterkt norsk engasjement og en samordnet politikk for å hjelpe de mange flyktningene og den situasjonen de rømmer fra. I mangel på et slikt initiativ er det fare for at situasjonen kan eskalere, og at den humanitære situasjonen forverres. Ut fra forrige innlegg og det representanten fra Fremskrittspartiet

Kristelig Folkeparti mener at vi har en moralsk plikt, ja, en kristen plikt, til å hjelpe i denne situasjonen.

og tenester frå Redningsselskapet vil kome til. Det er viktig, og det er bra. Men det at noko har skjedd, betyr på ingen måte at varsellampene kan sløkkjast. Me står overfor enorme utfordringar for å avhjelpe naud og hindre den kyniske utnyttinga av menneske på flukt frå menneskesmuglarar og terroristar som gjer seg rike på andre Me handsamar ei innstilling som er lagd fram av kommunal- og forvaltingskomiteen, men der utanriks- og forsvarskomiteen har gitt uttale i saka. Eg er glad for at merknadene frå begge komiteane understrekar at dette er ei humanitær krise som ikkje kan løysast med overvaking åleine. Dei største utfordringane vil framleis vere korleis menneske i naud skal hjelpast til eit tryggare liv. Det er i hovudsak ekstrem fattigdom og krig som er årsaka til at ei farefull og kostbar reise med livet som innsats vert sett på som eit betre alternativ enn å verte verande i heimlandet eller i nærområda til heimlandet. Vår viktigaste innsats vil difor vere å bidra til innsatsen frå det internasjonale samfunnet for å stanse krigshandlingane, hjelpe i nærområda og Det siste skal Stortinget handsame i morgon, så det skal få liggje her. Destabilisering av fleire land i Nord-Afrika har gjort menneskesmugling til ei tilnærma ukontrollert verksemd, ikkje minst frå Libya. Ei av dei store utfordringane for operasjonen Triton, som me er ein del av, er korleis ein skal handle i havområda utanfor desse landa, og korleis dette skal Senterpartiet presiserer i ein eigen merknad at norsk innsats ikkje må medføre at me bidreg med militære styrkar til internasjonale operasjonar utanfor NATO utan at dette er forankra i FN-pakta og har eit klårt FN-mandat. Me presiserer i uttala frå utanriks- og forsvarskomiteen at ein eventuell førespurnad om militære bidrag frå Noreg vil måtte krevje ei grundig nasjonal handsaming før eit Saman med Kristeleg Folkeparti, Venstre og SV uttalar Senterpartiet at eit ytterlegare norsk bidrag i Middelhavet «skal ha som føremål å redde liv og redusere den humanitære katastrofen». Senterpartiet er oppteke av at skipet som no er sett inn, skal ha dette som føremål, og håpar at regjeringa igjen kan stadfeste det. frå komiteen ber me om at regjeringa held Stortinget orientert om framdrifta i arbeidet og om behov for endringar i humanitær innsats. Det tener oss lite til ære om me endar opp med å kutte i andre viktige hjelpeprosjekt for å finansiere hjelp til flyktningane i Middelhavet. Med dagens oppdaterte tal frå Flyktninghjelpen, der me ser at nær 60 millionar flyktningar treng hjelp,

Det er dessverre liten grunn til å tru at flyktningsituasjonen i Middelhavet finn ei løysing gjennom dei tiltaka som så langt er komne på plass. Difor er det viktig at Stortinget vert oppdatert på utviklinga, og at me kan kome opp med nye og forsterka tiltak etter som situasjonen måtte krevje

på den farlige reisen over Middelhavet. UNCHR har anslått at rundt 3 200 mennesker har druknet på vei over Middelhavet til Europa i fjor. Over 22 000 mennesker har mistet livet de siste 15 årene. Dette gjør at Middelhavet er verdens farligste grense mellom land som ikke er i krig. Situasjonen beskrives som den største humanitære krisen i vår del av verden. Middelhavet er vår yttergrense som følge av Schengen-samarbeidet. Svært mange av skipene som opererer i området, er norske. Det betyr at vi har et særlig ansvar for å bistå i regionen. Norske skip og sjøfolk og norske hjelpeorganisasjoner gjør, og har gjort, en formidabel innsats i Middelhavet. De har reddet mange liv. Venstre er opptatt av at bidraget fra norske myndigheter skal ha som formål å redde liv og å redusere den humanitære katastrofen i Middelhavet. Det er behov for innsats på flere områder: fredsarbeid, nødhjelp, bistand til land i regionen rundt kriseområdene og innsats mot menneskesmugling, beskyttelse av mennesker på flukt og opphold for flyktninger – alle områdene henger sammen. Videre må vi bekjempe de underliggende årsakene til migrasjon. Utvikling av fattigdomsbekjempelse er helt sentralt, og det er nødvendig med satsing på utdanning og bidrag nå det gjelder fred og forsoning. Norge bør i tillegg gå i front i arbeidet med å sikre en bredere reform av migrasjonslovgivningen i Europa, da spesielt asyllovgivningen, og en regulering av Dublin-avtalen, med sikte på en jevnere ansvarsfordeling mellom landene. Venstre mener regjeringen må ta initiativ overfor EU for å bidra til en europeisk samordning for å løse situasjonen i Middelhavet. Spesielt viktig er det å ta opp spørsmål om byrdefordeling i Europa, innsats mot menneskesmuglere og beskyttelse langs fluktveier. Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig med en bilateral avtale med Italia. Flyktningstrømmen øker, og Norge må bidra til en løsning. Derfor er det viktig at Stortinget holdes orientert om framdriften av arbeidet og om behovet for endringer i den humanitære innsatsen. Det er

han døde. Han hadde en onkel i Norge, den gutten, han kom aldri fram. Disse bildene forteller hva dette handler om. Det er nå nesten 60 millioner flyktninger i verden. Ni av ti fordrives til andre utviklingsland. Det er altså ikke slik at det er de rike landene som tar sitt ansvar tvert imot fraskriver de seg i altfor stor grad sitt ansvar. Mens menneskeliv blir satt i fare, bygger vi gjerder og murer rundt oss sjøl – det Europa som liker å hevde sin menneskerettighetskultur. Noe av det som kanskje har skremt meg mest i vinter, er noen av Europas reaksjoner mot smuglernettverkene,

total mangel på trygghet og lovlige alternativer for flukt. I går sto det en kronikk på Ytring av en vietnamesisk båtflyktning. Han skriver om da han var båtflyktning, og det er en ytring jeg tror mange trenger å lese, for det han hvordan situasjonen er for dem som faktisk setter sine egne og familiens liv på spill i en sånn situasjon, og at de vurderingene vi sitter her og gjør, er totalt irrelevante i deres situasjon. Det er behov for å mobilisere for å redde flere. Det er behov for å mobilisere for å bedre situasjonen i mange av de landene disse flyktningene kommer fra. Da er jeg veldig glad for det representanten Toskedal fra Kristelig Folkeparti minnet om – jeg tror også representanten fra Senterpartiet gjorde det – at vi kan ikke finansiere hjelp til flyktninger med å kutte og bistand ellers i verden. Det kan ikke være sånn at vi i rike Norge skal finansiere denne bistanden vi ser er helt livsnødvendig, ved å ta de pengene fra andre fattige folk. Det går ikke an. Vi har et langt større ansvar enn det. Én båt fra Norge er bra, men ikke nok. Den båten er en del av en grensekontroll som også har redning som oppdrag – det er bra – men det er ikke nok. Norge må ta initiativ til en ny redningsoperasjon, slik at også humanitære organisasjoner som ikke kan delta i grensekontroll, kan bidra. Røde Kors sa til oss under høringen på Stortinget om dette forslaget at de gjerne vil bidra, men de kan ikke bidra i grensekontroll, det er ikke en humanitær organisasjons oppgave. de vil gjerne bidra. Leger Uten Grenser har organisert sin egen redningsoperasjon for dette. Det må til en egen redningsoperasjon, og det foreslo SV også i fjor. Da ble vi nedstemt. Nå hører jeg at det er flere partier som tar til orde for at vi er nødt til å se på hvordan det europeiske systemet for migrasjon er, at vi må reforhandle det med en bedre ansvarsdeling og andre mekanismer mellom landene.

Men dess lenger vi venter med dette, dess mer dreier det seg om å definere flyktningene som er i livsfare, som problemet, mens det er noe helt annet som er problemet, nemlig den situasjonen de flykter fra, og at vi ikke klarer å hjelpe flere. Jeg vil ta opp det forslaget vi har i innstillingen. Representanten Karin Andersen har tatt opp det forslaget hun refererte til. Flyktninghjelpens oversikt over flyktningsituasjonen i verden bekrefter at vi har en internasjonal humanitær situasjon som er forferdelig, og

av naturkatastrofer. Dette er det store bildet rundt den situasjonen som vi diskuterer nå, som er situasjonen i Middelhavet. Miljøpartiet De Grønne er glad for at utenrikskomiteen i sine utspill har lagt vekt på at denne situasjonen også krever at Norge bidrar, gjennom samarbeid med FN, med EU, med Den afrikanske union, gjennom fredsarbeid, bistand og innsats mot menneskesmugling, og gjennom å tilby beskyttelse til flere mennesker. Vi har nå fått en enighet om at vi skal ta imot 8 000 syriske flyktninger fra en annen konflikt. Det er ett skritt på veien, men det er langt fra nok. Vi vet at både regionale aktører og internasjonale stormakter fortsetter å forsyne konflikter, som er deres markeder, med våpen. Det er grunnen til at det er så viktig at Norge som våpeneksportør har full kontroll med hvor våre våpen havner, både dem vi produserer og selger, og dem vi selger brukt. Det betyr at vi må slutte å selge krigsmateriell til autoritære regimer som Saudi-Arabia og Oman, som De Grønne tidligere har foreslått, og det betyr at vi må skjerpe kontrollen med omsetning av utrangert norsk krigsmateriell, som kontroll- og konstitusjonskomiteen nå har saker om. Og vi må begynne å kreve sluttbrukererklæring fra våre allierte også, for det må være et felles mål i NATO at alle land tar ansvar for at krig og katastrofer ikke får lov til å eskalere sånn at det skaper enorme humanitære kriser. Dette er ikke noe tegn på mistillit til våre allierte, det er bare å være enige om at vi skal ta ansvar. Situasjonen i Middelhavet er jo uhyre uoversiktlig, men det er verdt å merke seg at europaministeren vår på spørsmål fra pressen ikke ville utelukke at Norge skal bidra i militære operasjoner utenfor kysten av Libya, f.eks. for å ødelegge fartøyene til menneskesmuglerne. Miljøpartiet De Grønne vil understreke på det aller sterkeste – som også Senterpartiet tar opp i innstillingen at Norge ikke må avgi militære styrker til sånne operasjoner uten soleklar forankring i FN-systemet og et klart FN-mandat, og at dersom en sånn sak i det hele tatt nærmer seg dagsordenen, må Stortinget bli meget grundig involvert helt fra begynnelsen. Miljøpartiet De Grønne er enig med Kristelig Folkeparti, SV, Senterpartiet og Venstre

hvor formålet ikke først og fremst er å beskytte Europas grenser, men å redde liv. Gjennom de grønne i Europa er vi med på et arbeid for et effektivt internasjonalt system som kan overvåke og kontrollere skip for å hindre de farlige reisene over Middelhavet og hindre piratvirksomhet andre steder. Det er de stengte grensene som skaper menneskesmuglere, og det er fattigdom som skaper menneskesmuglere. Derfor er en av løsningene ikke å bygge flere gjerder, men å sørge for flere lovlige og trygge veier for asylsøkere inn i Europa. Dublin-systemet fungerer ikke, og det må reformeres. Vi kan ikke overlate til Italia å ta imot denne flyktningstrømmen alene og sitte lengst nord i Europa og være de som er aller best beskyttet mot dette problemet. Vi blir nødt til å ta ansvar for å løse et problem som vokser. Det er også vårt problem. Ja, det blir et problem her hjemme, ja, det vil koste penger, ja, det vil skape konflikt, men det er altså konsekvensen av at det finnes enorme konflikter internasjonalt, som vi ganske enkelt ikke kan ha som politikk at vi bare skal stenge oss

Regjeringen har som kjent, som flere av talerne har vært inne på, sendt et skip for å delta i Frontex’ operasjon Triton i Middelhavet. Skipet seilte fra Norge i slutten av mai og er nå fremme i operasjonsområdet til Triton. «Siem Pilot» deltar i grensekontrolloperasjonen og bidrar således også til å redde liv. Regjeringen har også som kjent besluttet å ta imot Redningsselskapets svært sjenerøse tilbud om å sende en redningsskøyte til Middelhavet, også det for å bidra i grenseoperasjonen og til å redde liv. Redningsskøyta vil gå inn i Frontex-operasjonen Poseidon i Hellas. Trykket på det østlige Middelhavet har ikke blitt mindre, og også her er det stort behov for å ha fartøy til grensekontroll og sjøredning. Om bord i fartøyet som regjeringen har tilbudt Frontex, vil det også være norske polititjenestemenn for å ta seg av grensekontrolloppgaver og sikkerhet. Nøyaktig tidspunkt for redningsskøytas deltagelse er ennå ikke helt avklart. En ny og revidert operasjonsplan for Triton ble i slutten av mai undertegnet av Italia og Frontex. Regjeringen ønsker en styrking av operasjonen både gjennom flere fartøy og gjennom utvidet geografisk operasjonsområde velkommen. Når det gjelder det store migrasjonsbildet, er den viktigste innsatsen vi kan bidra med, å hjelpe folk der de kommer fra, og slik bidra til at færre blir nødt til å begi seg ut på en farefull ferd mot Europa. Smugling av mennesker er en av de store utfordringene som er en del av migrasjonsbildet rundt Middelhavet. Norge støtter naturligvis kampen mot menneskesmuglernettverk og en innsats som må gjøres på bred front innenfor folkerettslige rammer. Det er positivt at Europa ser på muligheter for å bekjempe kriminelle smuglernettverk. Samarbeidet med europeiske land og EU er avgjørende for å håndtere disse utfordringene, men det er ikke et europeisk problem alene. Fra både EUs og norske myndigheters side legges det vekt på samarbeidet både med opprinnelsesland og med transittland. Norge trapper nå opp bistanden til mennesker på flukt fra Midtøsten og Afrikas Horn til Nord-Afrika for å forhindre at mennesker legger ut på en meget

ødelegge båter med flyktninger i – det er det ikke grunn til å spørre om. Det som Leger Uten Grenser påpeker overfor oss, er at hvis man ødelegger båtene, vil man overlate tusenvis av mennesker til seg sjøl, i en livstruende situasjon i Libya. Der vet vi at det ikke eksisterer trygghet overhodet, og at de er fullstendig overlatt til seg sjøl i en situasjon det er umulig å komme

Men det som er et alvorlig problem, er at mennesker tjener seg rike på andres bekostning i slike sammenhenger. Et av virkemidlene de bruker, er nedslitte, livsfarlige båter som de sender ut familier i. Det at EU er villig til å gjøre det de kan for å hindre en slik situasjon, synes jeg er positivt. Så må det gjøres på en slik måte at det i minst mulig grad setter flyktninger i en enda vanskeligere situasjon enn de er

hvis man setter i gang en slik aksjon. Så er det ingen som er uenig i at mange av disse farkostene er livsfarlige. Det er jo derfor folk drukner og derfor det trengs flere redningsoperasjoner som går nærmere kysten av Afrika. Hvis statsråden kan si litt mer om de konkrete tingene som foregår på dette området, hadde det vært bra. vært bra. Kan statsråden bekrefte, når han sjøl sier at man skal hjelpe folk der de kommer fra, at det må være uaktuelt å kutte i bistand for å finansiere slike tiltak? Representanten er opptatt av at noen av disse vanskelighetene oppstår fordi det ikke finnes lovlige migrasjonsveier til Europa. Jeg tror det er viktig å huske på at veldig mange av dem som er en del av disse migrasjonsstrømmene, ikke er flyktninger alene. Dette er ikke bare krigsflyktninger, det er også en rekke personer som reiser for å søke lykken et annet sted, komme seg til Europa for å arbeide, og de tar en veldig stor risiko, med det tragiske utfallet det har. Så er det mange som flykter fra krig, nød, sult og elendighet, og derfor har regjeringen vært veldig tydelig på at en skal styrke bistanden i nærområdene. både til Syria og også til andre deler av verden hvor det er store utfordringer. Jeg tror man må erkjenne at problemet er komplekst. Jeg mener representanten også gjorde det i sitt innlegg. Det er ingen «quick fix» på denne situasjonen. Det er det ingen som tror, men det er nå en realitet at regjeringen sjøl finansierer hjelpetiltak gjennom avtale, med kutt i bistanden ellers. Men vi kan la det ligge og diskutere det mer i morgen. Vi får ikke diskutert dette en eneste gang uten at ordet «lykkejeger» eller «de som søker lykken» dukker opp. Det hadde jeg håpet vi kunne unngått. Uansett om dette er en krigssituasjon eller en annen situasjon der man risikerer å miste livet av sult, eller at barna gjør det, der det ikke finnes en eneste form for sikkerhet, ville jeg håpet at man kanskje kunne omtale dette på en litt annen måte. Dette er mennesker som søker et minstemål av trygghet og framtid i sitt liv, på samme måte som vi har. Er ikke statsråden enig i det? På en måte. Men det som var mitt poeng, var å få fram at det er mange motiver for å reise. De store migrasjonsstrømmene skyldes ikke bare ett forhold; de skyldes mange ulike forhold. Det tror jeg det er viktig at man anerkjenner som problem rett og slett, hvis man skal finne de beste løsningene. Jeg tror ikke løsningen da er å sikre at flest mulig forflytter seg. Løsningen må være at man gjør at forholdene på hjemstedet til disse personene blir så gode som overhodet mulig, slik at man unngår at f.eks. personer som i stor grad vil være ressurssterke, som vil være viktige for disse landenes gjenoppbygging, reiser ut av landet fremfor å bli værende. Der har vi et stort ansvar, både Norge og resten av verden, for å legge til rette for at man kan få en utvikling som vil styrke de sosiale og humanitære forholdene i de landene som de store migrasjonsstrømmene stammer fra. Det er

Det har vore meir fokus på grenseovervaking og på å ta ut båtar som kan vere brukte av det me kanskje kan kalle kriminelle, som tener mykje pengar på å stille båtane til disposisjon. Kan statsråden stadfeste at det norske bidraget vil vere brukt til søk og redning og ikkje til meir typen militære oppgåver i dette området? Dette skipet skal ikke brukes til militære oppgaver, men det er en del av en grensekontrollstyrke som også skal drive søk og redning. Jeg tror det er viktig å huske at det som er bakgrunnen for Triton, er i utgangspunktet en grenseoperasjon som er utvidet til også å ha fokus på søk og redning, og nå i det siste er også det geografiske området utvidet i forhold til det som var tilfellet tidligere. Det skyldes nok også at det er flere som bidrar med ressurser inn i Triton nå enn det har vært gjort tidligere. Men dette skipet skal ikke benyttes i noen innsats i noe som ligner på militær karakter overhodet. Det er skal ikke benyttes i noen innsats i noe som ligner på militær karakter overhodet. Det er en ren Triton-operasjon som det norske skipet skal delta i. Dersom EU senere ber om bistand til andre typer kapasiteter og ressurser og annen type aktivitet, må det vurderes helt særskilt og helt uavhengig av både det skipet som nå er reist ned, og selvfølgelig også den redningsskøyta som reiser ned om litt.

dessverre. Vi må da ha en redningsoperasjon, slik at det blir mulig også å ha et samarbeid med store internasjonale hjelpeorganisasjoner om dette redningsarbeidet, og det må være førsteprioritet å redde liv. Den andre delen av forslaget dreier seg også om det flere partier, bl.a. Venstre, har vært oppe og sagt de er enig i, nemlig at man må få til en endring i migrasjonslovgivningen i Europa og også i Dublin-samarbeidet. Landene som er kyststater til Middelhavet, varsler at dette er i ferd med å bryte sammen for deres del, og at de på ulike måter nesten er i ferd med å sabotere avtalen ved at de ikke stempler pass og identifikasjonspapirer når flyktningene kommer i land. Gjør de det, risikerer de at det er de som skal sluttbehandle alle søknadene og også gi opphold. Det er lett å skjønne at det er en vanskelig situasjon, særlig når Norge i morgen skal diskutere om vi skal ta imot 10 000 flyktninger over ti år. Dette er land som nå tar imot mange, sjøl om det ikke på noen måte heller kan sammenliknes med det ansvar som fattige land tar, og som de må ta, og som de ikke har noen mulighet til å fri seg fra, nettopp fordi de er nabostater til konfliktområder – slik som Libanon, Jordan og Tyrkia er nå. Og mange andre land i Afrika er blitt et slags nytt hjemland for svært mange flyktninger som har måttet reise fra ulike konflikter og vanskelige katastrofer på det vanskelige katastrofer på det kontinentet. Vi har også nå en situasjon i Asia, der båtflyktninger fra Myanmar skyves ut på havet og er i stor havsnød. Ingen har oversikt over hvor mange som dør der heller. Dette er i ferd med å bli et stort internasjonalt problem. SV er enig i at dette krever breie løsninger, men vi mener Norge må gjøre mer.

men at replikkordskiftet begrenses til inntil seks replikker med svar etter første innlegg fra medlem av regjeringen. – Det anses vedtatt.

og såkalt ansvar. Hensikten må og skal være å drøfte hva som er grunnen til at beredskapsarbeidet ikke fungerer slik som det skal, til tross for den grundige debatten vi har hatt i Norge – også her i salen – etter tragedien 22. juli 2011. Stortinget har også gjort tydelige vedtak som skiftende regjeringer har hatt ansvar for å følge opp. Beredskap og sikkerhet er selvsagt helt vesentlig for befolkningen. Det ville ikke være forsvarlig av Stortinget å vente med å behandle Riksrevisjonens rapport til høsten. Det er ikke kontroll- og konstitusjonskomiteens mandat å bestemme veien videre. I den innstillingen vi nå behandler, er det ulike oppfatninger om årsakene til den situasjonen Riksrevisjonens rapport beskriver, noe jeg selvfølgelig skal komme nærmere tilbake til. Allikevel er det en samlet komité som fremmer forslag til vedtak her i dag om å be regjeringa fremme en stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap i løpet av 2016, slik at Stortinget gis anledning til å se hele beredskapen i en helhetlig sammenheng. Det er allikevel verdt å merke seg at på ett viktig punkt er det ulike oppfatninger om premissene for en slik melding. Komiteens flertall, bestående av alle partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, vil at de alvorlige funnene som fremkommer i Riksrevisjonens rapport, skal være en del av grunnlaget for meldingen. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker derimot ikke det. Jeg legger til grunn at regjeringa vil rette seg etter flertallet i Stortinget på dette punktet. Jeg legger også til grunn at Høyre og Fremskrittspartiet selv redegjør for sitt standpunkt og bakgrunnen for at de mener at Riksrevisjonens alvorlige funn ikke skal ligge til grunn for stortingsmeldingen som skal komme i 2016. Så vil jeg uttrykke en beklagelse. Etter 22. juli var det en bred forståelse for hva som gikk galt, og hvor veien gikk videre. Nå, derimot, i forbindelse med behandlingen av denne saken, er det ikke enighet om hva som er status. Vi må ta inn over oss at det i seg selv er en utfordring for beredskapen at det ikke er en enighet. Hvis alt er bra, hva skal da forbedres? Og enda viktigere: Hva med kulturen og ledelsen i forvaltningen når vi ikke blir enige her i Stortinget? Jeg beklager dette. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å finne ut i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og DSB ivaretar sitt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Riksrevisjonens hovedfunn er at alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerheten og beredskapsarbeidet. De trekker fram: Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser. Det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB. DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til gode mål- og resultatoppnåelser. Riksrevisjonens undersøkelse ble avsluttet november 2014. Det var – tre år og fire måneder etter det største terroranslaget i Norge to år og tre måneder etter 22. juli-kommisjonens rapport, hvor vi fikk avdekket hvor mye som gikk galt den fatale dagen og hvor mye som sviktet i forkant. Hvordan nasjonen overhodet ikke var forberedt mentalt på at noe så forferdelig kunne skje. Hvordan de gode kreftene ikke fant hverandre, Statsminister Stoltenberg oppsummerte Gjørv-kommisjonens rapport i sin redegjørelse for Stortinget i etterkant av fremleggelsen med å si at problemene bl.a. besto i at planene fantes, men ikke ble iverksatt, og at kulturelle holdninger til beredskap og evnen til samhandling var problemet og ikke manglende ressurser, lovverk eller organisering. – ett år og ni måneder etter Stortingets innstilling til Gjørv-kommisjonens rapport, hvor Stortinget enstemmig slo fast at 22. juli-kommisjonens rapport skulle legges til grunn som vår felles fortelling om hva som skjedde 22. juli 2011, en rapport som nådeløst pekte på hvordan politiet hadde sviktet, hvordan samordningen i forkant var en underliggende årsak til mye av det som gikk galt den dagen. Og – her sier jeg «og» – det var et enstemmig storting som på de daværende regjeringspartiers initiativ var enig i og sluttet opp om vedtaket, og som også fremmet kritikk mot den daværende regjering. Det var et enstemmig storting. Alt dette er nå sagt for at vi skal ha med oss

Arbeiderpartiet tar for sin del Riksrevisjonens rapport på det dypeste alvor. Ikke noe er viktigere enn befolkningens trygghet og sikkerhet. Derfor var vår intensjon ikke å legge partipolitiske preferanser til grunn, men prøve å finne ut hva som er realiteten – hva som er gjort for å rette opp svakheter i arbeidet, og om de mangler som det pekes på, skyldes at iverksatte tiltak ennå ikke har rukket å virke i tilstrekkelig lang tid. Hastebehandlingen har, som jeg sa, vært nødvendig av hensyn til politikkområdets viktighet. På denne korte tida har komiteen også rukket å avholde åpen høring med både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, med Politidirektoratet og med tidligere og nåværende justisministre. I tillegg har vi i brevs form stilt spørsmål til statsministeren på bakgrunn av regjeringas opprettelse av et eget såkalt nasjonalt sikkerhets- og beredskapselement ved Statsministerens kontor, som et ledd i å trekke fram beredskap – eller for å bruke ordlyden fra regjeringsplattformen: Gjennomslagskraft i beredskapsarbeidet skal gjenreises. Grunnen til at vi stilte spørsmålet om sikkerhets- og beredskapselementet, var for å få klarhet i hvilken rolle dette spiller som Grunnen til at vi stilte spørsmålet om sikkerhets- og beredskapselementet, var for å få klarhet i hvilken rolle dette spiller som samordningsorgan. Behandlingen av Gjørv-kommisjonens rapport lærte oss at tydelige ansvarsforhold og klare linjer er viktige når katastrofen rammer. Statsministeren svarte komiteen før høringen, og bortsett fra å slå fast det selvfølgelige, at regjeringa selv bestemmer hvordan den organiserer sitt arbeid, blir jeg at regjeringa selv bestemmer hvordan den organiserer sitt arbeid, blir jeg ikke særlig mye klokere av svaret. Men en kan vel slå fast at dette elementet i hvert fall ikke har hatt den betydning som regjeringa forespeilet folket før valget – en sterkere hånd om beredskapen, som det ble sagt. Tvert imot kan elementet nå ha blitt en struktur og fortsatt lede til en smule forvirring. Vi regner med at også dette vil bli drøftet i den kommende meldingen. Slik innstillingen nå ligger, er det, som jeg allerede har sagt, svært få punkter det faktisk er enighet om. Det skyldes sikkert flere ting, bl.a. at undersøkelsen går over et tidsrom som omhandler to regjeringer, og det handler sikkert også om at temaet som behandles – sikkerhet – er et følsomt område. Det som imidlertid har vært det vanskeligste, er det faktum at det ikke er enighet om å legge Riksrevisjonens rapport til grunn for behandlingen i komiteen. Det er oppsiktsvekkende, og det er meget alvorlig. Det er oppsiktsvekkende fordi det ikke har skjedd før at regjeringspartier ikke har anerkjent funn som er gjort av Riksrevisjonen, som er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen, og som det ikke er noen grunn til å betvile at gjennomfører sitt arbeid på et profesjonelt og høyt nivå. Jeg vet at det er krefter i sving for å undergrave Riksrevisjonens troverdighet. Vi hører det stadig. Tanken deles av flere. Jeg tror presidenten er oppmerksom på det. det. Det fremsettes også påstander om at Riksrevisjonen bidrar til tidstyveri og byråkratisering. Det er galt. Ifølge et stort nordisk forskningsprosjekt hvor man sammenligner riksrevisjoner i de nordiske landene, blir det tvert imot slått fast at Riksrevisjonen vokter vår forvaltning og hindrer korrupsjon, og at den faktisk forbedrer forvaltningen.

konkret, en meget følsom sak, nemlig beredskapen: Forutsetningen for at Riksrevisjonen skal ha autoritet er at parlamentet gir den autoritet. Derfor er regjeringspartienes avvisning av Riksrevisjonenes rapport i denne saken svært alvorlig. På bakgrunn av den store uenigheten vil jeg legge fram Arbeiderpartiets syn, i stor grad støttes av SV og Miljøpartiet De Grønne, men som ikke representerer flertallet på flere punkter. Jeg gjentar derfor at jeg mener det er mest korrekt at de andre partiene selv redegjør for sine merknader. Som allerede sagt: Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å finne ut i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tar hånd om sitt ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på en effektiv måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. For å belyse dette er det sett på hvordan et utvalg av samordningsvirkemidler utnyttes. Det er: tilsyn med departementene læring etter hendelser og øvelser styring og oppfølging av fylkesmennene på beredskapsområdet beredskapsområdet Som jeg allerede har understreket, er det alvorlig når Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er alvorlige svakheter i bruken av disse virkemidlene, og at rolle- og ansvarsfordelingen mellom direktoratet og departementet på noen områder fremstår som uklar. Og, som sagt: Vi var innstilt på å komme til bunns i dette. Under høringen, som komiteen holdt 6. juni, ble det avdekket at det er uenighet om hvorvidt rapporten gir et korrekt bilde av de funn som fremkommer. Det ble også sådd tvil om hvorvidt funnene var riktige. Direktøren i DSB, Jon A. Lea, erklærte at det er betenkelig at det spres inntrykk av at samfunnssikkerheten er dårlig og at det ikke er trygt i Norge, det er det ikke grunnlag for. Representanten Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti oppsummerte i høringen denne uenigheten mellom Riksrevisjonen og Lea på denne måten: «Det som står igjen etter denne første seansen i høringen i dag, er den sterke uenigheten som har kommet fram mellom DSB, uttrykt ved Lea, og Riksrevisjonens konklusjoner.» Det er nok den forståelsen de fleste av oss hadde. Det er utvilsomt uvanlig at en direktør i et direktorat uttaler seg på denne måten, men han følte kanskje han var på trygg grunn all den tid justisministeren i sitt brev til Riksrevisjonen hadde uttrykt mye av det samme. I høringen derimot delte ikke statsråd Anundsen direktør Leas syn. Der sa statsråden: «Alle – i hvert fall så vidt jeg

den påpeker at dialog og kommunikasjon mellom departement og direktorat ikke er god nok. Det er et bevis på det når statsråden sier én ting og direktøren i direktoratet sier en annen ting, dog noe forskjellig i sine skriftlige kommunikasjoner med Riksrevisjonen i forhold til hva de sier i Stortinget. Det som likevel er langt mer alvorlig, er at når Riksrevisjonen sår om samordningen mellom direktoratet og departementet er god nok, reagerer direktøren for direktoratet med å gå i forsvar og hevder – i en stortingshøring – at ingenting er galt, men at det derimot er feil metode og konklusjon hos Riksrevisjonen. Da er vi dessverre nødt til å stille oss følgende spørsmål: Er det noen som helst grunn til å tro på at en slik organisasjon er innstilt på å lære? Svaret på dette er, etter hva jeg kan forstå, dessverre nei. Det alvorlige i det er at kjernespørsmålet i alt beredskapsarbeid etter 22. juli er evnen til å ta lærdom av erfaringer, øvelser, tilsyn og kontroller, som den Riksrevisjonen har utført. Arbeiderpartiet mener at både Stoltenbergs regjering og Solbergs regjering har vist evne til å ta lærdom. Begge regjeringer har vist evne til det. Vi underkjenner ikke på noen måte den innsatsen som Anders Anundsen har gjort. Vi anerkjenner den, på samme måte som vi anerkjenner det arbeidet Grete Faremo gjorde som justisminister. Det gjør ikke Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som i innstillingen mener at alt som har skjedd av forbedringer i Justis- og beredskapsdepartementet, har skjedd i Anders Anundsens tid som justisminister – og bare da. Der skilles selvfølgelig våre veier. Dette er ikke bare historieløst, det er politisk og intellektuelt urimelig. Da Grete Faremo ble justis- og beredskapsminister 11. november 2011, startet hun med et klart mandat om å bedre beredskapen. 22. juli etterlot en administrasjon i Justisdepartementet på bar bakke og i stor sorg. Arbeidsforholdene har vært spartanske etter at Justisdepartementet bokstavelig talt ble bombet i stykker. Allikevel ble det iverksatt 1 046 tiltak. Statens helsetilsyn, som ved kgl. res. 21. juni 2013 ble gitt i oppdrag å føre tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, kom riktignok fram til at det fortsatt var alvorlige mangler, men man slo også fast at departementet hadde igangsatt en rekke tiltak, særlig når det gjelder krisehåndtering, som de skriver i rapporten. Dette stemmer overens med uttalelsene i høringen fra henholdsvis tidligere justisminister Faremo og politidirektør Humlegård, som også vektla alle tiltakene som ble iverksatt rett etter 22. juli. Justisminister Anundsen har fulgt opp dette arbeidet, det er det ingen tvil om, men det kan, ut fra mitt beste skjønn, heller ikke være tvil om at det fortsatt er mangler, slik Riksrevisjonen også påpeker. Regjeringspartiene tar etter min mening en stor sjanse hvis de faktisk insisterer på å mene at alt nå er i den aller beste stand hva gjelder beredskapen, for det er jo slik at hvis ingenting er galt, er det heller ingenting å gjøre bedre. Dessuten fremstår det som et betydelig paradoks at regjeringspartiene, som mener Riksrevisjonens rapport ikke skal legges til grunn, er veldig opptatt av at de delene av Riksrevisjonens rapport som omhandler tidligere justisminister Faremos periode som justisminister, er gyldige – men resten av rapporten skal ikke være men resten av rapporten skal ikke være gyldig. Det er et stort paradoks som jeg regner med at denne debatten vil avklare. I Riksrevisjonens undersøkelse er det beredskapsarbeidet som kritiseres. Samordningen viser seg å være problematisk på mange samfunnsområder. På beredskapsområdet er samordning avgjørende når en krisesituasjon oppstår.
Et av Gjørv-kommisjonens viktigste funn var at det som gikk feil 22. juli 2011 for en stor del handlet om manglende samordning. Om de gode kreftene som ikke fant hverandre. Et annet viktig funn var nettopp manglende evne til å ta lærdom av hendelser og øvelser. På denne bakgrunn mener flertallet det er svært viktig at Riksrevisjonen valgte å undersøke hvorvidt disse manglene var rettet opp snart 4 år
etter det største terrorangrepet på norsk jord. Riksrevisjonens undersøkelse er i samsvar med og trekker konklusjoner på bakgrunn av tilsyn som ble utført i Justisdepartementet. Rapporten fra Statens helsetilsyn, som ble lagt fram i april 2014, peker særskilt på at samarbeidsforholdene mellom Rednings- og beredskapsavdelingen og Politiavdelingen i Justisdepartementet har vært vanskelig i en årrekke og fremstår som så krevende at det kan gå ut over effektiviteten i og kvaliteten på arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I høringen fikk selvfølgelig tidligere justisminister Faremo spørsmål om hva hun hadde gjort for å rette opp denne interne uenigheten. Hun svarte at hun bl.a. hentet inn ekstern hjelp, skiftet ut departementets øverste ledelse og satte i gang et arbeid med å definere felles målforståelse og struktur. Vi anerkjenner Faremos arbeid for å styrke samordningsrollen i Justis- og beredskapsdepartementet, men vi mener allikevel at Faremo i sin toårsperiode burde ha kommet lenger i prosessen med å skape en bedre ledelseskultur og dermed bedre samhandling innad i departementet. Vi mener begge deler. Samtidig mener vi at justisminister Anundsen på et tidligere tidspunkt burde ha sørget for at det dårlige samarbeidet mellom Rednings- og beredskapsavdelingen og Politiavdelingen ble løst. En justisminister fra en regjering som har lagt stor vekt på at gjennomføringskraften i beredskapen skal gjenreises, burde allerede fra dag én ha prioritert å undersøke hva som burde gjøres i samordningen av beredskapsarbeidet. Jeg vil trekke fram at tidligere justisminister Faremo flere ganger under høringen kom tilbake til at kjerneutfordringen for å få til god samordning både innad i departementet og med andre departement og underliggende etater handler om at beredskapen går over flere forvaltningsnivåer, at det er et avgrenset konstitusjonelt ansvar, og at det er et embetsstyrt operativt system. Sammen med SV og Miljøpartiet De Grønne er vi enig i den betraktningen og mener nødvendige endringer i forvaltningen bør vurderes slik at Justis- og beredskapsdepartementet settes i stand til å følge opp sitt samordningsansvar på en effektiv måte. Jeg vil også trekke fram at justisministeren understreket i høringen at han raskt etter regjeringsskiftet satte i gang en organisasjonsutviklingsprosess for å bedre departementets arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, bl.a. på grunn av de utfordringene som var påpekt i tidligere tilsyn, en intern rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet og sin egen erfaring. Riksrevisjonen skriver også dette i sin rapport og mener at det er for tidlig å si hvordan disse endringene vil slå ut. Jeg vil for min del håpe at de endringene som nå er iverksatt av Anundsen for å bedre samordningen både innad i Justis- og beredskapsdepartementet og samordningsrollen for øvrig, vil virke etter hensikten. Hovedfunn i Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB. Departementets styring har fram til 2015 i hovedsak vært aktivitetsbasert, og sammenhengen mellom aktivitetskrav og overordnede målsettinger har vært uklar. Rapportering om ressursutnyttelse etterspørres i liten grad, og synspunkter på dialogen mellom departementet og DSB er helt ulike. Jeg har allerede redegjort for den uenigheten som kom til uttrykk under høringen og uttrykt bekymring for læringsevnen hvis man ikke evner å ta til seg kritikk som følge av kontrollen. Da jeg nå på nytt leste høringen med direktør Lea i forbindelse med behandlingen av Gjørv-kommisjonens rapport, ble jeg ikke beroliget. Også da hevdet direktør Lea at tilsynet med departementene hadde blitt bedre siden gjennomgangen i 2002, og at DSB og Justisdepartementet hadde fulgt opp mer aktivt de tilsynene som var gjort. Uten tilsynene, hevdet Lea, ville – da som nå – fokus på beredskap i departementene vært dårligere, og at det etter DSBs oppfatning sto bedre til enn tidligere. Og den gang, i 2012, på komitéleder Anundsens spørsmål om hvordan Justisdepartementet tok ansvar for å følge opp øvelser, svarte Lea – den gangen – at han syntes også dette ble gjort på en bedre måte enn tidligere. Det er med andre ord vanskelig for noen hver å fange opp at noe er galt og hva som bør gjøres bedre når rådene fra den utøvende tilsynsmyndighet er slike, og det viser etter min mening hvor viktig det er at en uavhengig kontroll, slik som Riksrevisjonen utøver, blir foretatt. Riksrevisjonens rapport understreker at Fylkesmannen spiller en viktig rolle som pådriver for et systematisk og samordnet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på regionalt og lokalt nivå. Fylkesmannen er også bindeleddet mellom sentrale og lokale myndigheter. Imidlertid kommer det fram at instrukser og styringssignaler er uklare med hensyn til hvordan fylkesmennenes samordningsrolle skal utøves når hendelser inntreffer. Dette fører til betydelige forskjeller i hvordan embetene både forstår og utøver sin samordningsrolle regionalt. Til slutt: Arbeiderpartiet mener Riksrevisjonen har gjort et grundig og viktig arbeid når de har undersøkt Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Vi tar funnene på det dypeste alvor, vi har et håp om at justisministeren hele tida leter etter ting som kan forbedres, og vi er veldig tilfreds med at Stortinget igjen får anledning til å drøfte samfunnssikkerheten i et helhetlig perspektiv når regjeringa kommer med sin melding i 2016. Jeg tar opp innstillingens forslag til vedtak. Etter å ha hørt saksordføreren redegjøre for saken, begynte jeg å tvile på om det
Da har representanten Kjell Ingolf Ropstad tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er

Da får jeg kanskje begynne med det som er litt gledelig, at det er enighet om noe. Det er nemlig slik: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til at Riksrevisjonens rapport omhandler en begrenset del av beredskapssituasjonen i Norge. Rapporten er ingen uttømmende revisjon av beredskapssituasjonen i Norge, men er begrenset til Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.» Et annet flertall sier videre: «Riksrevisjonens rapport kan ikke benyttes som en fasit på den reelle situasjonen, men må ses på som en rapport som peker på mulige svakheter innenfor en begrenset del av beredskapsområdet.» Når man da får høre at ens egne bidrag til dette – bidragene fra partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, som er nokså samstemte i sine merknader – er at alt man har sagt, er at alt er såre vel, så er jo ikke det en særlig presis beskrivelse. Disse partiene har merket seg meget vel det som omtales i Vi har sett på funnene som gjelder alvorlige og sikkerhetskritiske områder: Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, heretter kalt DSB, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. beredskapsdepartementet. For det andre: Departementets styring og oppfølging av DSB og fylkesmennenes beredskapsarbeid har vært mangelfull, og DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og resultatstyring, og videre at det gjennomføres i for liten grad systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser Men det er jo dette området som Arbeiderpartiet selv har sagt er saklig begrenset, så vi forstår ikke helt at man bruker anledningen til å fremstille det generelle beredskapsarbeidet i Norge som dårligere etter 22. juli enn før. Det betyr jo da – siden det har gjort seg gjeldende en uklarhet om hvordan beredskapen har utviklet seg frem til i dag – at det må være et poeng å gjøre som saksordføreren kom i skade for, nemlig å gå utenfor Riksrevisjons rapport. Husk at noe av vår innvending mot Riksrevisjonens rapport, som den er fremstilt, går jo ikke på selve rapporten, men det er den måten den har vært fortolket på – og jeg vil vel også si misvisende fremstilt formodentlig av politiske hensyn, hvilket det foregående innlegg kunne tjene som et glimrende eksempel på. Når man da, som en vesentlig byggestein i denne rapporten, bruker Helsetilsynets gjennomgang – for det er jo de som har hatt gjennomgangen av Justis- og beredskapsdepartementet

men det kan vel være at de har det ubehagelige poeng at det mer viser status for beredskapsarbeidet ved årsskiftet 2013–2014. Og så er det noen som overtolker den elementære påvirkningen av rapportens faglige begrensninger til noen områder og – ikke minst – at man baserer seg på data som i all vesentlighet er innhentet av Helsetilsynet, og som altså ble avsluttet senere. Vi har gått veldig nøye gjennom de kritikkpunktene, og slik skal det jo være, for ettersom Riksrevisjonen selv ikke har fagkunnskap, må de jo benytte seg av den fagkunnskapen man finner på etatsnivå. Men siden det virker som om noen har en glede av å fremstille landets beredskapsarbeid som stående på stedet hvil, så vil jeg altså si at etter regjeringsskiftet – som var et tidsskille, som foregående taler la slik vekt på – har man gått til ansettelse av mer enn 400 nye politifolk, for inneværende år er det bevilget penger til ytterligere 350 nye stillinger. Antallet utrykningsenheter er økt med vel 400 personer og teller nå nesten 1 000 personer. Målet er 1 200 på sikt. Beredskapstroppen er styrket med både personell og utstyr. Det er blitt innført krav til politiets responstid for første gang. Alle politidistrikter har nå tilgang til minst ett pansret kjøretøy. Ny riksalarm er iverksatt. Helikopterberedskapen er bedret ved at klartiden for Forsvarets transportbistand er redusert fra to til én time. Ny nasjonal prosedyre for samvirke ved pågående livstruende vold – det som tidligere var instruksen «Skyting pågår» – er gjennomgått og fornyet og endret. Politiet er nå sikret prioritet i mobilnettet fra 2014. PST er, som også ligger inne i forslag til revidert budsjett, styrket med om lag 205 mill. kr. Felles kontraterrorsenter er opprettet i 2014 for å styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten. Situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet er gjort døgnbemannet. Hovedredningssentralen er styrket. Sivilforsvaret har fått mer midler til utstyrsinvesteringer. Objekter er sikret etter sikkerhetsloven. 16 nye redningshelikoptre er i bestilling. Nødnettet blir sluttført i løpet av inneværende år. Nye rutiner om bistandsanmodning ved håndhevelsesbistand fra Forsvaret er etablert, og det er inngått en samarbeidsavtale mellom Politidirektoratet og Forsvaret. Kripos har fra 2014 hatt rollen som nasjonalt kontaktpunkt for melding om bombekjemikalier. Det nasjonale beredskapssystemet, som består av Sivilt beredskapssystem og Beredskapssystemer for forsvarssektoren, er revidert. Det er nedsatt et eget sårbarhetsutvalg som skal gå gjennom cyber- og IKT-sårbarheter, og regjeringen tar sikte på å legge frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet i løpet av 2016. Det er etablert en ny struktur for møtet mellom statsråden og sjefene for Politidirektoratet, PST, NSM og DSB for å sikre en tett oppfølging og dialog. Man har innført et nytt system for avviksmeldinger, nemlig at det er to hovedkategorier – «Brudd på krav» Og så lenge man da ikke har rapportert tilbake at dette avviket mellom nåsituasjonen, som er uønsket, og den situasjonen man vil ha – det såkalte avviksgapet – er registrert lukket, blir tilsynet stående som uavsluttet, og dermed vil det nage enhver ansvarlig for å gjøre noe med saken. Nå er det selvfølgelig også blitt en større åpenhet om tilsynsrapportene. De er også blitt søkbare. Det Det skjer en mer intens rapportering til regjeringen, og DSB har fått en større rolle i forbindelse med oppfølgingen av tilsynet med departementene. Det er vel kanskje på denne bakgrunn at direktøren for DSB ikke helt finner seg vel i den dramaturgi – og skurkerolle, får vi vel si – som enkelte hadde håpet at han skulle spille. Jeg må også si at den bruken av sitater som vi fikk et eksempel på i innledningsforedraget til saksordføreren – som nærmet seg det villedende, vil jeg tillate meg å si – så var det klart at denne irritasjonen over at man fortalte om f.eks. det jeg var igjennom nå, og fortalte om problemstillinger i Riksrevisjonens rapport, som var riktige da den ble laget, om en anstrengt dialog mellom DSB og Justisdepartementet: Det var historieskriving på det tidspunktet man behandlet dette under høringen, og så skulle det altså være nærmest ufint, utilstedelig, være uttrykk for en skjødesløs holdning å berette tilbake at denne styringsdialogen – som nettopp var fremhevet, og som det var riktig av Riksrevisjonen å fremheve, og som var korrekt da den ble fremhevet – hadde forbedret seg det siste halvannet året. Er det uvesentlig? Så hvis man ikke selv klarer å holde seg til Riksrevisjonens områdeavgrensning, tidsavgrensning, hvis man ikke ser eller interesserer seg for de faglige leveransene som Riksrevisjonen bygger på, så kan man selvfølgelig lage en politisk forestilling. Problemet med dette er at det er så at folk kan komme på den formastelige tanken at det ikke er beredskap man er ute etter, men at det er politiske motstandere man er ute etter. Og vi begynner jo å få en rekke saker hvor det ser ut til at man, gjennom nokså selektiv sitatbruk og presentasjoner, misbruker det gode arbeidet som gjøres av våre fagetater, som gjøres av Riksrevisjonen ikke fordi man er opptatt av sakene, men fordi man er opptatt av å ri sine små politiske kjepphester. Et annet eksempel på dette – som Riksrevisjonen i og for seg ikke har omtalt i det hele tatt – er organiseringen av dette sikkerhetselementet ved Statsministerens kontor. Det er jo det samme spørsmålet som Arbeiderpartiet har stilt tre ganger, og de har ikke vært fornøyd med noen av svarene de har fått hittil, mens det som i virkeligheten er tilfellet, er at i denne rapporten og også i innstillingen, så står vi jo ved det som er allmenn felleskunnskap om norsk beredskap, nemlig at det er Justisdepartementet som er den store samordneren, og at vi også holder oss til at nærhetsprinsippet og ansvarsprinsippet og flere andre prinsipper ligger fast. Og så blir det fremstilt som et problem at Statsministerens kontor er forsterket i sin interne organisering,